vil framsette to representantforslag. På vegne av representantene Ib Thomsen, Øyvind Håbrekke, Trine Skei Grande og meg selv vil jeg fremsette et forslag om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner. Dessuten vil jeg på vegne av representanten Svein Flåtten og meg selv fremsette et forslag om utredning av hjemmel for klarering av opphavsrettigheter fra andre land, tverrterritorial klarering. Representanten Anders Anundsen vil framsette et

for å sikre Sivilombudsmannen adgang til forvaltningens saksdokumenter samt enkelte andre rettinger. Representanten Robert Eriksson vil framsette et representantforslag.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten informere om at møtet fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet. Dette er jo ikke det mest lystelige av alt Stortinget diskuterer, men desto viktigere. Så jeg vil bare, på vegne av komiteen, si noen ord. For

statsbudsjettet. Det gir grunnlag for kontroll med at Stortingets bevilgningsvedtak her i salen blir fulgt opp av statsadministrasjonen. Kapitalregnskapet gir en oversikt over statens fordringer, gjeld og kontantbeholdning. Det er liten tvil om at statsregnskapet for 2010 er en omfattende framstilling, slik det er hvert år. Materialet er definitivt ikke lett tilgjengelig, og kan oppleves som ganske detaljert og teknisk. Det er likevel, heldigvis, en enstemmig komité som stiller seg bak innstillingen til meldingen. Jeg skal derfor bare noen korte tilleggskommentarer. Det oljekorrigerte underskuddet i statsregnskapet for 2010 ble 104,1 mrd. kr. Det er 5,3 mrd. kr lavere enn i nysaldert budsjett, vedtatt i desember 2010. Skatte- og avgiftsinntektene ble omtrent 4 mrd. kr høyere enn i nysaldert budsjett. Medregnet annen økning i inntektene ble de samlede inntektene 7,4 mrd. kr høyere, mens utgiftene ble 2,1 mrd. kr høyere enn i nysaldert budsjett. Går vi videre til pengene vi har på bok, ser vi at den bokførte verdien av Statens pensjonsfond utland økte med nesten utrolige 439 mrd. kr, fra 2 642 mrd. kr ved utgangen av 2009 til nesten 3 081 mrd. kr ved utgangen av 2010. Overskuddet økte verdien av fondet med 252 mrd. kr, mens netto kursgevinst økte fondet med drøyt 166 Tilført kapital ved avviklingen av Statens petroleumsforsikringsfond økte kapitalen i fondet med nesten 20 mrd. kr. Det er ganske ufattelige størrelser vi håndterer gjennom Statens pensjonsfond utland, som skal behandles i egen sak rett etter at vi er ferdig med statsregnskapet i salen. Men det er ikke bare SPU som gjør det godt. Også SPN – altså innenlandsdelen av pensjonsfondet – har fått økte inntekter. Fra utgangen av 2009 til utgangen av 2010 økte kapitalen i Statens pensjonsfond Norge med nesten 18 mrd. kr, fra 117 mrd. til 135 mrd. kr. Endringen kommer av netto renteinntekter og utbytte på 4,4 mrd. kr og en samlet kursgevinst på aksje- og renteplasseringer på 13,4 mrd. kr. Det var tallene. Det er store størrelser vi håndterer, og tallene viser oss vel først og fremst hvor fantastisk privilegerte vi er ved å være innbyggere i et land som har slike statsfinanser. Sammen med vårt samlede arbeid er det den store rikdommen fra olje og gass som har gjort oss i stand til å være i en helt annen stilling, og å ha en helt annen utvikling i velstanden enn mange andre land. Når etterdønningene etter finanskrisen og konsekvensene av rekordhøy statsgjeld i mange land i tillegg fortsatt rammer disse landene svært hardt, er det bare å konstatere at vi nok en gang er i en situasjonen vi skal være glade for her hjemme, og vi skal være takknemlige for det. Takket være både oljepengene og det at vi er svært flinke til å stå på det at vi er svært flinke til å stå på og arbeide – mange står på og gjør en fantastisk jobb hver dag, og mange er i jobb – får vi betydelige inntekter, som regnskapet her viser kommer fellesskapet til gode. Men denne rikdommen krever også at vi tar ansvar, at vi forvalter verdiene godt, slik at også kommende generasjoner kan få glede av dem. En sånn formue kommer ikke – og forblir ikke stor – uten at det betyr noe hvordan vi ter oss, her på Stortinget. Det er derfor gledelig at det er et bredt flertall i Stortinget som ønsker å sette av et betydelig overskudd i regnskapet og overføre det til Statens pensjonsfond utland hvert år, også for det året vi nå behandler. Vi må sørge for at de ekstra ressursene vi får, bl.a. fra oljen, ikke blir faset inn i økonomien i en slik takt at økonomien går over styr. Vårt nå store fond er et resultat av Men helt til slutt, tilbake til tallene. Jeg nevnte at skatte- og avgiftsinntektene ble omtrent 4 mrd. kr høyere enn i nysaldert budsjett. Dette tyder på at det går bedre – ja, faktisk godt – i Norge. Folk er i jobb, og selskapene drives godt. På grunn av finanskrisen var det ventet nedgang i skatteinntektene fra foretak, men også disse inntektene har økt i 2009. Skatteinngangen fra foretak har faktisk i uventet liten grad blitt påvirket av finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget. Det er bra for fellesskapets og statens inntekter, og det er tilbakeslaget. Det er bra for fellesskapets og statens inntekter, og det er også et resultat av en rekke politiske valg gjennom lang tid. Velstand og inntekter kommer ikke av seg selv. Tallene fra statsregnskapet viser resultatene av en vellykket politikk. Med dette legger jeg fram innstillingen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at debatten begrenses til 1 time og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

passerte i oktober 2010 for første gang 3 000 mrd. kr i markedsverdi. Ved årsskiftet var markedsverdien til Statens pensjonsfond utland 3 077 mrd. kr, og markedsverdien til Statens pensjonsfond Norge var på 133 mrd. kr. En annen tankevekkende milepæl ble nådd for ca. en uke siden, ca. 15 år etter at finansminister Sigbjørn Johnsen gjorde det første innskuddet.

nasjonalbudsjettet for 2011 blir fondets størrelse anslått til å være over 6 000 mrd. kr ved inngangen til 2020. Hele finanskomiteen understreker betydningen av at dersom fellesskapets sparemidler skal komme både dagens generasjon og framtidige generasjoner til gode, er vi avhengig av en langsiktig og trygg forvaltning samt bred oppslutning og en stor grad av legitimitet rundt måten midlene i Statens pensjonsfond forvaltes på.

mine antakelser om at det har vært og er et retorisk grep konstruert for å overføre mindre av statens enorme overskudd til folket. Vi i Fremskrittspartiet mener derfor at navnet på fondet er direkte misvisende, og at en da bør vurdere å endre det. Statens pensjonsfond – eller hva man enn skal kalle det – har som formål å spare til kommende generasjoner slik at de også skal kunne

er en konstruert regel. Sentralbanksjefen påpekte at handlingsrommet er brukt «til å gjennomføre standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder. Prioritering av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet, synes derimot å ha kommet noe i bakgrunnen». Jeg håper derfor at regjeringspartiene nå også vil fokusere på at økt bruk av oljepenger kanaliseres til f.eks. forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser, slik hensikten var og bør være, at folk flest, skattebetalerne, skal beholde mer av sine egne penger, og at fondet brukes til å skape økonomisk vekst. På samme måte som når du eller jeg er eier av et hus, en leilighet eller en bondegård, for den saks skyld, er vi opptatt av å ha den i best mulig stand, og vedlikeholder den. Kanskje, forhåpentligvis, gjør vi den i enda bedre stand enn den var da vi overtok den, slik at våre arvinger kan overta en eiendom som kan møte alle mulige framtidige stormer og værtyper. En fornuftig eier lar ikke sitt hus forfalle, har alle pengene sine i banken og bruker rentepengene til forbruk og fest – men investerer. Vi har i forbindelse med denne stortingsmeldingen hatt en høring i finanskomiteen. som gjør meg litt betenkt, er mangelen på interesse. Kun en håndfull interesseorganisasjoner meldte sin interesse og møtte opp. Det var ikke personer, institusjoner, organisasjoner eller firmaer som hadde meninger om hvordan fondet kan få bedre avkastning, eller kanskje mindre risiko, eller mer åpenhet; de var hovedsakelig opptatt av etikk og miljø, som for så vidt er vel og bra, men etter min mening burde det men etter min mening burde det kanskje vært flere enn Regnskogfondet, WWF-Norge, Forum for Utvikling og Miljø og organisasjonen Slett U-landsgjelda som møtte opp. Det var ingen innspill fra finansnæringen eller selve forskningsmiljøet, kanskje fordi vi har et for lite forskningsmiljø i Norge på dette området. Det eneste var et skriftlig innspill fra blogger Lars Haakon Søraas, for øvrig vararepresentant til Norges Banks representantskap, og Morten Josefsen, som er blogger og doktorgradsstudent på Handelshøyskolen BI. Vi registrerer alle sammen at det i ny og ne forekommer debatt i media. Denne uken var det interessant å lese innspillene fra investor og milliardær Øystein Stray Spetalen. Han langet denne uken igjen ut mot oljefondet og spurte rett ut:

Spetalen, i likhet med Fremskrittspartiet, at Norge burde ha bygget opp forvaltningskompetanse selv, hovedsakelig her i Norge, samtidig som man bør være seg bevisst hvem som sitter i styrer og kontrollorganer i forvaltningen. Fremskrittspartiet har tidligere tatt til orde for og foreslått at vi etablerer et norsk kapitalforvaltermiljø på bakgrunn av de investeringene som foretas gjennom Statens pensjonsfond, slik at det i større grad kommer Norge og befolkningen til gode, på samme måte som vi i sin tid bygget, og fortsatt bygger, opp et miljø rundt oljeteknologi, som Norge i dag er verdensledende på. Jeg minner også om at Fremskrittspartiet for mange år siden først tok til orde for at fondet burde investere i eiendom. Statens pensjonsfond gjorde sin første unoterte eiendomsinvestering 13. januar 2011. Mandatet fastsetter at Norges Bank nå skal plassere inntil 5 pst. av Statens pensjonsfond utlands kapital i egen eiendomsportefølje ved å redusere obligasjonsporteføljen tilsvarende. Det er forventet at det vil ta flere år å bygge opp en så stor portefølje, noe som NBIM bekreftet under høringen, samtidig som man selvfølgelig forventer å øke investeringen de nærmeste år. Hele finanskomiteen mener det er viktig å bruke den tiden som er nødvendig for å sikre forsvarlig innfasing av investeringer i eiendomsmarkedet. Finanskomiteen har merket seg at etter departementets syn tyder en ny gjennomgang av relevant forskning på at valutarisikoen i Statens pensjonsfond utland er mindre enn tidligere antatt, og uansett relativt liten, slik at det da ikke lenger synes å være grunnlag for å ha en så vidt sterk konsentrasjon av investeringene i Europa, som fondet har i dag. Som det sies: «Verdens produksjonskapasitet og verdipapirmarkeder befinner seg i større og økende grad i andre deler av verden. Over tid bør derfor andelen av fondet som er investert i Europa reduseres, til fordel for større andeler i resten av verden.» Dette tar finanskomiteen til etterretning, men ønsker samtidig å understreke betydningen av det europeiske markedet for investeringene i Statens pensjonsfond utland, og at det europeiske markedet fortsatt vil være svært viktig. Som det kommer fram i meldingen, vil departementet arbeide videre med fastsettelsen av en ny geografisk fordeling. Finanskomiteen forutsetter at endringer med vesentlige betydninger for fondets risiko og forventede avkastning vil bli lagt fram for Stortinget før de gjennomføres. Jeg minner også om at man i flere år har vurdert å opprette et eget fond for investeringer i fremvoksende og mindre utviklede markeder, noe som er i tråd med konklusjonene i Utviklingsutvalget og Nordfunds anbefalinger. Det er derfor litt skuffende at det heller ikke denne gang blir lagt fram noe forslag om å opprette et eget fond for investeringer i fremvoksende og mindre utviklede markeder. Dette har blitt utsatt en rekke ganger. Fremskrittspartiet står sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre om å ønske fortgang i denne prosessen, og at det opprettes et eget fond for dette. Det er interessant og tankevekkende at rammen for forvaltningskostnader har ligget stabilt gjennom flere år til tross for sterk vekst i fondets størrelse. Tallene for 2010 forvaltningskostnadene, og budsjettet for 2011 viser en økning i honorarer til eksterne forvaltere på 39 pst. i forhold til 2010. Under høringen i Stortingets finanskomité sa finansministeren og lederen for NBIM, at på grunn av størrelsen av fondet oppnår SPU stordriftsfordeler og er attraktiv for eksterne forvaltere, og at NBIM har oppnådd gode avtaler med eksterne forvaltere. Da synes jeg at kostnadsrammen også burde reflektere dette. Jeg setter pris på at det har blitt mer åpenhet rundt forvaltningen og ønsker at forvalternes lønn og bonusbetingelser, også frynsegoder, kommer klarere fram i Norges Banks fremtidige rapporter. Det manglet ikke på kritikk og advarsler etter at det kom fram at fondets forvaltere mottok store bonusutbetalinger i kriseåret 2008, et år hvor fondet hadde negativ avkastning på 633 mrd. kr. Likevel kunne vi registrere at ekstremt store utbetalinger til forvaltere også skjedde i 2010, deriblant en utbetaling på 500 mill. kr til en forvalter. forvalter. Fremskrittspartiet mener at det ikke kan dokumenteres at aktiv forvaltning gir best avkastning på sikt. Vi er bekymret over kostnadsutviklingen på fondet og ønsker bl.a. derfor en indeksbasert forvaltningsstrategi for fondet. Forvaltningen av Statens pensjonsfond bør i større grad skje i henhold til globale indeksreferanser. En slik strategi vil etter vår og en del finansforskeres mening både redusere risikoen og kostnadene knyttet forvaltningen. En indeksbasert forvaltning vil samtidig gjøre det mulig for Norge å etablere et verdensledende forvaltermiljø innen denne formen for forvaltning. For i større grad å kunne etterprøve og sammenlikne resultater for ulike forvaltningsstrategier, foreslår Fremskrittspartiet at fondet splittes i to, der 5 pst. av fondet forvaltes innenfor dagens regime, mens de resterende 95 pst. av fondet flyttes over til passiv indeksbasert forvaltning. For å oppnå konkurranse ønsker vi at den passive delen også deles i to, der den ene delen forvaltes under NBIM og den andre delen settes ut på anbud. Dette er nevnt i forslag

om at det skjer politiske endringer når det gjelder synspunkter om forvaltningen av oljefondet. Jeg har bl.a. tatt meg tid til å se tilbake – de siste fem, seks årene – på hva finanskomiteen har drøftet tidligere, og hva de ulike partiene har foreslått av endringsforslag når det gjelder forvaltningsstrategi. Da er det en glede for meg å registrere at flere og flere av Fremskrittspartiets meninger og innspill nå er akseptert i andre partier. Som jeg nevnte tidligere, er det nå tverrpolitisk enighet om at oljefondet skal investere i eiendom. Fremskrittspartiet tok også for et par år siden til orde for at regjeringen skulle utrede alternative måter å organisere fondet på. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre står samlet om et Et annet godt forslag er forslag nr. 2, om nedsidebonus som Fremskrittspartiet sto alene om for noen år siden, og også der har vi nå fått støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Også forslag nr. 3, som Fremskrittspartiet sto alene om for noen år siden, står Kristelig Folkeparti og Venstre står bak. Når det gjelder forslag nr. 4, som Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har stått alene om, står nå også Venstre bak. Så jeg vet ikke om det er en mulig ny, fremtidig sentrumsregjering som vi nå ser konturene av. Da avslutter jeg med å ta opp våre forslag som vi fremmer alene eller sammen med andre. Representanten Jørund Rytman har tatt opp de forslagene han refererte til. Årets melding om Statens pensjonsfond omhandler fondets resultater for 2010 og vurderinger av rammeverk og investeringsstrategi for fondet. Som i 2009 er

Dette innebærer at vi snart kan slutte å snakke om de store verdifallene under finanskrisen, fordi disse er mer enn oppveid av gevinstene i oppgangsperioden som fulgte. Den aktive forvaltningen har som mål å gi fondet en høyere avkastning enn referanseporteføljen og på denne måten skape en merverdi som framtidige generasjoner kan dra nytte av. Også i den aktive forvaltningen er resultatene for 2010 gode både i SPU og i SPN. Likevel, det er fortsatt stor usikkerhet om den videre utviklingen i finansmarkedene, og vi må være forberedt på nye perioder med uro. Behandlingen av årets melding viser at det er bred enighet om den overordnede langsiktige strategien om målsettingen for fondet. Erfaringene fra finanskrisen viser at det er viktig, og at fondet kan holde fast ved fondets langsiktige investeringsstrategi også i turbulente tider. Målsettingen for Statens pensjonsfond utland er at fondet skal forvaltes slik at formuen skaper en langsiktig, god avkastning som framtidige generasjoner kan dra nytte av. Utgangspunktet for investeringsstrategien – om det er investeringer i eiendom, miljørelaterte investeringer, obligasjoner eller aksjer – er at forvalterne skal søke å få høyest mulig finansiell avkastning innenfor moderat risiko. Pensjonsfondet forvaltes på vegne av det norske folk. Det er derfor viktig at det forvaltes innenfor de verdier og det etiske regelverk som er lagt for fondet. I det offentlige ordskiftet om fondet er enkelte opptatt av at fondets investeringer også skal bidra til bedre miljø, til utvikling i de framvoksende økonomiene og til utvikling av næringsliv og framtidens arbeidsplasser. Jeg vil peke på at dagens investeringsstrategi, med eierskap i mange ulike næringer internasjonalt, en aktiv eierskapsutøvelse, etiske retningslinjer og miljøprogrammet er en del av investeringsstrategien for fondet og således også bidrar til dette. Etikkrådet bidrar i sitt arbeid til å identifisere bransjer eller områder hvor risiko for brudd på de etiske retningslinjene er størst, og prioriterer ressursene slik at investeringer i selskaper som bryter de etiske retningslinjene, fanges opp på et tidligst mulig tidspunkt. Arbeidet knyttet til en ansvarlig investeringspraksis er i stor grad i tråd med prinsippene som ligger til grunn for OECD Green Growth Strategy og UNEP – Green Economy. SPU ligger an til å vokse betydelig i årene som kommer. Samtidig vil de løpende tilførslene til fondene etter hvert avta. Rundt 2020 ligger det an til at de årlige uttakene fra fondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet vil bli større enn tilførselen av nye midler til fondet. Fondet vil imidlertid fortsette å vokse fordi avkastningen på kapitalen ligger an til å være høyere enn netto uttak fra fondet, gitt at handlingsregelen følges. Fondets vekst og størrelse gir et godt utgangspunkt for den videre utviklingen av fondet og investeringsstrategien. SPU er i dag en betydelig eier i verdens aksjemarked. SPU eier rundt 1 pst. av alle børsnoterte aksjer i verden. I mange selskaper er eierskapet spredt på mange eiere, og dette gjør at selv et eierskap på 1 pst. i et selskap betyr at fondet er en av de største eierne. Det gir innflytelse på eierskap i selskapet, og derfor er eierskapsstrategien for fondet viktig. I meldingen gjør departementet rede for videreutvikling av investeringsstrategien for SPU fram mot 2020. Det er vurdert nye typer investeringer i unoterte markeder som unoterte aksjer og infrastrukturinvesteringer utover investering av eiendom, som det ble åpnet for i 2010. Sammenlikninger med andre fond og SPUs lange tidshorisont gjør det naturlig å vurdere slike investeringer i fondet. Stor usikkerhet til forventet avkastning for unoterte aksjer og høye forvaltningskostnader gjør at departementet ønsker å gå gradvis fram og gjøre erfaringer med investeringer i unotert fast eiendom, som det allerede er åpnet for, før man eventuelt går videre langs dette sporet. Departementet vil komme tilbake til dette spørsmålet. Det støttes av Departementet har også vurdert den geografiske fordelingen på investeringene. SPU plasseres bredt i verdens finansmarkeder. En ny gjennomgang av relevant forskning tyder på at valutarisikoen i SPU er mindre enn tidligere antatt, og uansett relativt liten, og at det ikke lenger er grunnlag for en så vidt sterk konsentrasjon av investeringene i Europa som fondet har i dag. Verdens produksjonskapasitet og verdipapirmarkeder befinner seg i større og økende grad i andre deler av verden. Departementet anbefaler derfor at andelen av fondet som er investert i Europa, reduseres over tid, til fordel for større andeler i resten av verden. Det europeiske markedet vil imidlertid fortsatt være svært viktig. Departementet omtaler også forslag om å forenkle referanseindeksen for obligasjoner og eventuell videreutvikling av mandatet, i tråd med anbefalingene i rapporten fra Schaefer og Behrens i meldingen. Slike tilpasninger vil etter departementets syn kunne gjennomføres uten vesentlige endringer i forventet avkastning og risiko. Departementet vil vurdere om det er aktuelt å gjennomføre slike endringer i løpet av året. En eventuell større omlegging av forvaltningen av obligasjonsporteføljen vil departementet legge fram for Stortinget før en eventuell beslutning tas, og departementet vil gjøre rede for arbeidet med videreutvikling av obligasjonsforvaltningen i neste års melding til Stortinget om forvaltningen av fondet. Mens utenlandske investeringsselskap, parlamentarikere og næringsliv viser stor interesse og oppmerksomhet for Statens pensjonsfond, behandler Stortinget den årlige meldingen om fondet uten de store markeringer. Ikke det at vi ikke mener stortingsmeldingen om pensjonsfondet er viktig – det er den – men vi gjør ikke noe stort nummer ut av det, og det er vel knapt noen utenom denne salen som har merket seg at vi behandler denne meldingen i dag. Ikke så rart, kanskje – det er litt nytt for oss å være «stormakt innen finans», som næringsministeren kalte det i et intervju i forrige uke. For både Folketrygdfondet og Statens pensjonsfond utland er godt kjente investeringsfond i markedet. SPU er etter hvert blitt en av Norges fremste merkevarer i utlandet. Er vi oss dette bevisst, og utnytter vi denne merkevaren? Det er stor interesse for fondet når Stortingets komiteer er på komitéreiser i utlandet eller mottar besøk og møter politikere og andre som ønsker å høre mer om SPU og hvordan vi styrer fondet politisk. Dette bekreftes for så vidt gjennom oppslag bl.a. i Dagens Nærings i forrige uke, som forteller at andre investeringsfond og fondsforvaltere ser med interesse til Norge og hvordan vi har lagt opp forvaltningen av SPU. SPU. Det er ikke bare det faktum at SPU er et av verdens største statlige investeringsfond som gir interessen. Det er også investeringsstrategien og de etiske retningslinjene for forvaltningen av SPU, som er politisk initiert og vedtatt av Stortinget, som fenger. Det er veldig interessant. Et av verdens største oppkjøpsselskap vil ifølge Dagens Næringsliv legge seg på samme linje som pensjonsfondet når det gjelder rammer for ansvarlige investeringer. De mener ifølge avisen at «det norske oljefondet er til stor inspirasjon og mener Norge har etablert en merkevare for kompetanse på dette området. Dette er den mest systematiske og helhetlige tilnærmingen til ansvarlig investering vi har sett så langt». Det amerikanske fondet ønsker å profilere seg som spydspissen innen ansvarlig investering. Det er også vår politiske ambisjon for SPU. Det er derfor vi har utviklet og forbedret de etiske retningslinjene år for år. Det er derfor vi i eierskapsutøvelsen er opptatt av at fondsforvalterne skal uttrykke forventninger til selskapene det investeres i – om god selskapsstyring, om å forebygge barnearbeid og fremme barns rettigheter, om risiko knyttet til klimaendringer og vannforvaltning. Fondsforvalterne har en grunnleggende forpliktelse, og det er å utøve et aktivt eierskap for å sikre langsiktig, god avkastning av investeringene fondet gjør i utlandet, slik at også framtidige generasjoner kan dra nytte av oljeformuen. Samtidig er det over tid utviklet et rammeverk for fondet i form av investeringsstrategi, etiske retningslinjer og en ansvarlig investeringsstrategi, og en kompetanse på fondsforvaltning og etikk som gjør at SPU nå er «spydspissen innen ansvarlig investering». Det er en merkevare for norsk statlig eierskap og investeringsstrategi, som også er Alle partier på Stortinget er enige om at SPU ikke skal brukes som et utenrikspolitisk verktøy. Det er grunnleggende viktig å skille SPU fra norsk utenrikspolitikk. Vi kommer likevel ikke utenom at SPU er et norsk statlig fond som utenlands oppfattes som en del av norsk politikk. Ifølge nevnte intervju med næringsministeren merker også han når han reiser med næringslivsdelegasjoner ute i verden, at interessen for Norge er betydelig sterkere med den store investeringsporteføljen vi har gjennom SPU, og at han f.eks. i India ble ekstra godt mottatt fordi SPU hadde stått ved sine investeringer under finanskrisen. Ifølge Europa-sjefen i nevnte amerikanske oppkjøpsselskap vil deres nye fokus på miljø, samfunn og ledelse gjøre Norge og Norden enda mer interessant å investere i framover. Her bør norsk næringsliv kjenne sin besøkelsestid og gjerne også se til SPUs eierskapsstrategi og etiske retningslinjer i markedsføring av norske selskaper og hvordan det kan bidra. Det kan også være interessant å se på framover hva SPU og SPN faktisk betyr for norsk omdømme og norsk næringsliv i dag, innenfor de mål og det rammeverk som er lagt for forvaltningen. Vi har lagt bak oss nok et år med svært god

mener Høyre er svært viktig å opprettholde og understreke. Det finnes få – om noen – eksempler på land som har kommet raskt til stor rikdom, som har klart å forvalte denne, slik at den har kommet flere generasjoner til gode, uten å ødelegge landets økonomi. Den brede politiske støtten – og jeg vil også legge til den folkelige aksepten – for måten vi forvalter vår felles rikdom på, er svært viktig å opprettholde. Det er et ansvar som påhviler ikke bare de politiske partiene, men også regjeringen og forvalterne å sikre at vi klarer å opprettholde den brede Jeg vil gjerne legge til at jeg i den forbindelse mener at det er viktig at regjeringen, Norges Bank og NBIM jobber videre med å sikre større åpenhet om forvaltningen av oljepengene. Der mener jeg at Norges Bank gjennom måten man man har sikret større åpenhet rundt pengepolitikken på, har gått i riktig retning. Det bør man også legge stor vekt på i forbindelse med forvaltningen av pensjonspengene. Det er viktig for å skape både aksept og forståelse for strategi og måten pengene forvaltes på. Det er lett å være med i jubelbruset når fondet tjener mye penger. Det er mer krevende i tider da markedet faller ned. Men desto viktigere er det at den brede støtten er der, slik at forvalterne kan føle trygghet i tider som er dårligere enn det vi nå opplever. Jeg husker godt tilbakeslaget i aksjemarkedet i 2002 og 2003 og ikke minst nå i forbindelse med finanskrisen, hvor fondet tapte 633 mrd. kr. Da var det viktig at det var bortimot et enstemmig storting som støttet opp om den strategien som var fastlagt. Det var og er en langsiktig strategi, og denne forankringen og robustheten er helt avgjørende når fondet står oppe i urolige tider og markedet faller. Jeg synes derfor det var noe underlig at saksordføreren trakk frem Stray Spetalen som et godt eksempel. Det kunne vel knapt finnes et eksempel som var dårligere som ledestjerne for hvordan man skulle forvalte fondet. Jeg husker godt mars 2009 da markedet var på sitt laveste og Stray Spetalen anbefalte at man skulle selge seg ned i – om det ikke var helt ut av – aksjer. Hadde man fulgt det rådet, hadde Norge som nasjon vært flere hundre milliarder kroner fattigere. Jeg er derfor glad for at det var et stort flertall i Stortinget som anbefalte en annen strategi. Selv om Høyre er enig i hovedtrekkene i forvaltningen av regjeringens oppfølging av pensjonsfondet, etterlyser vi en mer fremoverlent holdning til spørsmål som naturlig melder seg etter hvert som fondet vokser. Først og fremst gjelder dette organiseringen av NBIM og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Det var riktig å legge forvaltningen til Norges Bank i sin tid, og Norges Bank har vært et godt hjem for fondet, som har fylt 15 år. Men de av oss som er tenåringsforeldre, vet at det at det har vært et godt hjem, trenger ikke å bety at tenåringene skal bo hjemme i all fremtid. NBIM er blitt større enn den tradisjonelle delen av sentralbanken, og det krever en tett og kompetent oppfølging på alle nivåer.

av mulige modeller. Det ble der pekt på én mulighet, som kunne være å opprette en egen pengepolitisk komité, slik at hovedstyret kan konsentrere seg om oppfølgingen av Statens pensjonsfond utland. En annen modell kunne være en utskillelse av fondet. Høyre mener at disse modellene bør utredes videre, slik at vi kan få vurdert om dagens forvaltning er den optimale, eller om vi skal velge en annen for fremtiden. Men la meg igjen understreke at Høyre er opptatt av at det skal være en bred politisk oppslutning og støtte til eventuelle endringer i måten som fondet organiseres på. Men regjeringen bør merke seg at de fire borgerlige partiene står sammen om et forslag i dag, hvor vi ber om en videre utredning. Et annet område hvor vi ser en lite fremoverlent holdning fra regjeringen, er alternative investeringer, herunder unoterte aksjer og «private equity». Stortinget har fått seg forelagt rapporter som viser at det er et betydelig potensial for å utnytte fondets særtrekk som et stort og langsiktig fond, gitt at investeringene foretas på riktig måte. Det er en rekke skjær i sjøen, og det er derfor viktig at Finansdepartementet setter opp et robust rammeverk for investeringene. I stedet for å ta tak i disse krevende utfordringene synes det som om regjeringen skyver hele problemstillingen foran seg. Midt oppe i stortingsmeldingen om forvaltningen av pensjonsfondet skal vi ikke glemme hvorfor vi har opprettet fondet. Det er en konstruksjon som en hel verden gir anerkjennelse til, en unik måte å fase inn store beløp i økonomien på på en kontrollert måte, hvor det er særlig viktig å legge vekt på at dette ikke skal skade den konkurranseutsatte delen av økonomien. Høyre mener det er viktig at vi følger opp den brede enigheten det var da vi behandlet St.meld. nr. 29 for 2000–2001, nemlig at penger brukt inn i økonomien som følge av det handlingsrommet som handlingsregelen gir, skal kanaliseres til vekstskapende aktiviteter, nemlig i infrastruktur, utdanning og forskning og vekstfremmende skattelettelser. Dette var også et av hovedpoengene i sentralbanksjef Øystein Olsens årstale hvor han etterlyste: «Prioritering av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet Det mener jeg var godt sagt. La meg helt til slutt erklære meg uenig også på et annet punkt i saksordførerens fremleggelse. Det er knyttet til tolkningen av finansministerens pressemelding. Det at pengene i Statens pensjonsfond utland ikke er øremerket til pensjoner, betyr ikke at det ikke har noe med pensjoner å gjøre. Nettopp det at vi evner å bygge opp et stort fond, forvaltet på en riktig og langsiktig måte, gjør at dagens og fremtidens pensjonister kan føle trygghet for at pensjonen står på konto hver måned.

å gjøre. Det at det ikke er øremerket pensjon, undergraver ikke dette viktige poenget, nemlig at det skaper trygghet for pensjonen.

De etiske retningslinjene har vært viktige for å sette en stopper for at Norge gjennom fondet bidrar til grove og systematiske menneskerettighetsbrudd, barnearbeid eller opprustningskappløp. De aller fleste er nå enige om at det er fornuftig å ha slike etiske retningslinjer, sjøl om dette på langt nær alltid har vært tilfelle. Debatten står nå heldigvis ikke så mye om, men i hvor stort omfang vi skal ta etiske hensyn. Nesten ukentlig får SPU kritisk søkelys på seg fra organisasjoner i Norge og utlandet, som er opptatt av menneskerettigheter, urfolks rettigheter, arbeidstakerrettigheter, våpenproduksjon, miljø og klima. Det er bra, for vi trenger en mest mulig åpen debatt om hvordan vi forvalter folkets felles formue. Jeg akter ikke å skuffe representanten Jørund Rytman, så jeg tenkte jeg skulle nettopp fokusere på de etiske retningslinjene – siden jeg har et 5 minutters innlegg – og jeg mener at det er helt avgjørende at vi har et særlig fokus i debatten på akkurat dette. Jeg synes representanten Irene Johansen argumenterte godt for hvorfor det er viktig. Fremskrittspartiet skiller seg jo ut i debatten om de etiske retningslinjene, der man nå har oppnådd konsensus – nesten i motsetning til hva som var tilfellet da SV fremmet forslag om etiske retningslinjer for en god del år siden. Dette har utviklet seg gradvis, og flere og flere har sluttet seg til den oppfatninga vi har, om at de etiske retningslinjene er riktige, og at de gir oss mulighet til innflytelse – og til inntjening som flere bør være interessert i å støtte opp om. Men Fremskrittspartiet mener altså at man ikke skal blande etikk inn i butikken, for helst bør vi investere nordmenns pensjonspenger i det meste av det som er tillatt – eller egentlig alt som er tillatt – i verden, inkludert atomvåpen. Man ber til og med regjeringa legge fram en vurdering av hvordan de etiske retningslinjene potensielt kan skade Norges renommé i utlandet. Det vil jeg si er virkelighetsfjernt – det er Det vil jeg si er virkelighetsfjernt – det er i hvert fall oppsiktsvekkende. Det er mulig at våre retningslinjer skader Norges renommé, men i så fall sett med øynene til dem som i dag tjener sine penger på barnearbeid, klasevåpen, atomvåpen og sikkerhetssystemer som kan bidra til Israels folkerettsstridige politikk overfor palestinerne, bare for å nevne noe. Andre mer seriøse aktører ser på det norske pensjonsfondet som et forbilde. Vi er en finansiell stormakt, som det er blitt sagt her, og andre land, finansielle aktører og organisasjoner er svært interessert i vårt fond og vår policy for dette fondet. Det gir oss et soleklart ansvar, men det gir oss jo også noen fantastiske muligheter. Vi har diskutert dette før, men jeg gjentar det gjerne: Alt som er tillatt behøver ikke å gjøres. Etikk handler om noe mer enn å forholde seg til forbud og påbud. Dessuten er vi avhengig av folks tillit. Vi trenger oppslutning om forvaltninga av pensjonspengene våre. Jeg ønsker Fremskrittspartiet lykke til med å forklare gjennomsnittsnordmannen hvorfor vi skal investere i atomvåpen, klasevåpen, landminer og selskaper som hindrer arbeiderne i å organisere seg. SV har motsatt holdning av Fremskrittspartiet. Vi ønsker at vi skal ta flere skritt framover i retning av det vi mener er ansvarlig forvaltning. Vi vil fortsette å ta initiativ til å diskutere etikk. De etiske retningslinjene var en viktig seier da de ble innført for mange år siden etter press fra SV, som sagt, og særlig fra Øystein Djupedal, min forgjenger i finanskomiteen. Seinere har vi fått et regelverk for investeringer i statsobligasjoner. Dette er et vanskelig område som vi blir nødt til å diskutere mer inngående. Den arabiske våren og alt hva den har avdekket, også for vestlige lands vedkommende, bør få oss til å vurdere om vi bør ha en mer offensiv linje enn vi har i dag. SV ønsker også mer debatt rundt muligheten for å stille særskilte krav til selskaper som opererer i sektorer som gir særlig risiko med hensyn til grove brudd på viktige konvensjoner og menneskerettigheter. Helt til slutt vil jeg understreke at størrelsen på forvalternes honorarer skal holdes på et akseptabelt nivå. SPU er folkets fond, og folk i Norge har tradisjon for å stille seg bak likhetstanken. Skyhøye honorarer har ikke vært vanlig i Norge og bør heller ikke bli vanlig. Vi har ansvar for å sikre at folk har tillit til hvordan fondet forvaltes, og vi kommer til å følge dette tett. Statens pensjonsfond utland og innland viser våre sterke statsfinanser og viser hvilket privilegert folk vi er. Statens pensjonsfond utland og innland viser våre sterke statsfinanser og viser hvilket privilegert folk vi er. Det viser også at når vi er et sånt annerledesland, har vi et veldig stort ansvar for at vi ikke blir oss sjøl nok. Det gjelder både i forhold til internasjonal solidaritet, og det gjelder, sjølsagt, i forhold til de norske forhold, hvor jambyrdighet mellom folk er ett av de flotteste kjennemerker på et land som det er godt å bo i. Det å ha så store materielle ressurser er utrolig krevende med hensyn til at staten og det politiske Norge skal sikre denne jambyrdigheten. Det er i dag en lavkonjunktur rundt oss som er svært stor, med en stor arbeidsledighet, noe som fører til at vi får en stor arbeidsinnvandring til Norge, som fører mye godt med seg, samtidig som vi vet at den store arbeidsinnvandringa kommer i bransjer som kanskje fra før ikke har det høyeste inntektsnivået. inntektsnivået. Dermed blir det utrolig krevende å sikre denne jambyrdigheten. Jeg vil appellere til at regjeringa har økt oppmerksomhet på disse forholdene, slik at en ikke trenger å lese i statistikken hvordan det har blitt, men at en har en fornemmelse gjennom god kontakt i arbeidslivet for å forstå disse store utfordringene. Det at konjunktursituasjonen i Norge er så forskjellig fra våre viktigste handelspartnere, fører også til at vi svekker vår konkurranseevne. Når vi da må dempe verdistigningen og norske kroner, må vi føre en lavrentepolitikk, noe som for svært mange i dagens situasjon gir en negativ realrente, som dermed fører til et svært høyt et svært høyt aktivitetsnivå i privat sektor, et svært høyt privat konsum og store mengder arbeidskraftressurser inn i det private konsumet. Vi legger oss dermed også til vaner, og det kan bli svært vondt å vende disse vanene når vi må få trangere tider, ut fra en internasjonal solidaritetstankegang, om ikke andre ting vil kreve det. det. Vi diskuterer i dag Statens pensjonsfond. Vi diskuterer altså forvaltningen av naturressurser som er omplassert til finanskapital. Vi har et svært høyt tempo på omplassering av disse naturressursene. Dette er nasjonale beslutninger, men jeg vil også påpeke at det i større grad enn mange kanskje er klar over, er etter et internasjonalt påtrykk for å sikre trygg olje- og gassforsyning til den mer usikker enn det som kommer fram i det offentlige ordskiftet i Norge. Det har ikke minst sin årsak i USAs spesielle situasjon, hvor det ikke er den nødvendige balanse mellom inntekter og utgifter. Det er en ubalanse som vil måtte finne sin løsning på en måte, og som da naturlig vil innebære at den amerikanske økonomiens papirer blir svekket. Det er derfor viktig at SPU reduserer innenfor det som er en forsvarlig ramme, for å ta høyde for dette. Likevel er det et stadig større tankekors for folk flest at vi i Norge har en manglende investering i modernisering, i kommunikasjoner og i omstilling av næringslivet. Som jeg før har sagt fra denne talerstol, er det for lite fokus på lange verdikjeder knyttet til foredling av våre fornybare naturressurser. Helt til slutt: Statens pensjonsfond Norge/Folketrygdfondet har en viktig rolle som strategisk investor. Innenfor finanssektoren har sparebankene en viktig rolle og utgjør et viktig korrektiv. Derfor er det sentralt at de i større grad investerer i grunnfondsbevis, slik at sparebanker som ønsker det, kan få en kapitalbase som gjør at en kan følge

Men når vi kommer hit i salen, er det selvfølgelig mer naturlig at man tar opp noen områder der man kanskje skulle ønske noen endringer. Da har jeg likevel sagt at i det store og hele er Kristelig Folkeparti svært godt fornøyd med hvordan vi forvalter vårt pensjonsfond. Det tjener både regjering og de som er mer på i det daglige, til ære, og ikke minst Stortinget, som faktisk makter å forholde seg til de rammer for både handlingsregel og investeringer som vi har besluttet. Det er positivt. En slik årsmelding blir jo på en måte en slags utgave av «Hvem Hva Hvor»: Hvem skal investere, hvor skal vi investere, og hva skal vi investere i? Vi diskuterer alle tre spørsmålene. En samlet opposisjon – det er nevnt av flere – diskuterer i denne innstillingen litt mer hvem som skal foreta investeringene, og hvordan vi skal organisere vårt pensjonsfond fremover. Jeg har heller ikke oppfattet at regjeringen er helt avvisende til å se på det. Det kan jo være spennende å høre om finansministeren vil utdype dette noe, selv om vi selvfølgelig ikke forventer at det skal være noen absolutter her og nå. Men med den økende størrelsen som fondet får, er det vel også et poeng å se på alternative måter å organisere fondet på, ikke minst ut fra den hovedoppgave som Norges Bank tross alt har i utgangspunktet for en litt annen virksomhet enn den vi diskuterer i dag. Hva skal vi investere i? Ja, nå har vi utvidet vårt investeringsunivers til også å gjelde eiendom. Som det fremgår av forslagene, som jeg for øvrig tar opp på Kristelig Folkepartis vegne, skulle vi også sett at man kunne investert i litt andre ting enn det man gjør, i hvert fall forsøke seg på det, innenfor energi- og miljøsektoren, og ikke minst opprettet et investeringsfond med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder med en målsetting om samlet investeringsramme på minimum 10 mrd. kr. Også representanter fra posisjonspartiene har sagt at dette er noe man ønsker å se på, men jeg synes vel at merknadene er på grensen til det passive fra flertallspartiene. Hvis det betyr et skifte mot at man egentlig ikke er så interessert i det, synes jeg det er uheldig. Det siste spørsmålet er: Hvordan skal vi se på dette fondet? Det er gjentatte ganger sagt at dette ikke er en aktør i norsk utenrikspolitikk. Det kan vi gjerne si, og det mener vi, men at det i økende grad blir oppfattet slik i andre land, land, tror jeg ikke det er noen som helst tvil om. Det gir ytterligere utfordringer for forvaltningen av fondet, når størrelsen blir så stor som den nå er og vil bli. Så må jeg ta opp noe som forrige sentralbanksjef, Svein Gjedrem, sa, og som er gjentatt i årets melding, nemlig dette at vi er gjester i andres hus. Daværende sentralbanksjef Svein Gjedrem uttrykte i tillegg at eierskapet kan ikke bare tuftes på norske verdier og holdninger. Så kan man diskutere i hvilken kontekst dette er sagt, men la meg i hvert fall si fra Kristelig Folkepartis side at opptrer vi som eiere, så er vi eiere, og ikke gjester.

Representanten Hans Olav Syversen har tatt opp de forslagene han refererte til. Det er veldig mye positivt å si om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Jeg slutter meg uten videre til det som er sagt av talere før meg. Tapene i Statens pensjonsfond utland i finanskriseåret 2008 er mer enn hentet inn igjen. Dersom man ser perioden 2008–2010 under ett, har fondet hatt en samlet avkastning tilsvarende mer enn 260 mrd. kr. Og det er verdt å merke seg at dersom vi hadde redusert risikoen i fondet i 2008 eller 2009, ville gjeninnhentingen i oppgangsperioden etter finanskrisen ikke vært like sterk. Dette viser etter mitt og Venstres syn behovet for en bred forankring av viktige sider ved forvaltningen av Statens pensjonsfond, som nesten alle har vært inne på her i dag. En slik forankring er en forutsetning for en langsiktig og trygg forvaltning. Det er viktig at en evner å stå fast ved en langsiktig strategi, særlig når det er uro i markedet. Jeg er derfor glad for at det er et stort flertall i Stortinget som på vegne av det norske folk har valgt en slik klok strategi.

også an til å vokse betydelig i årene som kommer. Ifølge meldingen legges det til grunn at fondet i 2020 kan bli om lag dobbelt så stort som det er i dag. Det stiller oss overfor en del problemstillinger som ikke er drøftet i meldingen, men som det etter mitt og Venstres syn er viktig å ta med seg i den videre debatten. Dette gjelder spesielt følgende: Er handlingsregelen god nok og tilstrekkelig? Bruker vi avkastningene best mulig og slik planen var? Er åpenheten om forvaltningen, om investeringer og uttrekk, god nok?

også av hensyn til konkurranseutsatt næringsliv. Det er en viktig debatt. Jeg er usikker på hva det riktige svaret er, men kanskje må handlingsregelen utvides ved at man legger til et tillegg, som f.eks. at handlingsregelen fortsatt skal være 4 pst., men dog ikke mer enn en fastsatt prosentsats av BNP.

hvorfor regjeringen etter vårt og flere andres syn har et noe selektivt syn på f.eks. vekstfremmende skattelettelser. Jeg skal la den debatten ligge akkurat nå, men jeg tror det ville være bra for den fremtidige forvaltningen av fondet at vi, som er enige om forvaltningsstrategi og om handlingsregelen, også i større grad blir enige om hvordan avkastningen skal brukes. Jeg ber derfor finansministeren ta initiativ med det siktemål å få til en slags samforståelse av bruken av avkastningen, og at dette gjerne kan konkluderes i forbindelse med neste års behandling av forvaltningen av SPU.

men vi kan alltid bli bedre. Venstre var for to år siden klar på at det beste ville være at Riksrevisjonen fikk det løpende revisjonsansvaret for Norges Bank, og dermed SPU. Dette fikk ikke flertall, og jeg skal ikke ta omkamp på det her i dag. Dagens ordning får få en sjanse, men jeg allikevel oppfordre regjeringen til fortløpende å vurdere om ikke Riksrevisjonen parallelt bør få en formell revisjonsrolle, i tillegg til et internasjonalt revisjonsfirma, fordi jeg tror det vil bidra betydelig til Stortingets mulighet til å drive kontroll og revisjon av Norges Bank og sikre seg mest mulig åpenhet rundt forvaltningen av vår felles pensjonsformue. Som representanten Syversen reiser jeg litt, jeg også. Og det er

det politiske system i Norge til ære at vi har klart det gjennom veldig mange år. Grunnen til at det er slik, er at oljeformuen er folkets eiendom. Det ble slått fast allerede i 1974. Og det er Stortinget, som på vegne av folket skal forvalte denne formuen, og forvalte den på en måte som gjør at det ikke bare er til beste for vår generasjon, men generasjoner. Så er det viktig å understreke at for å skape størst mulig oppslutning om måten vi forvalter fondet på, må det også forvaltes i tråd med verdier som er forankret i det norske folk. Det er det viktig å understreke. Debatten i dag, høringen vi hadde 20. mai, og det faktum at det er et bredt flertall som slutter seg til måten vi gjør dette på, viser at vi i fellesskap tar denne oppgaven med stort alvor. er ikke bare viktig at vi har hatt enighet i historisk sammenheng. Det er også viktig at vi forankrer dette bredt i årene framover. Dette fondet skiller seg på mange måter fra andre fond. Det er stort, det er langsiktig, og det er eid av folket. Det vil selvsagt både stille krav til og legge rammer for forvaltningen. Derfor inviterer vi også i år til en debatt om videreutvikling av fondets investeringer. investeringer. Som tidligere ønsker vi også å diskutere planlagte endringer i strategien før de blir gjennomført. Bare på den måten kan vi leve opp til ønsket og målsettingen om å være en langsiktig Så vil det alltid være slik at en diskusjon om såpass store ting som dette dreier seg om, også vil dreie seg om enkeltsaker. Det er helt naturlig. Men jeg synes det er viktig – og det lever vi opp til i diskusjonen i dag – at vi også ser på de lange linjene i fondet. Det skjer i forbindelse med meldingen i 2010. Det vil også skje i framtidige meldinger. Så er det helt klart at fondets størrelse og veksten i fondet i årene framover i seg selv blir en betydelig utfordring. Fra departementets side vil vi legge opp til en åpen og fordomsfri diskusjon rundt det, både om hva det krever i forhold til strategier på investeringssiden, og når det gjelder måten en skal organisere investeringene på. Men samtidig vil jeg understreke at vi har gjort en del endringer nå i forhold til forvaltningen i Norges Bank. Det er viktig at det får virke, og det er viktig at en ikke her skaper usikkerhet over tid om hvordan fondet skal forvaltes. Men at vi skal ha og bør ha en debatt om slike ting, er viktig. Så vil jeg også understreke at erfaringer helt fra 1996, da det første innskuddet kom i oljefondet, viser at ingen plassering er risikofri. Vi må på en måte akseptere at det er risiko, men det er selvsagt også fortjeneste å hente. I årets melding varsler vi at vi over tid vil redusere andelen investert i Europa, og at vi vil vurdere andelen framvoksende markeder på nytt. Vi vurderer flere endringer i obligasjonsporteføljen. Vi åpner ikke nå for investeringer i nye aktivaklasser. Men det ligger ikke i det at vi ikke vil diskutere og vurdere det etter hvert som vi skaffer oss ny erfaring på flere områder. Vi foreslår at det skal innføres et generelt tak på eksterne honorarer i SPU. Når det gjelder SPN, altså det gamle Folketrygdfondet, har vi hatt en særlig gjennomgang av aktiv forvaltning, og planlegger å videreføre dagens ramme. Det siste året har det vært mye diskusjon om aktiv forvaltning, og særlig ekstern forvaltning. Samtidig har noen tatt til orde for økte investeringer i unoterte og andre mer uprøvde markeder. Det i seg selv vil i tilfelle gi mer ekstern og mer aktiv forvaltning. Det er viktig å ha det med seg i denne diskusjonen. Vi har gjort mange tiltak for å styrke kontrollen og tilsynet av fondet. Som jeg sa, det er viktig at dette er tiltak som virker en tid, før vi eventuelt foretar større endringer i rammeverket rundt fondet. Så er det viktig at det er en tydelig ansvars- og rolledeling mellom de nivåer i forvaltningen som har noe med fondet å gjøre, fra Stortinget og ned til den enkelte forvalter. I tillegg er det viktig med gode kontroll- og tilsynsenheter på alle nivåer, og at arbeidsdelingen mellom de ulike Riksrevisjonen spiller en viktig rolle i den offentlige forvaltningen. Samtidig er det viktig at vi i forvaltningen av SPU og SPN har en klar arbeidsdeling. Derfor er det bra at komiteen på ny klargjør hva som er ansvars- og rolledelingen mellom det stortingsoppnevnte representantskapet, ekstern revisor og Riksrevisjonen. Etter mitt syn vil det styrke forvaltningen ytterligere. ytterligere. Vi tar de etiske utfordringer som ligger i å være en stor og bredt fordelt investor, på det største alvor. I rollen som ansvarlig investor skal vi ivareta verdier i vid forstand: Vi skal sikre langsiktige avkastninger, og vi skal sikre – som jeg sa i stad – at forvaltningen samsvarer godt med det felles verdigrunnlag som befolkningen representerer. Det vil være utfordrende, og vi må stadig håndtere kompliserte spørsmål. Hva er det mest etisk riktige å gjøre i en situasjon hvor vi kjenner til at det skjer menneskerettsbrudd, eller det er fare for miljøforurensning? Skal vi umiddelbart selge eierandeler, skal vi søke å påvirke selskapet, eller skal vi gå åpent ut med vår bekymring, samtidig som vi gir selskapet en eventuelt også i fellesskap med flere eiere i selskapet? Den siste muligheten, som vi kaller observasjon, er noe som vi innførte retningslinjer for fra 1. mars 2010. Vi tar rollen som ansvarlig investor med stort ansvar. Samtidig er det helt klart at vi heller ikke med dette fondet kan oppfylle alle ideelle fordringer. Men vi skal strekke oss langt, for vi ønsker å være ikke bare et godt fond på det området, men å ligge i fremste verdensklasse når det gjelder ansvarlige investeringer og etisk ansvar. Så har jeg merket meg at flere av komiteens medlemmer etterlyser mer informasjon om kostnadsutviklingen i fondet. Det er naturlig at en i takt med at fondet vokser og strategien utvides til nye aktivaklasser, nå utvider rapporteringen om kostnadsutviklingen. Derfor har en nå i årsrapporten fra Norges Bank presentert nye analyser for utviklingen i forvaltningskostnadene. Jeg legger også opp til at vi i neste års melding om pensjonsfondet skal gi en enda mer detaljert presentasjon av

Det er noe lavere enn de 4 pst. som ligger til grunn for handlingsregelen, men 4 pst. er likevel et rimelig anslag på forventet realavkastning over tid. Historien har vist at gjennomsnittlig avkastning kan variere betydelig i perioder på selv 10–20 år. Hvis en skulle endre regelen hver gang avkastningen skulle vise seg å bli annerledes enn det vi

Når man ser på det som har skjedd i løpet av disse årene, har vi utviklet en næring som på en måte har vokst seg stor, og som har betydd og vil bety store økonomiske muligheter for Norge i årene framover. Det å forvalte dette på en slik måte at det kommer både dagens generasjon og framtidens generasjoner til nytte, er vår viktigste oppgave. Takk for ordet! Det blir replikkordskifte. Er

med den høye veksten i personalkostnader? Synes han det er greit at man bare noen måneder etter at budsjettet ble vedtatt i desember, kan kutte 25 pst., ca. 1 mrd. norske kroner, i kostnadene, siden man har endret strategi? Jeg mener å huske at Slyngstad under høringen i finanskomiteen sa at man kunne kutte kostnadene til eksternforvaltere med 50 pst., og at disse opprinnelig var budsjettert med Tyder det på at man har god nok kontroll på kostnadene? Gjør departementet en god nok jobb med å sjekke budsjettene fra NBIM? I dag, har jeg forstått, skal budsjettene godkjennes både av hovedstyret i Norges Bank, representantskapet i Norges Bank og av Finansdepartementet. For meg kan det virke som at ingen av disse gjør en god nok jobb i forhold til budsjettprosessen i NBIM. Kommer det klart nok fram hvem som faktisk godkjenner budsjettene i NBIM, og synes finansministeren at man sjekker budsjettene godt nok?

2010. Grunnen til at det ble forholdsvis stor kostnadsvis økning fra 2010 til 2011 i forhold til budsjettet, var at kostnadene gikk ned i 2010. Så er det riktig som det ble vist til her, at i høringen kom det fram at kostnadene har gått betydelig ned i 2011. Det framgår også av kvartalsregnskapet som ble lagt fram for en måneds tid siden. Så kostnadene Så kostnadene ligger nå betydelig under. Jeg er helt enig med spørreren i at det er viktig at både vi og NBIM og Norges Bank prøver å lage så gode anslag som mulig for budsjettet. Men det viktigste er faktisk at man klarer å ha lave kostnader over tid.

Mitt spørsmål knytter seg imidlertid til et annet poeng som finansministeren var inne på, i likhet med komiteen. Det knytter seg til rolle- og ansvarsfordelingen i kontrollen av Norges Bank og SPU. Der understreket finansministeren, i likhet med et bredt flertall i komiteen, at Riksrevisjonens oppgave er å foreta forvaltningsrevisjon av Finansdepartementet, mens mens det tilligger representantskapet og ekstern revisor å føre kontroll og tilsyn med Norges Bank og SPU. Dette er en tilbakevendende debatt. Spørsmålet mitt er hvordan finansministeren ser for seg at han kan sikre at denne diskusjonen ikke kommer opp igjen. Vil det, om nødvendig, være behov for endringer i lov- og regelverk?

Så håper jeg at den avklaringen som nå skjer gjennom merknaden, er tilstrekkelig. Men hvis det skulle vise seg at det ikke er det, vil jeg eventuelt i samråd med Stortinget vurdere hvordan jeg skal ta den saken videre. Når det gjelder revisjonen og ansvaret for den, vet vi jo at Riksrevisjonen er et stortingsoppnevnt organ. Presidenten er i hvert fall vel kjent med at kontrollkomiteen har adressert akkurat dette forhold. Så jeg regner i grunnen med at det skulle bli unødvendig med noen ytterligere presiseringer i så måte. Jeg er veldig glad for at finansministeren fondet skal forvaltes ut fra verdier som er forankret i det norske folk. Det oppfatter jeg også som at man ikke skal hengi seg til å bli gjester i andres hus, men ha et aktivt eierskap, og utøve det i tråd med det Stortinget har ønsket. Det er jeg glad for. Mitt spørsmål går på investeringsprogrammet i fremvoksende og mindre utviklede markeder. Er dette noe dette storting vil få seg forelagt? Jeg vil først takke for den støtten som kom i første del av replikken. Når det gjelder den andre delen, er det slik at vi for så vidt investerer i framvoksende markeder, altså i noterte aksjer i framvoksende markeder. Det vi har sagt, er at vi foreløpig verken i utviklede eller framvoksende markeder vil investere i unoterte papirer eller unoterte aksjer. Det betyr at det vi nå ønsker, er å skaffe oss noe mer erfaring på eiendomsområdet, å bygge opp kompetanse og kapasitet på det området. Vi ser for oss at dersom man skal gå inn i unoterte

Sentralbanksjefen påpekte hvordan handlingsrommet blir brukt «til å gjennomføre standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder.» Så fortsatte han: «Prioriteringer av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet, synes derimot å ha kommet noe i bakgrunnen.» Så mitt spørsmål til finansministeren blir da: Ser han behovet for en felles forståelse av hva avkastningen skal brukes til, og vil han i så fall ta initiativ til dette? Handlingsregelen er en forutsigbar regel for innfasing av oljeinntekter i økonomien. i økonomien. Det er viktig å ha det i bunnen. Så er det slik, som det er blitt sagt av andre, at de ca. 100 milliarder kronene som nå brukes i inneværende år, har ingen øremerking ved seg. Det er jo totaliteten i statsbudsjettet som avgjør hvilke prioriteringer som flertallet i Stortinget synes er viktig. Som et eksempel: I perioden 2005 og framover har det vært en betydelig økning i investering til forskning, forskning, til infrastruktur, til utdanning og på en rekke viktige områder som bygger opp under vekstevnen i norsk økonomi. Så jeg tror at det på slutten av debatten, eller på slutten av dagen, som det heter i debatter, først og fremst blir en diskusjon om hvordan en prioriterer de om lag 1 000 milliarder kronene som brukes i de årlige statsbudsjetter, og at det ikke er noen øremerking av bestemte midler.

For øvrig har jo staten en glimrende ordning med oppkjøp av kunst i forbindelse med bygg som blir bygd i Norge, men jeg har ingen planer om å la SPU investere direkte i kunst. Det kan godt hende at noen selskaper vi investerer i, har kunstsamlinger, men det er en helt

Statens pensjonsfond og de summene som ligger der. Jeg har lyst til å knytte noen kommentarer til dette med honorarer, for jeg tror alle er interessert i å holde honorarnivået nede. Selvfølgelig er det en målsetting å kontrollere honorarnivået. Der har jo også begrepet «nedsidebonus» dukket opp i noen merknader. Det vil jeg ganske sterkt advare mot, for det er enorme beløp som forvaltes av hver enkelt forvalter. Skulle man begynne å sette nedsidebonus, tror jeg det ville komme til å bety at man måtte presse opp de faste honorarene ganske betraktelig, nettopp fordi selv en bitte liten nedsidebonus raskt ville kunne bety at man fikk negativt honorar for å forvalte et fond. Vi har vel alle sett oppslag om honorar til enkeltforvaltere på 500 mill. kr og slike ting – det tror jeg alle gremmes over. Men den helt sentrale utfordringen i forhold til et bonussystem er jo å utforme systemet slik at forvalter har de samme interessene som fondet, og det er ingen enkel oppgave. Når man setter seg ned og skal prøve å finne ut hvordan man faktisk lager samsvar mellom en forvalters interesse og et fonds interesse, slik som Statens pensjonsfond utland, er det uhyre vanskelig, og jeg ser fram til debatten om hvordan man faktisk skal utforme slike regler. Det tror jeg er en debatt som Stortinget bør ha nesten hvert eneste år, for det er ikke mulig å forutse alt som skjer, og det er heller ikke mulig å forutse alle utslag en slik forvalteravtale kan få. Så der innser jeg at finansministeren har en vanskelig oppgave. Jeg ser i og for seg fram til debattene rundt det, og håper vi unngår altfor mange oppslag om 500 mill. kr til én forvalter. Så til det siste: Det kommenteres også at man har hyret inn Mercer for å se litt på klimautfordringene. Dette tror jeg også er en problemstilling man skal nærme seg med en veldig stor skepsis. Jeg tror det er grenser for hva modeller faktisk kan forutse, det gjelder å begynne å forutse hvordan Statens pensjonsfond skal tilpasse seg klimaendringer som i høyeste grad er usikre, tror jeg man bare har ett alternativ: å tilpasse seg de løpende utfordringer som dukker opp når man ser hvordan klimaendringene faktisk slår ut. Det betyr ikke at man ikke skal kunne bruke noen beløp på å se om det er mulig å få noen scenarioer, men jeg vil nok samtidig si at man bør holde de kostnadene nede. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 10 minutter,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

og høy statsgjeld i flere industriland gjør den videre utviklingen uviss. De omfattende hjelpetiltakene rettet mot bank- og finanssektoren, en aktiv motkonjunkturpolitikk og effektene av de automatiske stabilisatorene har påført mange land svært høye gjeldsbyrder. Å rydde opp i såkalt gammel moro blir en omfattende og krevende jobb i mange land framover. Foreløpig har veksten heller ikke vært sterk nok til å bedre situasjonen på arbeidsmarkedene, og man ser fortsatt svært høy arbeidsledighet i mange land utenfor Norges grenser. En samlet komité er derfor bekymret for følgene vedvarende høy arbeidsledighet vil ha på økonomien og for enkeltmennesker, når ledigheten på tross av nedgang i noen land generelt forblir langt over nivået fra før

kommer ikke av seg selv, den er et resultat av en rekke politiske valg. Også vi i Norge står overfor utfordringer framover. Ny uro internasjonalt kan slå raskt inn i det norske finanssystemet. Vårt beste forsvarsverk mot internasjonale tilbakeslag er i den sammenheng evnen til å holde orden i eget hus framover. En samlet komité er også bekymret over at stadig flere hushold i Norge har en gjeldsbelastning som gjør dem sårbare for høyere renter, økt arbeidsledighet, eller fall i boligprisene. Konsekvensene av høyere rente kan utgjøre en trussel for enkeltpersoners økonomi, men også mot den overordnede finansielle stabiliteten, dersom folk ikke lenger har råd til å betjene sine lån. En samlet komité understreker videre i innstillingen i år som i fjor, hvordan den norske innskuddsgarantiordningen har vært viktig for å sikre innskyternes rettigheter og stabilisere innskuddsdekningen i bankene. Komiteen gir på dette punktet full tilslutning til regjeringens arbeid overfor EU for å sikre videreføringen av den norske garantien. Vi er også positive til at regjeringen arbeider for at Norge skal ta aktivt del i det arbeidet som skjer i kjølvannet av finanskrisen ved å innføre nye og bedre reguleringer av finansmarkedene. Komiteen har i innstillingen videre vist til at et av spørsmålene som har hatt særlig fokus internasjonalt, er problemstillinger knyttet til bankene som såkalte systemviktige institusjoner.

i større grad betaler kostnadene forbundet med myndighetenes hjelpetiltak til bank- og finanssektoren. De samme partiene mener at dette spørsmålet også kan være relevant i Norge. Vi vil komme tilbake til diskusjonen om disse forslagene når Stortinget senere skal behandle Finanskriseutvalgets rapport. Helt til slutt: Det har ved en inkurie sneket seg inn to nesten identiske setninger i flertallets merknad helt sist under kapittel 10.2, side 14 i innstillingen. Nest i flertallets avsluttende merknad skal strykes, så blir det korrekt. Med dette anbefaler jeg innstillingen. Finansmarkedsmeldingen for 2010 en samlet oversikt over denne viktige sektoren. Som alltid gir meldingen en god og samlet oversikt, og finanskomiteen har også på de fleste områder levert enstemmige merknader, noe vi har gjort gjennom flere år. Det er vel på mange måter en styrke at vi kan være enige om situasjonsbeskrivelsen, og så kan det være at vi på enkelte områder selvfølgelig kan være uenige om hvordan en del utfordringer skal løses. Som en del av saksbehandlingen av meldingen, har det også i år blitt holdt høring med sentralbanksjefen. Sentralbanksjef Øystein Olsen leverte en solid innsats under høringen, etter mitt syn, og jeg har lyst til å uttrykke tilfredshet med klare svar på komiteens spørsmål – det var absolutt klare svar sentralbanksjefen leverte. Det var en positiv opplevelse – meget bra! Stortingsmeldingen gir også et tilbakeblikk på fjoråret. Men vel så viktig: Når vi har denne meldingen til behandling, er det situasjonen i Europa og den øvrige verden vi bør vie mest oppmerksomhet, i likhet med i fjor. Flere europeiske land har enorme utfordringer. Euroen er satt under betydelig press, og store beløp bevilges i et forsøk på å stabilisere økonomiene. Dette får også konsekvenser for Norge. Med en åpen økonomi og et stort eksportrettet næringsliv vil man merke den økonomiske uroen som råder i våre viktigste markeder. Derfor mener Fremskrittspartiet at vi her i Norge også må være villig til å komme med tiltak som kan lette situasjonen for vårt lands næringsliv, hvis og når det kan bli behov for denne typen tiltak. Det ble agert raskt da man hadde finanskrisen. Men ettervirkningene er der ennå, og også nå må man være villig til å komme raskt på banen med tiltak ved behov. For Norge, som har penger på bok, kan en slik situasjon vi har i Europa, likevel være positiv på noen områder. Vi har gjennom Fremskrittspartiets forslag som skal behandles i revidert nasjonalbudsjett i morgen, utfordret Stortinget til å bevilge betydelig mer midler til nødvendige investeringer her hjemme. Og det er slik at med høy arbeidsledighet i mange europeiske land, har man det man populært kaller kjøpers marked. Vi som har økonomiske midler, burde nå benyttet en slik situasjon til nødvendig utbygging av norsk infrastruktur gjennom større anbud, hvor vi kan nyttiggjøre oss den ledige kapasiteten i Europa. Dette vil også være positivt for de land som nå sliter med høy arbeidsledighet. La meg så gå over til situasjonen for vårt finansmarked. Jeg har lyst til å referere noe komiteen uttrykker, på følgende måte i innstillingen: noe komiteen uttrykker, på følgende måte i innstillingen: «Komiteen vil påpeke at robuste og effektive finansmarkeder og betalingssystemer krever god risikostyring og soliditet i finansinstitusjonene. Komiteen konstaterer samtidig at den norske reguleringen av finansmarkedene har vist seg å være vellykket gjennom den internasjonale finanskrisen. Soliditeten i de norske bankene ble også styrket i 2010, som et resultat av en økning i kjernekapitaldekningen i 2009. Komiteen poengterer imidlertid at Norge har en liten og åpen økonomi, og at det således er av avgjørende viktighet for våre interesser med solide finansielle systemer også på globalt nivå. Komiteen er derfor opptatt av at regjeringen følger internasjonale initiativer på disse områdene aktivt.» Jeg har lyst til å presisere at de reguleringer Norge har hatt på dette området, har vært vedtatt med enstemmig tilslutning fra Stortinget. Behovet for gode og fornuftige reguleringer har vi altså alle vært for. Når man nå i det videre arbeidet skal vurdere behovet for endringer av lovverket, er det etter Fremskrittspartiets syn viktig at man i størst mulig grad legger seg på et nivå når det gjelder reguleringer, som harmonerer med resten av verden. Eventuelt større og striktere restriksjoner i Norge kan bli en hemsko i konkurransen. Her er det viktig at man i størst mulig grad samordner regleverk, og så langt konstaterer jeg at dette også har Også i årets behandling av finansmarkedsmeldingen er det naturlig å vie oppmerksomhet til innskuddsgarantiordningen, som også saksordføreren gjorde i sitt innlegg. Det er et samlet storting som stiller seg bak viktigheten av å opprettholde dagens gode og fornuftige innskuddsordning i Norge. Fremskrittspartiet vil derfor gi ros til regjeringen for det arbeidet som har vært utført. Vi konstaterer at vi for så vidt ikke er helt i mål, men vi har tiltro til at vi skal kunne klare å komme i mål med en innskuddsgarantiordning som vil være positiv for det norske folk og det norske banksystemet. Avslutningsvis vil jeg trekke fram en fellesmerknad fra opposisjonen knyttet til offentliggjøring av referat fra møtene i hovedstyret i Norges Bank. Som kjent offentliggjøres ikke referatene i dag. Blant annet Norges Bank Watch har gjentatte ganger påpekt viktigheten av en slik offentliggjøring. Det er et synspunkt Fremskrittspartiet deler. en slik offentliggjøring. Det er et synspunkt Fremskrittspartiet deler. En slik offentliggjøring vil være å praktisere meroffentlighet og vil være positivt. Fremskrittspartiet er derfor glad for at en samlet opposisjon stiller seg bak denne merknaden. Finansmarkedsmeldingen for Finansmarkedsmeldingen for 2010 tar for seg forutsetninger for og utsiktene til finansiell stabilitet. En gjennomgang viser at krisepakkene har vært effektive, men at det er knyttet stor usikkerhet til den videre utviklingen i internasjonal økonomi, som også flere internasjonale Oppgangen forklares selvfølgelig i første rekke med myndighetenes ekspansive økonomiske politikk, enstemmige vedtak i Stortinget samt at mange foretak bygger opp varelagrene sine. Omfattende hjelpetiltak rettet mot bank- og finanssektoren og en svært ekspansiv finanspolitikk har påført mange land høye gjeldsbyrder, som kommer til å påføre Europa økte utfordringer og derigjennom indirekte Norge også i de nærmeste årene. Høyre er svært opptatt av norsk næringslivs konkurranseevne i det internasjonale markedet. Forholdsvis høy produktivitetsvekst i næringslivet har over flere år kompensert for relativt høye lønnsoppgjør sammenlignet med våre konkurrentland. Frontfagsmodellen i lønnsoppgjørene har medført at lønnsoppgjøret for konkurranseutsatt sektor har vært premissgivende for øvrige lønnsforhandlinger og resultater. Det har det vært et brudd med i år. Til og med på finanskomiteens høring om statsbudsjettet sa KS at deres eget lønnsoppgjør kanskje hadde gått over forventningene. Statlig og kommunal sektor var over privat sektor. Det kan etter vårt syn ikke lenger fortsette. Den sveitsiske handelshøyskolen IMDs «World Competitiveness Yearbook» for 2011 kom ut i mai 2011. Rapporten viser at Sverige klatrer fra 6. til 4. plass på listen over landene med best konkurranseevne, mens Norge faller fra 9. til viser at Norges lønnsvekst er langt høyere enn veksten i vår produktivitet. Rapporten peker på flere faktorer som gjør at Norge faller på listen: et komplisert skattesystem med høye skatter, et lite fleksibelt arbeidsmarked, lite nytenkning og en mer lukket økonomi. Også på listen over effektivitet i offentlig sektor faller – kanskje ikke overraskende – Norge fra 7. til Høyre konstaterer også i dag at regjeringen viser liten vilje og evne til å ta tak i disse utfordringene. Over tid vil svekket konkurranseevne og manglende modernisering av offentlig sektor undergrave den velferden vi alle ønsker å ha i Norge. Den norske stat har ikke hatt direkte regnskapsmessige nettokostnader knyttet til tiltakene i forbindelse med finanskrisen. finanskrisen. Staten har mottatt inntekter fra både Statens obligasjonsfond og Statens finansfond i hele perioden, og disse har faktisk alle sammen vært på markedsmessige vilkår. På denne bakgrunn ser vi det i Høyre som lite relevant å ilegge en ytterligere stabilitetsavgift med formål å dekke inn statens kostnader. Finansielle tjenester er i hovedsak unntatt fra merverdiavgift. Det betyr at finansnæringen på denne måten ikke betaler den samme type avgifter som andre deler av norsk næringsliv og internasjonalt næringsliv gjør. Høyre vil likevel understreke at dette unntaket stort sett gjelder for hele næringen globalt sett, og vil advare regjeringen mot å innføre norske særavgifter som svekker norsk finansnærings konkurranseevne. Finansdepartementet skriver: «Finansdepartementet ser det som tenleg at Noreg følgjer opp dei nye likviditetsreglane frå Baselkomiteen relativt tidleg. Dei nye likviditetsreglane kan innførast raskare i Noreg enn i mange andre land. Årsaka er at den økonomiske utviklinga i Noreg er god, og at finansinstitusjonane er solide. Det gjev oss større fridom til å vurdera kva som er høvelege likviditetskrav i ljos av røynslene frå den internasjonale finanskrisa.» I kjølvannet av finanskrisen er bred enighet om at det må innføres nye og bedre reguleringer av finansmarkedene internasjonalt, og det er igangsatt omfattende prosesser for å få dette på plass i G20, IMF, OECD, Baselkomiteen, Financial Stability Board, FSB, og EU. Høyre er positive til det arbeidet som nå gjøres gjennom Baselkomiteen Høyre er positive til det arbeidet som nå gjøres gjennom Baselkomiteen og i EU med nye krav til kapitaldekning. De nye reglene vil medføre endringer både når det gjelder soliditet og likviditet. Nye krav vil bidra til at finansnæringen blir mer robust ved nye kriser. Men Høyre deler noe av den skepsisen som Finanstilsynet har til å gjennomføre egne krav i Norge eller Norden. Høyre viser til den pressemeldingen som Finanstilsynet og Skogstad Aamo sendte ut på Finansnæringens dag: «Foreløpig bør man være varsomme med å formulere norske eller nordiske særkrav til kapitaldekningen. Det er imidlertid realistisk å regne med en styrking av kapitaldekningen mellom 1 og 2 prosentenheter for å imøtekomme markedets krav i lys av de nye internasjonale I tillegg til at en stor del av de årlige overskudd må brukes til økt egenkapital, kan det da bli behov for mellom 30 og 50 milliarder fra markedet.» Høyre vil, i likhet med Fremskrittspartiet, benytte anledningen til å gi regjeringen ros i forbindelse med den norske innskuddsgarantien. Selv om den formelt sett ikke er vedtatt, tyder alt på at Norge klarer å opprettholde den norske innskuddsgarantien. Dermed har regjeringen og finansministeren gjort en veldig god jobb for norsk næringsliv, for norske privatkunder og tilliten til bankene generelt. Det er godt jobbet, og et samlet storting slutter seg til det, vil jeg tro. Høyre frykter at norske særkrav og eventuelle nye skatter for finansnæringen vil svekke næringens konkurranseevne og kunne gå ut over vekstmulighetene. Det kan bli vanskeligere for norske bedrifter å få lån, og prisen på kreditt vil kunne gå opp. I finansmarkedsmeldingen har man også kommentert at Norges Bank gradvis har praktisert mer åpenhet, både generelt og i forbindelse med utøvelsen av pengepolitikken. Høyre støtter at referatene fra hovedstyrets rentemøter offentliggjøres, og synes at dette bør fortsette. Høyre deler denne oppfatningen og mener det vil være en naturlig videreføring av Norges Banks åpenhet, som også Norges Bank Watch sier. Det er riktig å offentliggjøre hvilke momenter som er drøftet i hovedstyrets rentemøter, dog uten å knytte dette til det enkelte styremedlem. Høyre mener at et slikt vedtak vil gi en enda bedre offentlig debatt om utøvelsen av pengepolitikken, og vil være egnet til å styrke Norges Banks renommé ytterligere.

Høyre stemte imot. Høyre mener det er viktig at det vises moderasjon i finansnæringen. Det er et særlig ansvar for styrene å sikre dette. Flere har konstatert at høye bonuser har blitt byttet ut med en kraftig økning i fastlønn. Det ser ut til at dette har vært bransjens mottrekk mot begrensninger i bonusavtaler, i tillegg til at det nå benyttes mer og mer «sign-on fees» for å På denne bakgrunn setter vi et spørsmålstegn ved om regjeringens innstramming har fungert etter hensikten, og minner altså om at Høyre stemte mot denne begrensningen som regjeringen har foreslått. Folketrygdfondet er også en del av finansmarkedsmeldingen og har som oppgave å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens I 2010 fikk man et resultat på kr. 17,8 mrd. kr, som gir en ganske pen avkastning på 15,3 pst. nominelt. SPN kjøper ikke lenger netto aksjer i Norge, ettersom fondet ikke blir tilført nye penger. Men det kan være verdt å minne om at staten er en svært stor aktør på Oslo Børs, både gjennom eierpostene i Statoil, Telenor, DnB NOR, Norsk Hydro og gjennom investeringene i SPN i tillegg.

Småbanker søkte, og det ble til slutt innvilget kr 4,1 mrd. kr av de 50 mrd. kr. Nå gjenstår kun 1,5 mrd. kr fordelt på 25 småbanker, og det forventes en snarlig avvikling av fondet når bankene har betalt tilbake. Vi ser fram til en dialog med departementet og regjeringen om det. Statens obligasjonsfond ble også opprettet i mars 2009 med tilsvarende ramme. Formålet med det fondet var å bidra til økt likviditet og bedre kapitaltilgang i kredittobligasjonsmarkedet i Norge. Ved utgangen av 2010 var det kun 9,3 mrd. kr som var plassert i markedet. Men fondet har faktisk i større grad bidratt til indirekte positive effekter på dette markedet og tjent penger også for staten. Regjeringen har varslet at dette fondet skal avvikles en gang i 2014, og vi ønsker å være med på den dialogen videre om det. Dette er

med et nytt kapittel i år med et historisk tilbakeblikk på strukturelle utviklingstrekk fra 1970 til i dag. Det mest slående er at finanssektoren har hatt en enorm vekst som andel av norsk økonomi. Det innebærer jo selvsagt at vi må ha et særlig våkent blikk på denne sektorens utvikling. Det ble jo også nylig grundig understreket da Norge ble kastet ut i en finanskrise sammen med store deler av verden for øvrig. Vi har jo lært en god del av dette og av konsekvensene av den norske bankkrisa på 1990-tallet. Vi har lært at regulering er viktig, og at deregulering har klare farer forbundet ved seg. Vi har lært at problemene i finanssektoren kan slå raskt og kraftig inn i realøkonomien på måter som vi kanskje ikke hadde forutsett. Vi har lært at finanssektoren Vi har lært betydningen av å regulere bonuser på en fornuftig måte. Vi har lært hvor viktig det er med systematisk og godt tilsyn. Vi har lært at velferdsstater kan være viktige også som buffere mot kriser, og at det mildt sagt kan diskuteres om det er riktig at finanssektoren skal skjermes for skatter og avgifter som andre sektorer må betale. Dette er jo diskusjoner som vi skal gå inn i nå til høsten, og som vi ser fram til å ta fra SVs side. Det er jo til dels hjerteskjærende scener som utspiller seg i Europa om dagen. Det er skyhøy ledighet i mange land, og ungdomsarbeidsløsheten er mange steder dobbelt så stor som ledigheten for øvrig. Det gir jo særlig utfordringer både med tanke på faren for destabilitet, at ungdom mister troen på framtida, mister troen på at de kan ha framtida si i det landet, at mange velger å emigrere, at mange velger å søke seg til miljøer som er destruktive, og faren for fattigdom. Noe av det som arbeidsløshet også fører meg seg, og som er en av hovedårsakene til at vi har vårt hovedfokus på å bekjempe ledighet, er at det forrykker maktbalansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og gjør at arbeidstakere blir utsatt for ekstra stor sårbarhet og mulighet for å bli presset til å godta betingelser man ellers aldri ville ha akseptert. Så man risikerer varig endring av samfunnet og et sterkt tilbakeslag gjelder rettigheter som har vært opparbeidet. Derfor er også fagforeningene veldig sterkt involvert i de diskusjonene og demonstrasjonene som nå pågår rundt i Europa. Mange vet ikke hva slags alderdom de vil få, og mange vil være svært avhengige av familien sin framover. Alenemødre henvises til fattigkassa, også i land som tradisjonelt har tatt relativt godt vare på utsatte grupper. Mange mister boligene sine eller må bo hos sine foreldre og har ikke mulighet til å flytte ut. Vi hører også om personer oppe i 30-årene som ikke engang har mulighet til å få barn, som må velge det bort fordi man ikke har råd til å skaffe seg barn. Det er en stor grad av bitterhet knyttet til det faktum at de som forårsaket enten gjennom at de la til rette for den gjennom deregulering eller gjennom at man satte grådighet i system, ansvarliggjøres i stor grad ikke for konsekvensene av krisa. Så kan vi gå til vårt eget land og se hvor godt vi har klart oss gjennom denne krisa, og det er ikke tilfeldig. Det er bl.a. som følge av kraftfulle tiltak som ble satt i verk, og ikke minst at vi satset så massivt som vi gjorde på bevilgninger til offentlig sektor, som igjen sørget for at vi holdt hjulene i gang i privat sektor, bl.a. i byggenæringa. At vi også satset så mye på studieplasser og på styrking av GIEK og Innovasjon Norge og garantier ikke minst til bankene, var særdeles viktig.

åpen måte. Finansmarkedsmeldinga handler om forutsetninger og utsikter for finansiell stabilitet i Norge. Jeg vil starte med å minne om at i en markedsøkonomi er det viktig å holde fram normalsituasjonen for pris på penger, nemlig at det skal koste å låne og det skal lønne seg å spare. Det bør ikke være noen politisk konkurranse om å gjøre seg populær ved å fornekte denne hovedlinjen. Som jeg sa i mitt forrige innlegg, har vi nå en lav rente på grunn av vår konkurranseevne og behovet for å holde verdien av norske kroner nede. Folks sparing og opptak av lån påvirkes sterkt av realrenta etter skatt. Skatteregler er derfor viktig, og det er et nasjonalt anliggende.

Det er et viktig arbeid som pågår internasjonalt på dette området, bl.a. i Bank for International Settlements i Sveits. Det vi skal være klar over, er at når krisen har blitt noe mindre, kommer motkreftene tilbake med stor kraft for å sikre at det ikke gjøres endringer, slik at risikoen kan opprettholdes fordi det gir størst avkastning for dem som tenker på den måten. Banker med implisitt statsgaranti, altså banker som oppnår rimeligere finansiering i obligasjonsmarkedet på grunn av bedre kredittvurderinger enn uten statsforventingene, er drøftet i Finanskriseutvalget. Finanskriseutvalget pekte på at det største finanskonsernet i Norge, DnB NOR, har en implisitt statsgaranti verdt mellom 1 mrd. kr og 4 mrd. kr. Det er oppsiktsvekkende at alle partier, unntatt Høyre, i en merknad sier at den implisitte statsgarantien kan sees på som en statlig subsidie.» Språk er makt. Her velger Høyre som det eneste partiet ikke å kalle denne implisitte statsgarantien ved sitt rette navn. Det er for øvrig interessant at komiteens flertall, regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, viser til at det i mange land er en debatt om finansinstitusjonene skal betale for kostnadene forbundet med myndighetenes hjelpetiltak til bank- og finanssektoren. Dette er en viktig debatt. Debatten i Norge har i stor grad gått på ikke markedstiltak, altså stabilitetsavgift og moms på finansielle tjenester, men en bør også se på regulatoriske krav som på en markedsmessig måte gjør det mer kostbart for finansinstitusjonene å ta stor risiko. Det var dette som var bakgrunnen for krisen – regulatoriske krav som følger markedet til enhver tid, som altså gjør at prisingen blir korrekt. Det er et tiltak som må drøftes grundigere, og jeg vet det er miljøer i Norge som er svært opptatt av det. Når det gjelder egenkapitalkravene til finansinstitusjonene, har Norge større muligheter enn andre land til sjøl å vurdere og fastsette egnede egenkapitalkrav. Jeg vet at tidligere, før finanskrisen, var det en politisk kultur at vi stadig skulle svekke egenkapitalkravene. Vi så hvordan det gikk. Det er derfor bra at det i innstillinga påpekes at vi har større muligheter til å fastsette dette, og det og det må framstilles som en konkurransefordel for våre finansinstitusjoner ved at det er tryggere å samhandle med dem fordi de har en tryggere basis i sin egenkapital. Det er interessant at når det gjelder innskuddsgarantiordningen, så får en stadig større oppslutning om den norske fordi nettopp det medvirker til en slik stabilitet. Helt til slutt Det internasjonale pengefondet. Der er det også en svært sentral merknad fra alle partier, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, som sier at Det internasjonale pengefondet skal ikke på ideologisk grunnlag framsette krav om privatisering og liberalisering når fondet velger å gi lån til stater. Det er viktig. Det er sterkt av Høyre og Fremskrittspartiet å si at Det internasjonale pengefondet kan på ideologisk grunnlag framsette krav om privatisering og liberalisering. Dette gjelder da i stor grad offentlige infrastruktur, som er helt sentralt for å få et velfungerende samfunn, og som i mange tilfeller er monopolvirksomhet, som dermed en privat aktør kan ta ut en monopolfortjeneste på.

Jeg vil gå rett på tre grep som jeg ber regjeringen vurdere i forbindelse med oppfølging av Finanskriseutvalgets innstilling: Det er behov for en pengepolitisk reform som mer effektivt motvirker sterk kredittvekst og utvikling av destabiliserende finansielle bobler. Det må settes strengere krav til egenkapitaldekning og likviditetsreserver i banker og andre finansforetak, som også representanten Lundteigen var inne på.

overdrevet sterk kredittvekst er det ikke tilstrekkelig for Norges Bank å operere med et snevert inflasjonsmål knyttet til konsumprisindeksen. Erfaringen har vist at denne noe snevre tilnærmingen ikke er tilstrekkelig for å møte de problemene som skapes gjennom sterk penge- og kredittvekst, problemer som først gir seg til kjenne gjennom oppblåste priser på boliger, eiendommer og verdipapirer – priser som ikke synes i konsumprisindeksen. Derfor mener jeg at det er nødvendig med en utredning med det siktemål å utvide Norges Banks mandat, slik at dette sterkere enn i dag også virker stabiliserende inn på den samlede kredittveksten og på prisutviklingen på eiendommer og verdipapirer.

og de negative virkningene av fremtidige finanskriser. Venstre mener at Norge bør gi et ekstra bidrag i dette arbeidet gjennom å være blant de første landene som gjennomfører nye og strengere internasjonale krav til banker og andre finansforetak, krav som styrker robustheten og motstandskraften mot kriser, basert på økte risikoavveide krav til egenkapitaldekning samt strengere krav til likviditetsreserver. På denne måten vil også det enkelte finansforetak settes i stand til å tåle kortsiktige likviditetskriser uten offentlig støtte. Til slutt noe som står mitt og Venstres hjerte nær: En av de viktigste lærdommene fra de senere tiårs bank- og finanskriser er at de lokale og selveiende sparebankene har utgjort den klart mest stabiliserende delen av norsk finansnæring. Venstre mener at det er av stor betydning for både norsk økonomi og mange lokalsamfunn at det desentraliserte mangfoldet som sparebankene representerer, sikres i fremtiden.

slik at det var mulig å skaffe seg egenkapital. Jeg synes jo Forbrukerrådet etter hvert går veldig langt i å komme med politiske anbefalinger, men la nå det ligge. Det er iallfall interessant at også et slikt organ nå ser dette i sammenheng. Jeg vet ikke om finansministeren har svart på den utfordringen – ellers kan han jo gjøre det her – om det er noen grunn til å se på BSU-ordningen, nettopp for å gi incentiver til økt sparing og mer egenkapital, slik at man ikke sitter med en gjeldsgrad, f.eks. på boliglån, som blir umulig å forholde seg til ved økte renter. Det er klart at finanskrisen fortsatt blir et tema når vi diskuterer denne meldingen. Den krisen viste at bankene i gjennomsnitt hadde for liten egenkapital, ikke minst internasjonalt, for mye kortsiktig markedsfinansiering og for små buffere. Med den situasjonen vi hadde på slutten av 1980-tallet, er det klart at norsk banknæring og norske politikere lærte noe den gang som gjorde at vi sto bedre rustet denne gang. Samtidig hadde jo staten også finansielle muskler på sin side som ikke andre land hadde, og som gjorde at vi kunne komme

Noe av bakgrunnen for at krisen denne gangen ikke ble så stor for norske banker, var jo at norske politikere gikk foran forrige gang det var krise. Det er noe man også må ta med seg i vurderingen av tiltakene som nå blir anbefalt. Det som er helt sikkert, er at styresmaktene og myndighetene må ha midler til rådighet for å kunne styre en finansnæring i en slik krisesituasjon. Der må jeg si at jeg håper regjeringen følger opp mange av de forslagene som utvalget har kommet med. Til avslutning vil jeg knytte noen ord til Det internasjonale pengefondet – Per Olaf Lundteigen var også inne på det. Vi er helt klare på at det kan være mye god rådgivning som gis fra IMF, men at IMF skal drive ideologisk politisk styring av enkelte land, er uakseptabelt. Derfor har vi – sammen med regjeringspartiene – vært med på den merknaden som det ble henvist til. Jeg synes det er et viktig prinsipp at vi skiller politisk styring fra rådgivning, som selvfølgelig kan være på sin plass, men som ikke kan ha politiske motiv i seg først og fremst. Vi diskuterer finansmarknadsmeldinga for 2010 i en ytre ramme av uro. Det er Vi diskuterer finansmarknadsmeldinga for 2010 i en ytre ramme av uro. Det er grunn til å minne oss selv om den selvfølgeligheten at Norge er et land i verden, og at det er den internasjonale situasjonen som på mange måter legger rammen rundt den diskusjonen vi har i dag. Og her er det store utfordringer. utfordringer. Grunnen til at dette er viktig for oss, er at en ny uro internasjonalt kan slå inn i norsk finansnæring og i norsk økonomi. Hvis uroen i statspapirmarkedene knyttet til situasjonen i utsatte euroland skulle spre seg ytterligere, kan det gi tap i norske finansinstitusjoner, økt risikopåslag i kredittmarkedene og svekket kredittilbud til husholdninger og foretak. Til nå i år har vi også sett betydelige virkninger av det som skjer internasjonalt, f.eks. i forbindelse med den politiske uroen både i Midtøsten og i Nord-Afrika, bl.a. gjennom høyere oljepris. Flere talere har pekt på at gjeldsbelastningen i norske husholdninger er høy, og at den trolig vil øke videre i årene framover.

at både det norske og det internasjonale rentenivået vil øke i tiden framover. Forbedringer i de internasjonale finansmarkedsreguleringene som følge av erfaringer fra finanskrisen har betydning for utsiktene for finansiell og økonomisk stabilitet. For eksempel vil innføring av nye soliditetsregler, bl.a. de såkalte Basel III-kravene, bidra til lavere risiko i det internasjonale finanssystemet, men mange andre forbedringer vil trolig ikke bli gjennomført før om flere år. Som et direkte svar på bl.a. det representanten Syversen tok opp, hadde jeg et møte med min svenske kollega tidlig i mai, der vi ble enige om å se på mulighetene for et samlet nordisk initiativ i forbindelse med innføring av de nye kapitalkravene i tråd med Basel III, og om vi skal gå noe raskere fram enn det som ligger i intensjonen. Ellers skjer det også en internasjonal regelverksutvikling. Det gjelder nye regler i forbindelse med erfaringer fra finanskrisen – tilbake til Baselkomiteen som foreslår strengere krav til kapital og likviditet. EU-kommisjonen jobber med regeloppfølging i EU. Jeg tror at en i årene framover kan forvente økt internasjonalt samarbeid når det gjelder finansnæringen. Finansnæringen er en så global og teknologisert næring at det er viktig at en også ser regelutvikling i en større, internasjonal sammenheng. Så vil jeg bruke noen ord på Som det allerede er nevnt i debatten i dag, har regjeringen jobbet aktivt for at Norge skal kunne videreføre dekningsnivået på 2 mill. kr per kunde per bank. I den nylig avgitte innstillingen fra ECON-komiteen, dvs. finanskomiteen i Europaparlamentet, er det lagt inn en bestemmelse som vil tillate Norge å beholde dekningsnivået på 2 mill. kr, kombinert med et vilkår om at dekningsnivå enn 100 000 euro kun kan tilbys innskytere bosatt i vedkommende land, i dette tilfellet Norge, noe som vil kunne forhindre konkurransevridninger. Rådet skal nå arbeide videre med saken. Senere i prosessen blir det såkalte trilogforhandlinger mellom parlamentet, rådet Det forventes vel nå at det blir en avgjørelse etter sommeren, dvs. under det polske formannskapet. Jeg hadde et møte med den polske kollegaen min for kort tid siden om saken – for å holde saken varm. Jeg vil også gi ros til komiteen og komitémedlemmene for helhjertet støtte, og for at de også jobber opp mot sine partifeller rundt omkring i Europa. Det har bidratt til resultatet så langt. så langt. Så vil jeg minne om at en 1. januar i år etablerte et nytt finanstilsynssystem i EU. Tre nye tilsynsorgan driver tilsyn med enkeltinstitusjoner, såkalt mikrotilsyn, mens et nytt systemrisikoråd driver tilsyn med det finansielle systemet som helhet, såkalt makrotilsyn. Norge, Island og Liechtenstein får permanent observatørplass i og vil på adhocbasis – som det heter på EU-språket – kunne ta del i systemrisikorådet, men ikke der enkeltland eller enkeltforetak blir diskutert. Jeg vil understreke at regjeringen vil sikre at Norge ikke på noen måte gir fra seg suverenitet til Det er et interessant kapittel i finansmarknadsmeldinga om utviklingen i finansnæringen de siste 40 årene. Det som har skjedd, er at denne næringen har vokst seg stor og betydelig. Det er en viktig næring for Norge. Og det kanskje ikke mange tenker på i det daglige, er at finansministeren ikke bare har et ansvar for lovutforming, tilsyn og kontroll, men også er næringsminister for denne næringen. Det er en oppgave som jeg tar på alvor, med tanke på både det å utvikle et framtidsrettet regelverk og det å ha gode rammer rundt næringen, men også bidra til at denne næringen blir en god, konkurransedyktig og framtidsrettet næring. Hvis en skulle beskrive

skal gi avkastning og nye produkter. Så vi lever i en spennende tid når det gjelder finansmarkedene. Når det gjelder Norges Bank og utøvelsen av pengepolitikken, ligger forskriften fra 29. mars 2001 fast. Det er ingen grunn til å gjøre noe annet, for denne, sammen med handlingsregelen, som kom den samme dagen, har tjent oss vel, og jeg regner med at dette skal tjene oss vel også i tiden framover. I mai i fjor økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 2 pst. Renten ble deretter holdt uendret resten av året. Norges Bank har anslått at renten vil øke til vel 2,5 pst. mot slutten Det som er viktig nå, er, som jeg sa tidligere, å ta inn over seg at både i Norge og internasjonalt forventer en at rentene vil øke framover, men selvsagt vil den økonomiske utviklingen både i Europa – de ulike land i Europa, både i og utenfor eurosonen – og i Norge, avgjøre hvor mye, og når dette skjer. et punkt når det gjelder Statens obligasjonsfond. Folketrygdfondet har en viktig oppgave i å forestå forvaltningen av Statens obligasjonsfond. I meldingen er det vist til en selskapshendelse knyttet til en obligasjonsinvestering som gjorde at fondet ble sittende med

Til slutt noen få linjer om Det internasjonale pengefondet. Jeg vil si det slik at IMF er viktig for Norge. Norge er en viktig støttespiller for IMF, og det er også viktig å sikre både at IMF har tilstrekkelig utlånskapasitet, og at styringsorganene i IMF gjenspeiler det som er utviklingen i internasjonal økonomi

som går på en eventuell offentliggjøring av referatene fra rentemøtene i Norges Bank. Jeg har registrert at i de mange festtaler og i andre sammenhenger snakker regjeringen og mange politikere om behovet for mer offentlighet, og viktigheten av at man kan få de viktige debattene ut i det offentlige rom. Veldig mange aktører påpeker at det kan være en god idé å få offentliggjort referatene fra rentemøtene i Norges Bank, på lik linje med det som er praksis i mange andre land. Jeg kunne gjerne tenke meg å få noen synspunkter fra finansministeren på om dette er noe han faktisk deler ønsket om og ser behovet for, og om det kan være mulig å få en endring av det. Først: Det er viktig med åpenhet også når det gjelder diskusjoner omkring rentefastsettelsen og pengepolitikken. Da er det faktisk slik at sentralbanken har høstet stor anerkjennelse for måten en har gjort dette på,

Finansdepartementet legger stor vekt på åpenhet. Det er en av grunnene til at vi deltar i finansieringen av Norges Bank Watch. Men når det gjelder det konkrete spørsmålet – hvorvidt Norges Bank skal gå videre med å offentliggjøre referater – er det faktisk en sak som jeg overlater til Norges Bank og Norges Banks hovedstyre å vurdere. Men erfaring viser at de har lagt stor vekt på åpenhet, og jeg regner med at det også er en linje framover fra

I en verden der det kan settes spørsmålstegn ved soliditeten til finansnæringen, vil jeg mene at det at en har en solid finansnæring med god egenkapitaldekning, med god likviditet og som det er stor tillit til, er et konkurransefortrinn. Dette er viktige spørsmål hvor en må veie disse to hensynene. Jeg skal komme tilbake til det spørsmålet når vi har undersøkt dette litt nærmere i den nordiske kretsen.

bakgrunn av den rød-grønne kritikken mot bonuslønninger og den rød-grønne kritikken mot «sign-on fees» o.l.: Synes statsråden at LO driver dobbeltmoral? Og er det som LO driver med i denne saken, i tråd med rød-grønn politikk? Nå har ikke jeg satt meg inn i den aktuelle saken som det refereres til. Jeg så faktisk overskriften, men jeg leste ikke artikkelen – jeg rakk ikke det før jeg kom til Stortinget. Men jeg vil legge til grunn at LO handler som man snakker, også i de spørsmålene. For noen av oss er det jo slik at når man har lest overskriften, føler man ikke noe behov for å gå videre inn i artikkelen. Det kan jo hende det ligger noe der også. Jeg har lyst til å gå litt videre på dette med Finanskriseutvalget. IMF og

skatt på næringen. Utvalgsmedlem Karen Helene Ulltveit-Moe skrev i Dagens Næringsliv: «Vi skylder alle dem som mistet jobb og hus under finanskrisen å ta et oppgjør med næringens særvilkår.» På en skala fra én til ti: Hvor enig er finansministeren med henne i at næringen har særvilkår? Det er riktig at denne næringen f.eks. ikke har merverdiavgift og ikke er underlagt en del slike ting som andre næringer er. Men samtidig er det viktig å være klar over et par ting. For det første foregår det et europeisk arbeid. Det er nå flere europeiske land som vurderer å innføre en balanseskatt, eller aktivitetsskatt, som en kaller det. det. Det er klart at i vår oppfølging av Finanskriseutvalget vil vi skjele til det som skjer i Europa med tanke på om man skal innføre lignende ting i Norge. For det andre betaler norske banker en avgift til Sikringsfondet. Det vi vurderer her, er om vi skal gjøre den avgiften obligatorisk, for i dag er det noen spesialregler knyttet opp mot når fondet er fylt opp. Men dette er spørsmål som vi vil komme tilbake til i forbindelse med oppfølgingen av Finanskriseutvalget. Jeg lover at dette skal vurderes grundig, men svaret er jeg ikke rede til å gi akkurat i dag. Vi opplever en sterk tilflytting og økning i barnefødsler i og rundt de store byene våre. Samtidig har ikke tilgangen på boliger stått i forhold til dette, og resultatet blir da en prisøkning, som ingen av oss ønsker. Ifølge SSB vil prisstigningen i og resultatet blir da en prisøkning, som ingen av oss ønsker. Ifølge SSB vil prisstigningen i år bli på 7 pst. på landsbasis, og da selvsagt høyere i pressområdene. Konsekvensene kan fort bli en ny boligboble og i det minste en raskere renteøkning enn det vi ønsker oss.

Det er jo eksempler på at boligbobler har ført til betydelige forstyrrelser og faktisk også kriser i banknæringen. Så det er viktig å ha det synet på det. Boligpolitikk og boligmarkedet har også en viktig fordelingspolitisk side. Det at folk skal kunne skaffe seg en god bolig, er på mange måter viktig for at folk skal føle trygghet og ha det bra. Det som nå skjer videre, er at vi vil drøfte dette spørsmålet i forbindelse med fordelingsmeldingen, som regjeringen vil drøfte dette spørsmålet i forbindelse med fordelingsmeldingen, som regjeringen vil legge fram noe senere i høst. Det er et utvalg som nå går gjennom boligpolitikken. Det skal også komme en boligmelding, som Stortinget vil få anledning til å diskutere på et senere tidspunkt. Dette viser jo at dette er et spørsmål som både regjeringen og opposisjonen vil få til diskusjon, og som vi må være opptatt av framover, for det betyr veldig mye både for finansnæringen og for den enkelte at man har en god balanse i boligmarkedet.

Krisen var det største tilbakeslaget i internasjonal økonomi etter annen verdenskrig, og vi ser nå, som flere har vært inne på, at mange land i Europa har store utfordringer med å håndtere sin statsgjeld i kjølvannet av de store redningsaksjonene rettet mot bank og finansinstitusjoner som Veksten i verdensøkonomien har tatt seg opp etter finanskrisen, men veksten har ikke vært sterk nok til at arbeidsledigheten i flere europeiske land har gått vesentlig ned. Dette skaper usikkerhet og uro hos mange enkeltmennesker og i mange land. I et intervju i Dagens Næringsliv i går sa den kjente investoren og filantropen George Soros at Europa trenger en plan B, og pekte spesielt på situasjonen i Hellas. Han sa: «Europa kan ikke la Hellas misligholde gjelden fordi det ville være et ukontrollert mislighold med katastrofale følger for Europa.» Norge er også en del av Europa, og landene der er våre naboer og nærmeste handelspartnere. Den ustabile økonomiske situasjonen i Europa og ellers internasjonalt kan lett slå inn i den norske økonomien, som er liten og sårbar. Samtidig skal man også være våken for endringer i vår egen økonomi som kan være med på å skape finansiell ustabilitet. Mange husholdninger i Norge har høy gjeld. Mesteparten av gjelden er knyttet til bolig, men mange husholdninger har også høy forbruksgjeld. Dette skaper problemer for det enkelte mennesket også her Om mange husholdninger får problemer med å betale sine renter og avdrag på lån samtidig, kan det i neste omgang være en trussel også mot den finansielle stabiliteten i Norge. Et godt forbrukervern er avgjørende for finansiell stabilitet. Finanskriseutvalget, som la fram sin innstilling nå etter jul, har fokus på det. De siste årene, og særlig i årene før finanskrisen, hadde vi mange eksempler på salg av sammensatte og lånefinansierte spareprodukter forbrukerne ikke forsto. De stolte på sin bank eller andre finansinstitusjoners rådgivere, og kjøpte produkter de tapte sine sparepenger på. Dette er det nå ryddet opp i i Norge, men det er ingen grunn til ikke å ha fokus på forbrukervern like fullt. Vi har et godt regelverk og et godt tilsyn med finansmarkedet i landet vårt. Finanstilsynet grep f.eks. inn overfor banker og finansinstitusjoner når det gjelder krav til egenkapital ved boligkjøp. I tillegg er det innført frarådningsplikt overfor lånekunder som ikke er i stand til å betjene sin gjeld. Finansdepartementet har i brev til Finanstilsynet i april i år også understreket viktigheten av forbrukerfokus – dette med henvisning til kompleksiteten som nå er i finansmarkedet, og de stadig nye produktløsningene som markedsføres. Det er bra. Det er også viktig at forbrukerne selv blir mer bevisstgjorte når det gjelder produkter som For å gjøre det enklere for forbrukerne er det etablert en finansportal som gjør det enklere å sammenligne priser og tjenester som tilbys oss som forbrukere. Finanssektoren selv er også opptatt av å utvikle denne portalen, og det er viktig at videre utvikling skjer i samarbeid med De fleste aktørene i denne viktige sektoren er seriøse og gode næringsaktører som har samme interesse som oss for at det ikke skal komme useriøse produkter på markedet – produkter som i neste omgang er med på å ødelegge næringens omdømme. Bevisste kunder – det være seg lånekunder eller kunder som vil investere sparepengene sine – er en fordel også for

for å motvirke incentiver til høy og kortsiktig risikotaking for ansatte i finanssektoren. Det går veldig bra i Norge. Vi har god styring og kontroll med banker og finansinstitusjoner. Jeg imøteser imidlertid oppfølgingen av Finanskriseutvalgets innstilling, der det pekes på en rekke områder hvor vi, i likhet med andre land, kan gjøre tiltak for å sikre oss

Me kan lesa i Dagens Næringsliv både i går og i dag om åtvaringar om ei ny finanskrise, og me såg òg at Obama åtvara mot dette her om dagen. Sjølv om ting går veldig bra i Noreg, er det viktig at me er vakne for det som kan skje, og det som faktisk skjer rundt oss. Da er det viktig at me får på plass internasjonale reglar som kan vera med Mange land arbeider med forslag til nye reglar og med endringar av regelverket. Baselkomiteen har kome med strengare krav til kapital og likviditet for bankar – dei såkalla Basel III-krava. Desse krava skal bidra til lågare risiko i det internasjonale finanssystemet. Det kan likevel ta tid før ein får innført desse endringane. EU har òg etablert eit nytt finanstilsyn, og eg meiner at det er utruleg viktig at Noreg får delta der me kan i dei nye tilsynsordningane i EU. Eg meiner òg at me både her heime og i Norden kan, og må, vera i forkant. Med nye reglar kan me gå føre for å påverka internasjonalt. Eg synest òg det er viktig at me har eit godt forbrukarvern på finansmarknaden. Finanstilsynet har ansvar for forbrukarvern og forbrukarinformasjon. Det er ikkje så veldig lett for enkeltpersonar å manøvrera rett mellom alle produkt for sparing, lån, pensjonar osv. som finst på marknaden. Og sjølv om føretaka har plikt til å gje relevant og forståeleg informasjon om dei ulike finansprodukta, trur eg faktisk det er mange som likevel ikkje forstår kva dei går inn på. I Finankriseutvalets innstilling dette òg påpeika. Dei føreslår tiltak som skal gjera det enklare for forbrukarane. Blant tiltaka er krav til rådgjeving om investeringsprodukt og utforming av standardrisikoprofilar i innskotspensjonsordning. Eg vil seia litt om IMF òg. Rapporten til IEO, som er IMF sitt overvakingsorgan, syner at frå 2004 til 2007 verken landa der krisa oppstod, eller medlemslanda meir generelt, om risikomomenta og svakheitene som førte til finanskrisa. IMF drøfta heller ikkje farane ved ein stadig meir lausslept kredittpraksis for bustadlån i USA, eller farane ved dei lite transparente finansielle instrumenta som vart konstruerte i samband med dette. Tvert imot, styresmaktene i USA fekk ros for ikkje å regulera for mykje, og for at dei la til rette for finansiell innovasjon! Så seint som i 2007 uttrykte IMF at det var gode utsikter for verdsøkonomien. Eg meiner at dette er ganske alvorleg. Dette er faktisk verdas fremste økonomar. Men det er bra at IMF no ser ansvaret, og følgjer opp rapporten. Rapporten er viktig,

fram krav om privatisering og liberalisering når fondet gjev lån til statar, og eg er veldig glad for at Venstre og Kristeleg Folkeparti støttar oss i den merknaden. Men finanskrisa har skapt stor arbeidsløyse i verda. Over 30 millionar menneske har mista arbeidet sidan 2007. Den høge arbeidsløysa blant ungdom synest eg er veldig alvorleg. Eg kan ikkje tenkja meg noko meir sløseri med ressursar enn å ha ungdom gåande utan arbeid. I Spania er talet på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

Stortinget har mottatt rapport fra Norges Banks representantskap som i samsvar med sentralbankloven § 5 har ført tilsyn med driften i Norges Bank i 2010, inkludert Statens pensjonsfond utland, SPU. Etter endringer i sentralbankloven i 2009 og 2010 sendes nå tilsynsrapporten direkte til Stortinget, og ikke via Finansdepartementet som tidligere. Komiteen er tilfreds med den nye revisjons- og tilsynsordningen som er med og understreker at representantskapet i Norges Bank er Stortingets uavhengige kontrollorgan. At Stortinget etter lovendringen også fastsetter godtgjøring til representantskapets medlemmer, understreker ytterligere det.

Etablering av ny revisjons- og tilsynsordning med grunnlag i endringene i sentralbankloven er med og sikrer denne åpenheten. Stortinget har gjort en rekke lovendringer som innebærer at Norges Bank revideres av en ekstern, uavhengig revisor, oppnevnt av representantskapet. Samtidig er det etablert et uavhengig tilsynssekretariat for å styrke representantskapets mulighet til å utøve tilsyn. Komiteen er tilfreds med at representantskapet i Norges Bank har arbeidet aktivt med å få på plass den nye ordningen for revisjon og tilsyn. Komiteen har merket seg – og er svært tilfreds med – at det ikke er avdekket forhold gjennom tilsynet med Norges Bank som gir grunnlag for særskilte merknader etter sentralbankloven. Samtidig må vi være innforstått med at Norges Bank, og i særdeleshet forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, er en svært kompleks virksomhet. Vi må regne med at det fra tid til annen vil skje feil. Det er likevel viktig at Norges Bank søker å redusere sannsynligheten for slike feil til et så lavt nivå som mulig. Jeg vil knytte noen kommentarer til et av fokusområdene for representantskapet i inneværende år. Komiteen støtter representantskapets prioriteringer for videre tilsynsarbeid, og min kommentar vil knytte seg spesielt til det arbeidet representantskapet vil legge ned i å følge opp etablerte prinsipper for samspill med Riksrevisjonen når det gjelder forvaltningen av SPU. Stortinget har ved flere anledninger behandlet fordelingen av ansvar for tilsyn med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, utland, men jeg registrerer at dette fortsatt er et område det må jobbes aktivt med. Jeg vil peke på betydningen av at det er en klar ansvars- og rolledeling mellom de ulike organene som fører tilsyn og kontroll med Statens pensjonsfond. Stortinget har besluttet å styrke representantskapets tilsyns- og kontrollfunksjon. Som jeg var inne på tidligere, er det representantskapet som har ansvar for å påse at Norges Banks forvaltning skjer innenfor de retningslinjene departementet har trukket opp, basert på arbeidet til ekstern revisor. Riksrevisjonen har ikke ansvar for å revidere Norges Bank, men skal revidere posten Statens pensjonsfond utland i statsregnskapet. Videre skal Riksrevisjonen revidere om Finansdepartementets forvaltning av fondet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonens arbeid med å revidere posten Statens pensjonsfond utland i statsregnskapet tar utgangspunkt i arbeidet bankens eksterne revisor har gjort. Utover det skal Riksrevisjonen ikke foreta noen kontroll av

der det ble besluttet å endre vedlegg IX til EØS-avtalen til også å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer. Direktivet omtales også som

For at investorer i fond som forvaltes på grensekryssende basis, ikke skal bli utsatt for noen tilleggsrisiko eller lavere standarder hva gjelder beskyttelse, forutsetter direktivet at kommisjonen ved et gjennomføringsdirektiv regulerer sentrale områder som bl.a. krav til organisering, interessekonflikter og god forretningsskikk.

og opphevelse av direktiv 2000/46/EF. Det betyr at det blir enklere å få markedsadgang for e-pengeforetak, og det blir lavere krav til startkapital. En annen sentral endring er at definisjonen av e-penger gjøres teknologinøytral for å ta hensyn til den utviklingen som antas å finne sted. Saken Men det er nå en gang sånn at vi handler stadig mer på nettet, og vi bruker digitale penger i dag. Vi handler over landegrensene, og det er derfor nødvendig at regelverket tilpasses den nye hverdagen vi opplever, og at forbrukerinteressene også blir ivaretatt i den type handel. Det nye e-pengedirektivet fastsetter krav til forbrukerbeskyttelse og til tilbakebetaling av innbetalt kapital fra kundene. Med det legger jeg fram saken. Komiteen har ingen flere kommentarer og samtykker til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til

vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 2 timer og 5 minutter, og at taletiden fordeles slik på gruppene: Arbeiderpartiet 45 minutter, Fremskrittspartiet 30 minutter, Høyre 20 minutter, Sosialistisk Venstreparti 10 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter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

Derfor behandles kommuneproposisjonen nå før sommeren. De endelige rammene for kommunesektoren vedtas i forbindelse med statsbudsjettet. Den største endringen i 2012 blir Samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering samt ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Utbygging av velferdstjenestene fortsetter også i 2012. Realveksten i de samlede inntektene vil bli mellom

i den helhetlige helsepolitikken. For Arbeiderpartiet handler høstens valg om disse tre hovedsakene: arbeid, helse og eldre. Vi leverer på alle disse områdene i kommuneproposisjonen. Arbeid har alltid vært Arbeiderpartiets nøkkel til å utvikle og bygge landet. Slik er det ennå, og slik vil det være i Vi har høy sysselsetting, ikke minst i kommunal sektor, hvor én av fem sysselsatte i landet arbeider. Siden 2005 er det skapt nesten 47 000 nye årsverk i kommunesektoren, jf. tall fra Statistisk sentralbyrå for fjerde kvartal fra 2005 til 2010. Det er altså i perioden under den rød-grønne regjeringen. Den viser en økning i sysselsetting

og i administrasjon i kommunene. Selv om det er grundig tilbakevist av bl.a. KS, vil jeg si følgende: Økningen i administrasjon i kommunene har i prosent vært langt lavere enn økningen i samlede årsverk i kommunene og langt lavere enn for de tjenestene som har vært regjeringens satsingsområde: barnehage, pleie og omsorg og skole. Det var altså en høyere andel administrasjon da Høyre satt med kommunalministeren, enn det er nå. I 2005 var andelen 14,5 pst., mens i 2010 var andelen til administrasjon 13,3 pst. Dette skulle dokumentere at veksten ikke har vært for høy, men det er likevel alltid viktig å ha et våkent øye med hva midlene går til. Men gode offentlige tjenester krever også administrasjon. Noen må sende ut vedtak om barnehageplass, sørge for at ansatte får lønn, at innbyggerne får den informasjonen de etterspør, og har krav på. Administrasjon er en forutsetning for et velfungerende samfunn, hvor innbyggerne får sine tilbud og rettigheter. Derfor synes jeg det er ganske frekt at Høyre henger ut en gruppe ansatte som gjør en viktig jobb i sine kommuner. Arbeid gir kommunale tjenester til innbyggerne i kommunen og god kommunal velferd. Sikre og trygge arbeidsplasser gir stabilitet, forutsigbarhet, trygg skatteinngang og er med på å stabilisere bosettingsmønsteret i landet. Vi ser likevel behov for og ønske om mobilitet i arbeidsstokken. En av de store utfordringene for kommunesektoren fremover er å rekruttere fagfolk gjennom å framstå som attraktive arbeidsgivere med gode fagmiljø, spennende utfordringer og fokus på kompetanse. La meg understreke at det ikke bare er skapt arbeidsplasser i offentlig sektor med denne regjeringen. Siden 2005 er det skapt 250 000 nye arbeidsplasser, hvorav to tredjedeler er i privat sektor – eller over Helse er en av Arbeiderpartiets fanesaker. Vi starter nå med å implementere Samhandlingsreformen ute i kommunene fra 2012. Mange kommuner er allerede i gang. Nå skal alle med. Bedre samhandling mellom de ulike nivåene innen helsesektoren, mer forebygging og tidlig intervensjon skal gi befolkningen bedre helse. Det er et langsiktig arbeid hvor det tar tid å måle resultat, men den menneskelige gevinsten vil være enorm hvis vi kan begrense og redusere omfanget av sykdommer som man kan forebygge, eksempelvis livsstilssykdommer som diabetes 2, KOLS, overvekt, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Tanken er at man skal behandle pasienten på lavest mulig nivå. Det som må gjøres på sykehus, skal gjøres der, mens det som kan utføres i hjemkommunen, skal gjøres der. Det innføres kommunal medfinansieringsplikt for kommunene, og det overføres 5 mrd. kr til kommunesektoren fra helseforetakene. Kommunene får ansvar for utskrivingsklare pasienter fra dag én. Det betyr at kommunene må ta pasientene hjem til kommunen, eller de kan betale helseforetakene, sykehusene, for videre innleggelse fram til kommunene selv er i stand til å tilby plasser til dette formålet. Det legges fram en ny kostnadsnøkkel for kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter i denne proposisjonen for å fordele midlene kommunene imellom. Vi skal følge utviklingen knyttet til finansieringen nøye.

Nylig viste offisielle tall at stadig flere eldre står lenger i jobb. Noen har likevel behov for mer hjelp gjennom en sykehjemsplass eller et annet heldøgns omsorgstilbud. Meldingene fra Kommune-Norge var at det ikke var nok plasser tilgjengelig. Disse signalene ble tatt på alvor, og satsene ble økt betydelig for bygging av sykehjemsplasser og heldøgns omsorgstilbud. Vi får positive tilbakemeldinger fra kommunene på denne økningen, men kommunene ytrer også bekymring for om de klarer framtidig drift av nye plasser. Dette er signaler som Arbeiderpartiet tar på største alvor, og vi kommer til å ha tett dialog både med kommunesektoren og KS for å følge utviklingen. Også innen helse, pleie og omsorg er antall årsverk betydelig. Fra 2005 til 2010 har sektoren økt fra 124 976 årsverk til 145 718, noe som utgjør en økning på 16,5 pst. Regjeringen vil legge fram et forslag til ny lov om kommunale vann- og avløpsanlegg. Målet er å sikre offentlig eierskap til vann- og vann- og avløpsinfrastruktur. Vann og avløp er vesentlige basistjenester som bør være under fellesskapets kontroll. Arbeiderpartiet vurderer disse planene som et skritt i riktig retning. Vi registrerer at Fremskrittspartiet er imot det. De sier i en merknad til kommuneproposisjonen at de vurderer det slik at om kommunene selv skal sørge for disse tjenestene, kan det få eksempel dyrere tjenester og at tilsynet blir mer lemfeldig». Fremskrittspartiet, partiet som er for øremerking, detaljstyring av kommunene, statlig overoppsyn og minst mulig bruk av lokalt skjønn i den enkelte kommune, mener at offentlig eie og kontroll av vann- og avløpsanlegg kan føre til mer lemfeldig tilsyn. Også i innstillingen til denne kommuneproposisjonen er

her, er at ein i denne veksten ikkje har teke omsyn til at kommunane får auka rentekostnader. Ein har heller ikkje teke omsyn til at det blir fleire innbyggjarar i landet, i Kommune-Noreg. Det er også mange andre kostnadsdrivande ting som det ikkje er teke omsyn til når ein skryter av kor mykje meir pengar kommunane skal få neste år. Spørsmålet mitt er: Meiner representanten Ingalill Olsen at den reelle, verkelege og faktiske veksten hos kommunane neste år blir på 5–6 mrd. kr? Ja, økningen til kommunene er på det nivået. Det betyr at demografien ligger inne i dette, som jeg nevnte i mitt innlegg. Når det gjelder økte renter, er det et forhold som kommunene må regne med, og som de må ta med i økte renter, er det et forhold som kommunene må regne med, og som de må ta med i vurderingen når de tar opp gjeld. Det at renten svinger, vet alle ansvarlige kommuner, og det må de forholde seg til.

foreldre som er opptatt av at barna skal få en god skole, at Arbeiderpartiet fortsatt ikke har tenkt å prioritere skolepolitikken når de nå går ut i kommunevalgkampen. Men arbeid er jo viktig. Da er det interessant også å merke seg at Arbeiderpartiet fortsatt sverger til den tro at hvis du får alle pengene inn i statskassa og så deler skatteinntektene ut igjen til den enkelte kommune, vil du skape et Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet la kommunene beholde en andel av selskapsskatten, som gjør at det lønner seg å satse på næringsutvikling i norske kommuner? Skatt er en inntekt til både stat og kommune, men det er samtidig også en mulighet for kommunene til å omfordele midler. Vi tok noen grep i fjor for å endre skatten. Det har ført til bedre økonomi i kommunene, skatten. Det har ført til bedre økonomi i kommunene, og det har ført til at mange kommuner klarer seg bedre. Det betyr selvfølgelig en reduksjon for de kommunene som ligger over landsgjennomsnittet, men samtidig ser vi at det vil bli mer utjevning, det vil gi bedre velferd, og vi mener at det er et riktig omfordelingsgrep.

Den er ikke videreført i inneværende år, og det er heller ingen signaler i kommuneproposisjonen om at det kommer mer i 2012. Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk et forlik med regjeringspartiene om en satsing på eldre, en rettighetsfesting av verdighetsgarantien. Men samtidig ble det slått tindrende klart fast at dette ville komme til å koste penger, og at kommunene skulle få overført penger, slik at verdighetsgarantien kunne settes ut i livet. Men når disse pengene ikke kommer, hvor mye er da den avtalen verdt? Og hvor mye er verdighetsgarantien verdt når regjeringspartiene faktisk ikke overholder avtalen? Vi har et Kommunene er de beste til å vurdere hvordan de skal fordele midlene som de blir tilført over statsbudsjettet. Vi har akkurat fått nye tall som viser at vi fra i fjor til i år faktisk har greid å tilsette mange flere. Det betyr at vi bare i løpet av det siste året har fått en mye bedre eldreomsorg i dette landet. Rammeprinsippet ligger fast, og det betyr at vi faktisk har en god eldreomsorg. Men vi skal selvfølgelig følge opp verdighetsgarantien, og enhver kommune er seg bevisst eldreomsorgen. Replikkordskiftet er omme. Framstegspartiet har eit anna kommunalpolitisk utgangspunkt enn regjeringa og dei raud-grøne partia. Kjernen i vår kommunepolitikk er setje mennesket i sentrum. Kommunen er til

Det offentlege har eit overordna ansvar for å kontrollere kvaliteten på tenestene og finansiere dei grunnleggjande velferdstenestene som blir leverte, men treng ikkje ta på seg oppgåver som private kan løyse like godt eller betre. Derfor ønskjer vi ei behovsstyrt statleg finansiering av dei grunnleggjande velferdstenestene. velferdstenestene. Det betyr at når det oppstår eit behov, utløyser det automatisk ei finansiering. Om nokon har behov for ein sjukeheimsplass, vil det utløyse ei statleg finansiering. Om ein bur i ein fattig eller ein rik kommune, vil ikkje vere avgjerande for kva tenester ein får, for tenestene vil vere finansierte av staten. Oppgåver som kommunane tek på seg utover grunnleggjande velferdstenester, skal hovudsakleg finansierast ved lokal skattlegging. Men inntil vi får gjennomslag for vår primærpolitikk, tek vi sjølvsagt utgangspunkt i dagens rammeløyvingssystem og dei utfordringane det gir. Framstegspartiet er tydeleg på at dei rammene som Regjeringa har signalisert gjennom kommuneproposisjonen for 2012, langt frå er tilstrekkeleg i forhold til dei utfordringane kommunane står overfor. Regjeringa og talspersonen frå Arbeidarpartiet skryter av at opplegget i kommuneproposisjonen vil gi ein realvekst på mellom 5 og 6 mrd. kr neste år. Det kan skape eit inntrykk av at den reelle, verkelege og faktiske veksten til kommunane neste år er i den storleiken. Dette er med respekt å melde feil. Korfor er det feil? Jo, fordi ein i den summen, når ein altså bereknar denne realveksten, berre tek omsyn til lønns- og prisvekst. Auka kostnader som kommunane får neste år på grunn av befolkningsvekst,

kommunane ein tilstrekkeleg økonomi. Derfor foreslår Framstegspartiet å auke kommunerammene neste år med 5 mrd. kr meir enn det regjeringa og regjeringspartia går inn for. Vi meiner at ein slik auke er nødvendig for å sikre grunnleggjande velferdstenester til innbyggjarane i kommunane, og derfor foreslår vi også følgjande fordeling: 1,5 mrd. kr meir i driftsmidlar til kommunal eldreomsorg 1 mrd. kr meir øyremerkt grunnskulen 300 mill. kr meir til kommunal eldreomsorg 1 mrd. kr meir øyremerkt grunnskulen 300 mill. kr meir til kommunal rusomsorg og psykiatri 200 mill. kr meir til kommunalt barnevern 2 mrd. kr meir til oppgradering av fylkesvegnettet enn det regjeringa har foreslått No er det altså ikkje berre Framstegspartiet som meiner at kommunane treng meir pengar. Også kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon, KS, meiner at kommunane må få auka rammene i forhold til det regjeringa har foreslått. Mykje går feil veg i Kommune-Noreg. Kommunane slit med dårleg økonomi. Det tyder veldig mange tilbakemeldingar på. Gjeldsbyrda til kommunane har dobla seg dei seks åra Senterpartiet har hatt kommunalministeren. Nye oppgåver er blitt pålagde kommunane, f.eks. Samhandlingsreforma, som vil medføre betydelege utfordringar for kommunane i tida framover. Framstegspartiet fryktar at ein allereie anstrengd økonomi i mange kommunar vil forverrast neste år. Det betyr også at dei enorme etterslepa mange kommunar opplever i forhold til rehabilitering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur

Vi synest det er eit stort paradoks at Noreg, som altså er eitt av verdas rikaste land, framleis har ei jamn nyheitsdekning i media om store problem og elende i eldreomsorgssystemet. Framstegspartiet meiner at denne situasjonen er heilt uakseptabel, men det er dessverre ein heilt naturleg konsekvens av eit sosialistisk system som rasjonerer eldreomsorgstilbodet basert på rammeløyvingane, med økonomiske rammer som er for små, og som fritt kan brukast til andre formål til trengsel for omsorg av pleietrengande eldre. Når det ikkje er automatikk i at det blir stilt midlar til rådvelde i takt med eit veksande behov og ei veksande eldrebefolkning, må køar, ventelister og høgare tersklar for hjelp nødvendigvis bli resultatet. Framstegspartiet er likevel glad for at tilskotsordninga for bygging av omsorgsbustader og sjukeheimsplassar tidlegare i år blei styrkt, men klare tilbakemeldingar frå kommunane viser at det dei no treng, er midlar til å drifte eldreomsorga – og det har altså Framstegspartiet følgt opp i denne innstillinga.

utvikling. Eg vil òg tilføye at konkurranseutsetjing ikkje er det same som privatisering, slik enkelte synest å tru. Så lenge finansieringa framleis skal vere offentleg, og det meiner Framstegspartiet, er dette ikkje privatisering, men konkurranseutsetjing. Vi har i dag også eit budsjetteringssystem i kommunane, eit rekneskapssystem, som er forelda, og som dekkjer til den reelle økonomiske situasjonen i kommunane.

Kommunestrukturen er òg eit tema som eg tenkte eg skulle komme innom. I dag har vi altså 430 kommunar i Noreg. Dei fleste – veldig mange, i allfall – meiner at det er litt i overkant, og at det hadde vore hensiktsmessig å få ein reduksjon. Framstegspartiet meiner også at vi burde fått ein reduksjon, men dette skal skje på ein frivillig måte. men dette skal skje på ein frivillig måte. Det er sjølvsagt viktig at ein legg til rette for dette og bruker dei økonomiske verkemidla som ein har. No er det positivt at det i denne proposisjonen er lagt inn forslag om at ein skal auka overgangsordningane, frå 10 + 5 år til 15 + 5 år. Det er eit skritt i riktig retning og noko som Framstegspartiet har ivra for lenge. Det gjer sjølvsagt at tapet, i form av reduserte inntekter ved å slå saman kommunar, vil bli mindre. Men framleis vil det altså vere eit tap, spesielt for dei minste kommunane. Det ønskjer Framstegspartiet å gjere noko med, slik at det er ingen som skal tape på å slå seg saman. Eksempel viser, frå eit spørsmål som er stilt til statsråden, at når to kommunar på under 3 000 innbyggjarar i Nord-Troms eller Finnmark slår seg saman, vil dette medføra eit inntektstap for desse kommunane på 31,6 mill. kr 2010-kroner etter 20 år. Det betyr at kommunane må effektivisere tilsvarande for å komme i null. Derfor er dagens finansieringsløysing til hinder for at ein får til gode, frivillige

ti rådmenn mente at den økonomiske situasjonen for kommunene ville forverres. I går fikk vi fasiten fra Statistisk sentralbyrå: Det ble 10 000 flere sysselsatte i kommunal sektor i 2010 – 3 000 flere Hvordan mener Hagesæter at kommunene har vært i stand til å ansatte 10 000 flere hvis økonomien er forverret? No er det altså slik at om ein er rundt om i Kommune-Noreg og snakkar med lokalpolitikarar, både frå Framstegspartiet og frå Arbeidarpartiet, opplever dei ikkje noko forbetra økonomi i kommunesektoren. Det er blitt det er det, men det kjem bl.a. av at det også har blitt fleire innbyggjarar i Kommune-Noreg. Det er også blitt fleire krav og pålegg som er blitt velta over på kommunane, noko som gjer at ein må ha fleire tilsette. I tillegg er det også andre ting: Alle prognosar tilseier at ein vil få ein renteoppgang i tida som kjem. Gjelda er nesten fordobla sidan den raud-grøne regjeringa tok over makta. Ein har også ei aldrande befolkning, og det gjer at det kostar meir å drifte kommunane. Og alt tyder på at ein også får auka pensjonskostnader i åra framover. Derfor er det altså slik at kommuneøkonomien ikkje er blitt betre – og ikkje vil bli betre til neste

deler ut i alle retninger. De deler ut til formuesskattelette, som foreslås hvert eneste år, og deler nå ut 5 mrd. kr til kommunene. Det er lekepenger som vi aldri kommer til å se snurten av, for vi ser at samarbeidspartiene til Fremskrittspartiet ikke har de samme pengene. Da blir det knallhard prioritering for Gjermund Hagesæter og Hvis du har valget mellom å fjerne hele formuesskatten, slik som Fremskrittspartiet vil, og å øke velferden rundt omkring til folk som bor i kommunene, hva ville du velge å gjøre først? Då vil eg seie: Ja takk begge deler. Vi har altså eit overskot på statsbudsjettet for inneverande år. Prognosane tilseier 313 mrd. kr i Det betyr at vi har råd til skattelette, som gjer kvardagen enklare for folk flest – det skal lønne seg å jobbe, og det vil også tryggje norske bedrifter og dermed arbeidsplassar. Vi har også råd til å sikre vedlikehald av fylkesvegane, som vi foreslår, og vi har meir pengar til kommunane, slik at innbyggjarane får dei tenestene dei har krav på. på. Vi har også råd til å gjere noko med dei 280 000 som står i sjukehuskø i dag og ventar på behandling. Det er uverdig å ha så mange i helsekø. Desse køane må ned. Det er snakk om mange skjebnar, så det må vi få rydda opp i. Replikkordskiftet er omme. Høyre har foreslått en økonomisk ramme for kommunesektoren både i 2009, 2010 og

Vårt alternativ innebærer imidlertid at en større andel av inntektene ville komme gjennom at kommunene hadde fått beholde mer av egne skatteinntekter. I motsetning til regjeringens opplegg ville et samlet opplegg fra Høyre ha betydd en jevnere vekst for sektoren, fortsatt fokus på effektivisering og fornying og forventninger til sektoren i samsvar med de økonomiske rammene. Kommuneproposisjonen for 2012 inneholder få overraskelser. Den rød-grønne regjeringen fortsetter en politikk hvor kommunene får stadig mer begrenset politisk handlingsrom, hvor staten fortsetter sin sentraldirigering, og hvor verdien av næringsutvikling i egen kommune ikke blir honorert. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at en tradisjonelt har kunnet dele den statlige styringen av kommunene inn i to hoveddimensjoner: styring av målsettingene Styring av virkemidlene i forhold til kommunene har tidligere vært mye brukt, f.eks. gjennom øremerking av midler. Under dagens regjering ser vi imidlertid at styringen er dobbel. Riktignok reduseres andelen øremerkede midler, men styring gjennom andre føringer, som forskrifter, regelverk og lover, har økt parallelt med den statlige styringen av målsettinger på vegne av kommunene, gjennom både rettighetslovgivning, maksimalprising på ulike tjenester og målsettinger som f.eks. full barnehagedekning. Denne dreiningen innskrenker handlingsrommet til de lokale beslutningstagerne, og vi mener at regjeringen Stoltenberg har skapt en stor forventningskrise i Gjennom media og i den politiske debatten skapes det inntrykk av at Kommune-Norge har fått økte midler til å forbedre tjenestetilbudet. Etter vår mening er dette feil. Kommunesektoren har hatt store utfordringer knyttet til kostnadsveksten. Regjeringen har ikke vist evne til å ta inn over seg de nye utfordringene som kommunesektoren står overfor. Kommunenes utgifter har de siste årene økt mer enn det regjeringen overfører. Praksisen fra dagens regjering er at kommuner får tilskudd det første året et tiltak blir innført, men at regjeringen deretter fjerner tilskuddet. Denne praksisen medfører at kommuner blir pålagt oppgaver som ikke er fullfinansiert. Dette bekreftes bl.a. i PwCs og KS' FoU-prosjekt: «Hvem tar regningen? Er statlige reformer fullfinansierte?», hvor bl.a. barnehagereformen og dens finansiering evalueres. Under dagens regjering har kommuner og fylkeskommuner fått stadig flere lovpålagte oppgaver uten at finansieringen følger med. Dette medfører at kommunene må kutte i sine øvrige ansvarsområder. Frihetsbehovet for Kommune-Norge må også innebære frihet fra underfinansierte reformer. Regjeringen truer på mange måter kommunenes frihet gjennom manglende finansiering og løfter som stiller lokalpolitikere i utfordrende situasjoner, fordi de ikke er i stand til å levere det som forventes av dem. Friheten til å kunne prioritere i tråd med lokalpolitiske ønsker har dermed blitt svekket. Den viktigste friheten for kommunene er likevel frihet til å gi gode nok tjenester og frihet til lokal tilpasning.

Kommunene er nå inne i et tøft arbeid med omstilling og effektivisering for å få utgiftene i samsvar med inntektsnivået. Hvis ikke kommunene i dette arbeidet får muligheter til å omstille og effektivisere for å få mer igjen for pengene, blir konsekvensene reduksjoner i tjenestetilbudet og redusert kvalitet, parallelt med økte forventninger som følge av regjeringens retorikk. Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen at den vil fremme forslag om lovfesting av samkommunemodellen. KS og kommunene selv har uttalt seg klart mot en slik ordning, og Høyre stiller seg kritisk til at regjeringen allikevel ønsker å fremme en proposisjon om samkommuner og økt byråkrati. Vi vil naturligvis komme tilbake til dette når saken blir fremmet for Stortinget. Vi viser videre til en uttalelse fra KS' landsstyre i fjor, 28. mai, der de sier at: «Regjeringen foreslår at skatteinntektenes andel av kommunesektorens inntekter reduseres fra 45 pst. til 40 pst.» Det står riktignok 4 pst. i innstillingen, men det er altså en feil som må rettes opp. Videre: «Skattesvake kommuner vil tjene på det, mens kommuner hvor innbyggerne bidrar med mer skatt taper. Landsstyret i KS mener at lokal forankring av inntektene er viktig for det lokale selvstyret.» Vi deler denne oppfatningen og mener at kommunene må få beholde minst halvparten av egne skatteinntekter. Det er viktig at kommunene stimuleres til å drive aktivt nærings- og utviklingsarbeid, slik at en kan bidra til økt verdiskaping og vekst i skatteinntektene. Ved stadig å redusere skatteinntektenes betydning for kommunene motvirker regjeringen en slik utvikling. Det er svært viktig at kommunene får beholde deler av selskapsskatten lokalt. Det skaper et viktig grunnlag for kommunene for å kunne føre en positiv og fremtidsrettet næringspolitikk. Med regjeringens opplegg, hvor en reduserer skatteandelen til kommunene til 40 pst., og heller ikke lar kommunene beholde en del av selskapsskatten, er insentivene for utvikling av en vekstkraftig næringspolitikk i kommunene effektivt fjernet. Dette er svært uheldig og sender signaler om at kommunenes innsats på dette området er av liten betydning. Det er stikk i strid med hva Høyre mener. Derfor har gledelig nok både Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti samlet seg om følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sikre at 4,25 pst. av selskapskatten tilbakeføres til kommunene.» Det er gledelig at en samlet opposisjon nå slår fast at kommunene skal ha noe igjen for å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser. Dette passer naturlig nok ikke inn i regjeringens trekk alt inn i statskassa, og del sjenerøst ut igjen til kommunene. Det er regjeringens motto. Det hørte vi også i representanten Ingalill Olsens innlegg. Hun snakket om at kommunene skulle få gleden av å forvalte det som staten delte ut, istedenfor å tenke at de skatteinntektene som skapes lokalt, og de inntektene som skapes lokalt, faktisk er kommunenes – inntekter som da blir sendt til og trukket inn i statskassa, for så å bli delt ut igjen. Kommunene vil få en økning i sine frie inntekter på mellom 3,75 og 4,25 mrd. kroner i 2012. Kostnader knyttet til den demografiske utviklingen er på om lag 2,1 mrd. kroner og må dekkes av veksten i frie inntekter. KS forventer en høyere utgiftsvekst enn hva regjeringen forutsetter. Så over til noen fagområder som kommunene har ansvaret for. Barnehager er ett av dem. Høyre er opptatt av å sikre et godt kvalitetsmessig og mangfoldig barnehagetilbud for alle barn. barn. Jeg vil vise til Høyres tidligere merknader om delkostnadsnøkkelen for barnehagene, hvor vi var kritiske til bl.a. utdanningskriteriet som fordelingskriterium. Statssekretær Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet sier til Kommunal Rapport 27. mai 2011 at utdanningskriteriet viser tegn til å bli svekket da det ettersom flere benytter tilbudet om barnehageplass, har mindre betydning for etterspørselen etter barnehageplass. Regjeringens egne beregninger viser at det ble opprettet om lag 1 100 flere heltidsplasser i barnehagene enn anslått i 2010. Dette tyder på at utdanningskriteriet som et objektivt og rettferdig fordelingskriterium er ytterligere svekket. Høyre er bekymret for at dette fører til en skjev fordeling av tilskudd mellom kommunene, noe som til syvende og sist går ut over barna, foreldrene og de ansatte i barnehagen. Vi er også bekymret over at den pedagogiske bemanningen i barnehagene er svekket, og at mange private barnehager opplever usikkerhet om hvilke økonomiske rammer de skal forholde seg til, etter at ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd trådte i kraft 1. januar 2011. Også innenfor det kommunale barnevernet er det store utfordringer. Det har blitt behørig debattert i denne sal mange ganger, og jeg går ikke videre inn på det, men viser til de lange og mange merknadene som opposisjonen har om barnevern i innstillingen. Vi står på terskelen til en valgkamp, der flere tusen kandidater for første gang har stilt seg til disposisjon, er motiverte og ønsker å være med på å utforme sitt lokalsamfunn. Jeg og Høyre ønsker å gi disse kandidatene større tillit enn det regjeringen vil. Vi ønsker å gi kommunepolitikerne rett til å være herrer i eget hus, vi vil redusere den statlige dirigeringen og overstyringen, vi vil gi kommunene redskap som gjør at næringsutvikling lønner seg, og vi vil at lovlige vedtak fattet i kommunale organ, folkevalgte organ, ikke skal kunne overprøves ved bruk av statlig skjønn av byråkrater uten folkevalgte verv. Vi vil ta lokaldemokratiet på alvor. Vi vil at de topp motiverte førstegangskandidatene skal være like entusiastiske ved utløpet av neste valgperiode som de er nå rett før valget. Norske kommuner må få større frihet. Vi trenger en frihetsreform for Kommune-Norge! Det blir replikkordskifte. Representanten Helleland er sikkert enig i at det

at regjeringens opplegg «vil kreve omstilling og kutt fra kommunenes side». I går la SSB fram tall som viser en vekst på 10 000 sysselsatte i norske kommuner. Kan Stortinget nå få en innrømmelse fra Helleland om at han tok feil da han karakteriserte 2010-budsjettet som et kuttbudsjett, og kan Helleland forklare hvordan hans beskrivelse av omstilling og kutt er forenlig med uttalelser fra Høyres nestleder Jan Tore Sanner

det som er utgangspunktet til representanten Haugli, er at Høyre visstnok skal ha sagt at det står så dårlig til i Kommune-Norge. Nei, det står ikke dårlig til i Kommune-Norge. Høyre har gitt akkurat de samme rammene for kommunesektoren som regjeringen har gjort – som jeg begynte innlegget mitt med – i 2009, 2010, 2011, og vi kommer antagelig til å ligge på det samme i 2012. Det er ikke Kommune-Norge som er problemet, det er regjeringen. Det er regjeringen, som overhodet ikke ønsker å gi kommunene tillit, ved at det stadig blir mer sentraldirigering. Det blir mer sentralstyring, det blir overstyring og detaljregulering. Statsråd Navarsete har jo varslet en egen melding om dette, som Stortinget visstnok skal få, kanskje rett før valget. Det blir interessant, for det er jo en erkjennelse av at denne regjeringen har feilet. De klarer ikke å ta kommunene på alvor gjennom å gi dem den friheten de faktisk fortjener. Det var, etter min oppfatning, en komplett uforståelig avslutning fra Trond Helleland til den

felles regler og felles fornuftig politikk, som framkommer her på Stortinget. Ellers merket jeg meg at her om dagen var Bent Høie fra Høyre ute og mente at Oslo kommunes måte å drive anbudspolitikk på overhodet ikke var riktig i forhold til barnevern, og hvordan det blir drevet. Jeg regner vel med at Høyre kommer til å være ute og egentlig ønske å detaljregulere kommunene på det området. Jeg er hjertens enig med Bent Høie, men den beste måten å gjøre noe med det på er å skifte ut styret i Oslo. Men jeg skulle spørre om skatt. Det er de rikeste kommunene, Asker og Bærum, som vil tjene på politikken til Trond Helleland. Det finnes ingen dokumentasjon på at det å øke skatteandelen fører til mer næringsutvikling. Jeg vet ikke om det var et spørsmål, eller om det var en konstatering fra Holmås’ side, det han avsluttet med. Han hevdet at jeg hadde en uforståelig avslutning av mitt forrige replikksvar. Jeg klarte heller ikke helt å få sammenhengen i det representanten Holmås snakket om. Men det han sa, var jo at sa, var jo at det var – jeg holdt på å si – fryd og gammen i Kommune-Norge, fordi de hadde så mye frie midler. Men jeg viste i mitt innlegg til at demografi tar veldig mye av de frie midlene, og hvorfor skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om den statlige overstyringen av norske Det er jo åpenbart et problem, når statsråd Navarsete gjør dette til en av sine hovedsaker. Jeg er helt enig med statsråden i at Kommune-Norge er overstyrt. Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane har startet en egen Facebook-side, der han ber om innspill om statlig detaljstyring og overstyring av norske kommuner. Holmås bør lese den meldingen som kommer, og antagelig bli klok. klok. Representanten Helleland skaper et inntrykk av at økonomiutviklingen har vært dårligere under denne regjeringen enn den var fram til 2005. En som kom inn i lokalpolitikken i 2005, og som kjempet den første saken, som gjaldt nedsettelse av en øksekomité for kraftige nedskjæringer i alle tjenesteområder i kommunen på grunn av dårlig kommuneøkonomi, kjenner seg ikke helt igjen. Det er fortsatt store utfordringer med å være lokalpolitiker, men nå går diskusjonen mer på hvor vi skal øke tjenestetilbudet, og hva slags nye stillinger vi skal utlyse, istedenfor hvor vi kan vi skjære ned, og hvem vi må si opp. 10 000 nye stillinger i 2010 tyder jo på at det går

år. Dette reflekterer jo den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet. Det kan jo ikke være sånn at kommunene i Norge har en voldsom handlefrihet i de årene der staten og næringslivet ellers ligger med brukket rygg. Det har vært en eksplosjon i økningen i Statens pensjonsfond utlands disponible midler, noe som naturligvis også tilfaller en av de viktigste velferdsprodusentene i landet, nemlig norske kommuner. Så jeg er glad for at det har gått bra med oljeprisen, at vi har klart å sette til side og holdt handlingsregelen og samtidig gitt rom for økt utvikling i norske kommuner. Dermed er replikkordskiftet omme. Når vi diskuterer kommuneøkonomi i Norge og utsikten for den norske velferdsstaten, der kommunene spiller en helt sentral rolle, er

drastiske kutt. Etterdønningene etter finanskrisen er dramatisk, med skyhøy arbeidsløshet – en ødeleggende arbeidsløshet for ungdomskullene, som hindrer ungdom i å komme inn og få seg sin første jobb, og som dermed antageligvis i mange omganger kommer til permanent å sørge for at de aldri kommer seg inn. Dette er mange land som har prøvd oppskrifter, fra høyre til ytterste høyre. Jo mer høyrevridd landene har vært, jo mindre bra har det gått for en del av dem under år med oppbygging og kutting i skatter, og isteden satsing på privat næringsliv på en måte som ikke har vært bærekraftig. I kontrast til dette står Norge, en fredelig Vi har den laveste arbeidsløsheten i hele Europa. Vi har hatt stigende sysselsetting i en lang periode. Også i år forventer vi nye arbeidsplasser med flere folk som gjør en jobb. Vi har hatt innvandring fra andre land i Europa for å bidra til den verdiskapingen og velferden. Mange av dem blir værende her når det går dårlig i andre land. Vi har god økonomi i Norge på grunn av at vi har et rød-grønt styre som ikke har skuslet vekk pengene til skattelette, men isteden investert i framtid, i verdiskaping og i velferd. Det kan vi ikke glemme når vi har denne store diskusjonen. I en sånn situasjon er det KS uttrykker at

I går kom tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at i løpet av de rød-grønnes periode med styre har vi altså fått over 50 000 nye årsverk rundt omkring i kommunene, som har gått til skole, som har gått til utdanning, til barnehage, med den kjempestore barnehagerevolusjonen vi har vært gjennom, til velferd for både ungdom og eldre som trenger til omsorg for alle sammen. Det er målsettingen vår: å bruke de store pengene nettopp på omsorg. Det er ingen tvil om at velferdsstaten og satsingen på kommunene er viktig på flere forskjellige måter. Det ene er at det bidrar til å utjevne forskjellene. Velferdsstaten utjevner forskjeller. Istedenfor å satse på mer skattelette, mest til dem som har mest sånn som Gjermund Hagesæter var inne på når han går for et knallhardt forsvar for å fjerne formuesskatten, som vil gi mest til dem som har mest – står det å satse på velferd for en utjevningspolitikk. Derfor ser vi også at forskjellene synker i Norge, og har gjort det under den rød-grønne regjeringen. Det med at forskjellene blir mindre, er etter min oppfatning det vakreste som er med Norge.

Vi har akkurat en diskusjon om integrering, der ordet «dugnad» står sentralt. Akkurat det ordet har man ikke på alle språk, men alle sammen forstår det å hjelpe hverandre, for det ligger rotfestet i de aller fleste kulturer. Men i borettslaget mitt, der jeg vokste opp, var det sånn at en av naboene mine overbeviste meg om at det fantes et eget rom i helvete for dem som ikke var med på dugnaden. For mennesker har tillit til hverandre når de kjenner hverandre og vet om hverandre, og folk vet hvem ordføreren i kommunen deres er. Derfor er lokaldemokratiet nettopp viktig for denne tilliten. I Vinje kommune hilser alle på Arne Vinje. Det er kult å være ordfører i Vinje og hete Vinje. Det skulle vært som om jeg het Heikki Oslo når jeg representerte Det er i Kommune-Norge at det norske fellesskapet bygges og rundt omkring i lokalsamfunnene at dugnaden skjer. Det er det kommuneproposisjonen og kommunevelferden går ut på. Vi driver på til høsten når det skal være valg, og går til valg nettopp på akkurat dette: å skape kommuner som er gode for folk og gode for miljøet. Med oss rød-grønne i førersetet, med SV med en hånd på rattet,

at flere av dem som ønsker det, skal få bo i den kommunen de kommer fra, eller i den kommunen de har lyst til å bo i i resten av landet. Det å satse på god kommuneøkonomi er den beste måten å drive distriktspolitikk på. Det er klart at disse nye arbeidsplassene – over 50 000 nye årsverk, som har kommet rundt omkring i Kommune-Norge de siste årene de rød-grønne har styrt – kommer over hele landet. – kommer over hele landet. De kommer ikke bare i Oslo eller i Bergen, slik at folk flytter og blir boende i storbyene. De kommer over hele landet. Vi vet at det er mange damer som jobber i det offentlige. Det å sørge for at det finnes arbeidsplasser både til damer og menn rundt omkring over hele landet, er utrolig viktig. Derfor er god kommuneøkonomi avgjørende for bosetting over hele landet. i Øygarden utenfor Sotra. Der har mitt favorittselskap – Sway heter de – fått lov til å sette opp verdens største vindmølle, som er en halv gang høyere enn Oslo Den som er nabo, er lokal SV-er, Aud Karin Oen. Hun er nærmeste nabo og har stemt for i kommunestyret, men hun har sagt til meg at hvis ikke den vindmøllen er nede etter testperioden på fem år, kommer hun personlig og kaldkveler meg. Det ser jeg ikke på som en dødstrussel, men det viser kombinasjonen – hvordan lokalt engasjement for å støtte opp om næringsutvikling også bidrar til bosetting og utvikling over hele landet. Det er så mye som skjer rundt omkring over hele landet. hele landet. I nabokommunen til Oslo over vannet, Nesodden, har SV-ordføreren Christian Hintze Holm gått Bellona-bygget, som til nå er et av de husene i landet som er mest energieffektivt, en høy gang med energisparing, ved nettopp å satse på lokal kompetanseoppbygging i næringslivet, ved å stille

å nevne Bergen kommune. Vi i kommunalkomiteen var i Bergen og så på bosssug. Bossug er en fantastisk ting. Det er et avfallssug. Det handler rett og slett om at man bygger opp en infrastruktur for å samle sammen boss. I stedet for å ha alle bilene som kjører rundt, og bosspannene som står rundt omkring over hele byen og er med på å forsøple og skape rotteplage, har Bergen kommune gått foran i å

er glad for at regjeringen skal se på denne saken for å fremme satsing på infrastruktur for framtiden. Jeg kan ikke la være å nevne den enorme innsatsen kommunene gjør for å skape gode oppvekstkommuner for folk. Barnehagerevolusjon og god kvalitet er ting som bidrar til at folk trives i kommuner over hele landet. Det blir replikkordskifte.

No trur eg nok at Noreg har litt meir olje enn Hellas. Vi har ikkje berre oljeinntekter som er stipulert til å gi oss eit overskot i år på 313 mrd. kr, men vi har også eit oljefond som er på 3 100 mrd. kr. Eg trur ein skulle ha vore ganske uheldig og klart å rota det ganske mykje til dersom Noreg i ein slik økonomisk situasjon ikkje skulle komme bra ut. Heikki Holmås viste også til at Noreg ikkje har skusla bort pengane til skattelettar. Mitt spørsmål er då: Meiner Holmås at dersom skattebetalarane får behalde meir av sine inntekter, blir desse pengane skusla bort utan mål og

og å spleise på disse godene er en mye bedre løsning enn å skusle vekk pengene. Men det er ingen tvil om at hvis man gir 7 mrd. kr, 12 mrd. kr eller enda mer i formuesskattelette, vil de aller fleste pengene gå til de folkene som har over 3 mill. kr i inntekt. Det er å skusle vekk penger fra fellesskapet, som i stedet kunne vært investert i forskning og utvikling til fellesskapets beste.

innen 2017. Statsråd Lysbakken har etter hvert begynt å dele Kristelig Folkepartis bekymring for de svakeste av de svake, barn som trenger ekstra hjelp. Men jeg kan ikke se noe i kommuneproposisjonen som sier at det ligger an til økt satsing på barnevern. Når skal den rød-grønne regjeringen og regjeringspartiene sørge for at barn ikke bare har en barnehageplass, men at de også har et trygt og godt Geir Jørgen Bekkevold legger fram en visjon som jeg deler, nemlig at alle unger som trenger hjelp fra det offentlige for å klare livene sine, enten sammen med foreldrene sine i første omgang eller eventuelt få et tilbud utenfor hjemmet, i fosterfamilie eller annet, er umåtelig viktig å sørge for. Som Bekkevold ganske riktig sier, ligger det ikke en klar opptrappingsplan her i kommuneproposisjonen i årene som

at Audun Lysbakken som barneminister – også barnevernminister – har en klar ambisjon om å få til en opptrapping av barnevernet i de årene som kommer, og det året vi har bak oss nå, med et kjempeløft, har vært et viktig og tydelig signal i den retning. Representanten Holmås var jo gjennom det meste av Europa og

Er dette en utvikling Holmås synes er heldig – særlig sett i lys av at regjeringen og Norges Bank og andre varsler at rentenivået skal gå ganske kraftig opp i tiden framover. Er Holmås betrygget på vegne av norske

Hvis det er slik å forstå at Høyre egentlig mener at man ikke burde bygge disse sykehjemmene og ikke burde bygge disse barnehagene, så hadde det vært interessant å få vite før vi går ut i valgkampen. Det er klart at det å investere for framtiden krever at du har økonomi til å gjøre det, og jeg opplever at kommunene er trygge på at vi, den rød-grønne regjeringen, er den sterkeste garantisten de har for fortsatt vekst i årene som kommer. Hvis du ser på den samlede kommuneøkonomien, så mener jeg at vi på toppen under Erna Solberg hadde knapt 150 kommuner på ROBEK-listen. Den er altså omtrent en tredjedel i dag av det den var den gang. Det er antagelig det beste målet på om du har en streit kommuneøkonomi som det går an å leve med.

For å tilpasse politiske prioriteringer til innbyggernes behov er det nødvendig å desentralisere de fleste tjenestene til kommunene. Kommunesektoren har fått en betydelig vekst under denne regjeringen – fra 2005 til 2010 på hele 48,2 mrd. kr., dvs. på 17 pst. Til tross for betydelige forbedringer har Kommune-Norge store utfordringer også i tiden fremover. Antall eldre vil øke de kommende årene, og dermed vil etterspørselen etter tjenester i pleie- og omsorgssektoren øke. Gjennom Samhandlingsreformen vil kommunene få tilført nye og spennende oppgaver og mange nye kompetansearbeidsplasser. Samhandlingsreformen skal gjennomføres over tid fra januar Kommunene får overført 5 mrd. kr fra staten, fra helseforetakene, for å finansiere de nye oppgavene. Reformen skal sikre et effektivt pasientforløp og gode tjenester på lavest mulige effektive nivå. Hovedintensjonen med reformen er at brukerne skal få tilgang på helsetjenester så nær hjemmet som mulig. Opposisjonen hevder at kommunene ikke er i stand til å løse disse oppgavene, og man kan av og til få inntrykk av at pasientene fra 1. januar blir kastet ut fra sykehuset og satt på gata hvis hjemkommunen ikke står klar med et tilbud. Slik er det selvsagt ikke. Mange kommuner har allerede bygd ut sitt tilbud og kan ta imot utskrivningsklare pasienter, f.eks. tilby heldøgnsplasser, fra 1. januar 2012. Andre kommuner har valgt å løse disse oppgavene i samarbeid med nabokommuner og har bygd opp eller er i ferd med å bygge opp et interkommunalt tjenestetilbud på dette feltet. Atter andre er ikke kommet like langt i prosessen, og de vil velge å kjøpe tjenestene av helseforetakene i en overgangsperiode. Alle disse løsningene er like Det er mye viktigere at kommunene tar seg god tid til planlegging, får på plass nødvendig kompetanse og kan gi pasientene et tilbud som er minst like godt som det helseforetaket kan gi, før de tar over oppgavene. Det er mye viktigere enn at tilbudet er på plass til en bestemt dato.

Et godt og forutsigbart avlastningstilbud gjør at demente kan bo hjemme i egen bolig mye lenger. Uavhengig av kommunestruktur vil det være et stort behov for ulike former for interkommunalt samarbeid. Når samkommunemodellen nå blir lovfestet, vil kommunene få et nytt verktøy å velge når det gjelder organisering av interkommunalt samarbeid. Den legger til rette for at kommuner kan samarbeide på tvers av alle sektorer under et felles samkommunestyre, og vil være spesielt godt egnet for kommuner som har alt sitt interkommunale samarbeid i faste samarbeidsregioner. Senterpartiet vil legge vekt på god folkevalgt styring og kontroll når det gjelder ulike interkommunale samarbeidsformer, særlig på viktige områder som helse og velferd. Nye oppgaver som følge av Samhandlingsreformen organiseres etter min mening best enten etter vertskommunemodell med politisk nemnd eller etter samkommunemodellen.

Eg vil då vise til senterpartiordføraren i den senterpartistyrte kommunen Gloppen, som har lagt ned grendeskulen og klagar over dårleg økonomi. Er det slik at senterpartiordføraren i Gloppen kommune har sløst bort pengane, eller kan det vere at økonomien til kommunane ikkje er så bra som ein høyrer snakk om, når det vert vist til at ein har overført masse pengar? Kan det vere at ein rundt omkring i Kommune-Noreg opplever at pengane, dei frie midlane, vert oppetne av vesentleg auka kostnad? Nå kjenner ikke jeg situasjonen i Nå kjenner ikke jeg situasjonen i Gloppen kommune spesielt, så den kan jeg ikke kommentere. Når det gjelder skolestrukturen rundt omkring i Norge, er nedleggelsene der ofte et resultat av lave elevtall, at de vil ha større pedagogiske miljø, men også et resultat av økonomiske utfordringer. Rammene gir kommunene muligheten til selv å velge hva de vil prioritere. Kommuneøkonomien i Norge har generelt blitt mye bedre den siste perioden. Vi ser at antall stillinger i Kommune-Norge har økt med 10 000 bare det siste året. Hva Gloppen kommune har prioritert, har jeg ikke kjennskap til. Men det kan jo være andre tjenester, f.eks. økning til eldreomsorg, som har blitt prioritert på en annen måte i den kommunen.

Hvis det er slik at alt er i orden og det gode beveger seg fra å være godt til å bli stadig bedre, hvordan kan det ha seg at antallet ROBEK-kommuner er jevnt stigende siden 2007? De har altså steget fra 42 til 44, så til 48 og 49, og i 2011. Det er en jevn og sikker stigning, og en utvikling i gal retning, etter mitt skjønn. Hvordan harmonerer det med representantens rosende ord om utviklingen i kommunesektoren? Hvis du kaller stigningen fra 2007 til 2010 fra 42 til 50, var det vel du sa, for en voldsom stigning, kan du heller spekulere i hvordan vi klarte å få ned antall ROBEK-kommuner fra bortimot 120 i 2005, da den rød-grønne regjeringen overtok, til 42. Det tyder vel på at det har vært en ganske dramatisk nedgang i den perioden. Jeg tror at det vil være variasjoner i når det gjelder økonomien, i den størrelsesordenen, 42 til 50 – det vil gå opp og ned uansett kommuneøkonomi. Vi ser at det er mange kommuner som nå tør å investere, og som klarer å betjene de investeringene de gjør. Det bygges barnehager, det bygges heldøgns omsorgsplasser, og det tyder vel på at det ser atskillig lysere ut i Kommune-Norge nå enn det gjorde for seks år Presidenten vil bare minne om at all tale skal rettes til presidenten. Nå er det riktig at det var en formidabel nedgang de siste årene av Bondevik II-regjeringen, bl.a. fordi man hadde en vellykket økonomisk politikk som gjorde at kommunene i større grad fikk naturlige skatteinntekter,

Jeg føler at hele Kommune-Norge nå har fått en styrket økonomi og det er mer optimisme, låneopptaket tyder også på det. Det har vært problematisert av opposisjonen at kommunene har fått for stort låneopptak. Jeg vil heller si at det tyder på at det er investeringsvilje og investeringsevne i Kommune-Norge. Replikkordskiftet er omme. Kristelig Folkeparti legger til grunn at politiske beslutninger skal tas på lavest mulig hensiktsmessig nivå. Dette forutsetter at maktfordeling og finansiering er slik at både kommuner og

Det må være samsvar mellom kommunens pålagte oppgaver og kommunens økonomi. Statlige reformer og pålegg må derfor følges opp med tilstrekkelige frie midler, men disse hensynene er dessverre ikke tilstrekkelig ivaretatt i regjeringens opplegg for kommunene i 2012. Kristelig Folkeparti mener det ikke er riktig, som det antydes av regjeringen i kommuneproposisjonen, at opplegget for kommuneøkonomien i 2012 vil gi mulighet for forbedret tjenestetilbud og fortsatt vekst utover det som demografiutviklingen, økte renter, pensjonskostnader og økte lønninger krever. Realiteten er vel den at det for mange kommuner blir et status quo, og kanskje også noen kommuner dessverre er nødt til å kutte i viktige tjenestetilbud som pleie og omsorg, skole og barnevern. Kristelig Folkeparti mener at kommuneopplegget må styrkes med 1 mrd. kr i frie midler utover regjeringens forslag dersom det skal være rom for større økonomisk handlefrihet. Behov for økt kvalitet i helsetilbudet, skoler og eldreomsorg, brukerstyrt personlig assistanse, ressurskrevende tjenester og opprustning av barnevernet viser at kommunene sårt trenger større handlingsrom. Kristelig Folkeparti har lenge kjempet for å få til en opptrappingsplan for det kommunale barnevernet. Kristelig Folkeparti har bl.a. foreslått en opptrappingsplan for å nå full barnevernsdekning innen 2017. Kommunene rapporterer om store uløste utfordringer i det kommunale barnevernet. Jeg er glad for at statsråd Lysbakken har gitt uttrykk for at barn og unge ikke skal vente på å få hjelp hvis de trenger det, men jeg vil samtidig peke på de fortsatt store udekte behovene som kommunenes søknader og kommunenes rapporteringer viser. Dette handler om å gi de mest sårbare barna best mulig omsorg. Så også noen tanker rundt Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen er en svært viktig reform og kan betegnes som en omveltning av Den aller største endringen går på hvordan helsetilbudet skal organiseres, da mer ansvar og flere oppgaver flyttes fra de regionale helseforetakene og ned til kommunene. Jeg er enig i prinsippet i Samhandlingsreformen om at større deler av pasientforløpet skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale men det er en rekke spørsmål som fremdeles står ubesvart. For å løse de nye oppgavene i Samhandlingsreformen må kommunene bygge opp både fasiliteter og ikke minst kompetanse. Dette vil medføre store utgifter. Allerede i dag må mange kommuner la økonomiske hensyn veie tyngre enn kvalitet og faglig standard på tjenester av presset i kommuneøkonomien. Det vil også være betimelig å spørre: Hvor mange kommuner er egentlig helt klare når reformen nå trer i kraft om under et halvt år? Og hva skjer med de kommunene som henger etter? Det er viktig nok en gang å påpeke at som innebærer store endringer i alle kommuner i hele Norge – i hele landet. Det er endringer for små kommuner, og det er endringer for store kommuner. Derfor har det vært Kristelig Folkepartis syn i denne saken at en slik reform må implementeres i et tempo som passer. Mange kommuner føler at dette er noe som blir dratt nedover hodet på og det tjener verken kommunene eller pasientene, eller reformen som sådan. Til slutt tar jeg opp de forslag som Kristelig Folkeparti er med på å fremme i denne innstillingen. De forslagene er tatt opp av representanten Hagesæter tidligere i debatten. Det blir replikkordskifte.

2010. Da er det formålstjenlig å minne representanten om hva han sa i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2010: «Kommuneopplegget er i år ikke bedre enn det må være. Det er et stramt budsjett som ikke øker handlingsrommet for kommunene.» Det må være frustrerende for kommunepolitikere rundt om i landet vårt som må ta støyten for den politikken som regjeringen fører. Med fasiten i hånden – ser representanten Bekkevold at hans karakteristikk av 2010-budsjettet kanskje var noe pessimistisk? var noe pessimistisk? Og kan det ikke også være sånn at representanten tar feil i sine spådommer om budsjettet for 2012? Det er interessant å lese statistikker, og det er interessant å se hva det er i disse statistikkene man kanskje ikke er så veldig opptatt av å peke på. Kommune-Norge er veldig forskjellig. Det skulle vært veldig interessant å se om disse 10 000 arbeidsplassene er jevnt fordelt rundt omkring i alle kommuner i Norge. Det er det ikke sikkert de er. Og det skulle vært veldig interessant å se hvor disse kommunene som har gått til økt sysselsetting, har fått inntektene fra. Kan det f.eks. være at de har økt boligbeskatningen, at de har vært tvunget til på den måten å få inn inntekter til å ansette flere? For det er behov for flere ansatte, og jeg pekte i min replikk til representanten Ingalill Olsen på verdighetsgarantien, som kommer til å kreve langt flere ansatte enn de 10 000 nye arbeidsplassene som er blitt opprettet i 2010. Kristelig Folkeparti er sammen med Høyre og Fremskrittspartiet om et forslag som handler om å tilbakeføre

de kommunene som har folk med høyest inntekt, høyest sysselsetting og lavest arbeidsløshet. Mitt inntrykk er at bykommunene har en naturlig magnetisme på befolkning som kommer til seg, mens en god del distriktskommuner har større problemer, og der er alle politikerne på tvers av partiene opptatt av næringsvirksomhet.

til at man faktisk legger betydelig arbeid ned i det. I dette ligger det også en erkjennelse av at regjeringen ikke leverer nok. Kommunene må også sørge for egne inntekter. Vi ønsker som sagt å la kommunene få lov til å beholde mer av sine skatteinntekter enn det regjeringen legger opp til, slik at de skal bli i stand til å kunne produsere gode, viktige tjenester for befolkningen.
Bekkevold den samme feilen som både Fremskrittspartiet og Høyre ofte gjør når de presenterer dette, nemlig å framlegge dette som en argumentasjon for at det blir mer penger til kommunene hvis man gir dem muligheten til å beholde noe av selskapsskatten. Sannheten er jo, som også under den forrige regjeringen, at man av rammeoverføringene til alle kommunene og gir til de kommunene som har de største næringsinntektene og de største skatteinntektene. Det er altså noen av de rikeste kraftkommunene, det er de rike kommunene Asker og Bærum, og det er en del bykommuner, som har en naturlig magnetisme. Jeg gjentar spørsmålet: Er det sånn sånn at Geir Jørgen Bekkevold eller Fremskrittspartiet eller Høyre, for den saks skyld, kan legge fram noen som helst dokumentasjon på at det blir mer satsing på næringsutvikling i kommunene hvis man har denne type næringsbeskatning tilbakeført til kommunene, på bekostning av alle de andre som er mer næringssvake? Han gjentar for så vidt det samme spørsmålet, og jeg må også få lov til å gjenta det samme svaret: Det er viktig å lete etter gode som gjør at kommunene kan øke sine inntekter, for så å produsere gode tjenester for befolkningen. Dette er ett lite element som kan bety noe for om ikke alle kommuner, så i hvert fall for en stor del kommuner, nettopp fordi det stimulerer til næringsutvikling. Det er utrolig viktig at vi legger inn de incitamentene så lenge kommunene ikke får overført det de trenger for å bygge ut eldreomsorgen slik vi har blitt enige om at en skal, men som regjeringen ikke leverer på i form av overføringer til kommunene. Så dette handler om å gi incitamenter som gjør at kommunene kan bli bedre i stand til å øke sine inntektsmuligheter gjennom å beholde mer av sine ordinære skatteinntekter, men også å stimulere til næringsliv ved at de kan beholde noe av selskapsskatten.

Fra Venstres ståsted er det to store utfordringer når det gjelder den jobben de blir satt til å gjøre, for det første den utrolige strukturkonservative holdningen vi har i forhold til kommunestruktur, og for det andre iveren etter å regulere og styre kommunene fra denne sal. Når borgere møter velferdsstaten, eller når borgere møter i velferdsstaten, eller når borgere møter i fellesskapet sine institusjoner, møter de nesten alltid kommunen. Og de beste løsningene blir laget lokalt. Det er best både økonomisk og måten man forvalter penger på, å finne gode lokale løsninger, og det er best for den enkelte borger at man lager løsninger som er tilpasset borgeren, og ikke tilpasset det som ser godt ut fra en merknad i stortingssalen eller fra Vi starter nå en stor samhandlingsreform som Venstre støtter intensjonene i, men som krever stor grad av faglighet. Utfordringen for velferdsstaten nå framover er å oppnå stor grad av faglighet. Derfor mener Venstre at vi burde hatt en plan for å få større kommuner som kunne tilstrebe seg denne fagligheten og vinne fram i kampen om fagfolk, som er det som kommer til å bli framtidas distriktskamp. Venstre ønsker ikke større kommuner for innsparing, men vi ønsker større kommuner fordi vi vil delegere mer makt ned. Vi vil gjøre det lettere å kunne foreta lokale prioriteringer, og da må man ha enheter som er i stand til å ta på seg det ansvaret. Den andre store utfordringen når det gjelder kommunenes makt, er den statlige styringen. Vi har hørt at det kommer en melding, men vi har likevel fremmet et forslag her i salen, som jeg vil ta opp, da vi ønsker at man skal ha en ordentlig gjennomgang av alt av regler og forskrifter. For regjeringa har rett i at det er mindre øremerking nå enn det var før. Senterpartiet har sikkert passet på ved alle budsjettanledninger å kjempe mot øremerking. Men det hjelper ikke at man klarer å vinne kampen om øremerking hvis man stadig lager flere forskrifter, regler og lover for hvordan det skal jobbes i hver enkelt kommune. En tredjedel av kommunene mener bl.a. at de rapporter altfor mye, og norske kommuner bruker rundt 700 årsverk bare på innrapportering på statlige tall. Lokaldemokratiet styres av mellom 4 000 og 7 000 paragrafer og forskrifter. Det at man ikke klarer å være mer presis enn at det handler om mellom 4 000 og 7 000, sier vel nok i seg sjøl om hvordan vi styrer lokaldemokratiet vårt. Ting blir ikke mer rettferdig av å lage flere regler. Vi tror det blir mer rettferdig av å delegere mer makt. Venstre er kjempeglad for at 16-åringer i mange kommuner får prøve ut sin stemmerett. Men når du spør 16-åringene om hva som skal til for at de skal stemme, svarer de at da må stemmen deres bety noe. Hvis en 16-årings stemme faktisk skal bety noe i kommunene, må vi gi mer makt til den enkelte kommune, og ikke bare produsere politikere som er desillusjonerte og oppgitt over lokaldemokratiet vårt hver gang vi mobiliserer folk til valg. Venstre kommer til å stemme for forslagene nr. 1, 2, 3 og 11, pluss vårt eget, som vi håper vi får støtte til. Nå har jeg 50 sekunder igjen, og hvis jeg hadde hatt tid, skulle jeg tatt på meg historielærerjobben min og snakket litt om dugnadens historie i Norge. Dugnadshistorien er dramatisk mye eldre enn Dugnadshistorien i Norge går tusenvis av år tilbake i tid. Dugnad i Norge har vært basert på frie, sjølstendige borgere – ikke trusler om helvete. Det er kanskje her vi kommer til forskjellen på Venstres og SVs syn på fellesskap. Vi tror at fellesskap bygges mellom frie, sjølstendige borgere, mens noen tror at det beste fellesskapet blir til når noen kan true med et eget sted i helvete. Representanten Trine Skei Grande har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det blir replikkordskifte.

Trine Skei Grande, å bidra til en samfunnsutvikling der de økonomiske forskjellene mellom folk er små i stedet for, slik som det har vært i hele Vest-Europa, at de er blitt større de siste årene? Jeg tror først og fremst på himmelen, og er ikke så veldig opptatt av helvete, så jeg lar meg ikke trigge av det. Det representanten Holmås må skjønne, er at mye av det som heter fellesskap i Norge, er ikke blitt bygd på sosialisme. De store fellesskapsreformene bygd i dette landet, i denne salen, som sykelønnsordningen, 8-timersdagen – alle de viktige reformene – er bygd på sosialliberalismen, som har som utgangspunkt de frie borgerne. Jeg mener selvfølgelig, som Heikki Holmås, at du bygger fellesskap gjennom å ikke ha store forskjeller i et samfunn, men det betyr ikke at du ikke skal ha forskjeller. betyr ikke at folk ikke skal ha drivkraft til å ønske å være med på å påvirke framtida si, ønske og faktisk få lov til å bli rik i et samfunn, også. Det er også en drivkraft som frambringer noe positivt i et samfunn, og det er nok der forskjellen mellom sosialisten og liberaleren ligger. Jeg tror at det også bringer frihet, fellesskap og velferd når vi lar den drivkraften være hos folk.

denne byen. Denne byen er landets mest klassedelte by. Her velger Venstre gang på gang på gang å støtte Fremskrittspartiet og Høyres byråd – et byråd som har byrådsrepresentanter som sier at de ser ikke på det som sin oppgave å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo. Oslo. Det er altså i en by der levealdersforskjellene mellom de bydelene som jeg og Trine Skei Grande bor i, og vestkanten er inntil tolv år – tolv års levealdersforskjell! Spørsmålet er: Er det ikke et mål å få ned de levealdersforskjellene og de økonomiske forskjellene som er med på å forårsake nettopp Selvfølgelig er det det, og Venstre syns det er viktig. Det er derfor Venstre presser gjennom de budsjettforlikene vi faktisk presser igjennom med dagens byråd, slik at de må gjennomføre denne politikken, og slik at det faktisk ikke er noen sjanse for at et sosialistisk byråd kommer til makt i denne byen. For folk

Tolga kommune er òg ein utviklingsorientert skuleeigar som satsar på vidareutdanning, og som prioriterer deltaking i vidareutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Eit anna døme er Salangen. Kommunen har etablert eit tilflyttarkontor som gjer det lettare for dei som ynskjer å flytte til kommunen. På spørsmål om jobbtilbod, bustad og barnehage står tilflyttarkontoret klar til å svare. Kommunen gjer òg ein framifrå innsats for å integrere flyktningar. Salangen har gjennom 20 år vist at dei er ein av dei kommunane og lokalsamfunna i er ein av dei kommunane og lokalsamfunna i Distrikts-Noreg som lukkast best i arbeidet med mottak, busetting og integrering av einslege mindreårige asylsøkjarar. Regjeringa sitt opplegg for 2012 legg til rette for vidare utbygging av kommunale tenester som t.d. barnehage, skule og omsorgstenester, og til styrking av drift og vedlikehald av fylkesvegane. Samhandlingsreforma inneber at om lag 5 mrd. kr vert overførte til kommunane i samband med dei nye oppgåvene. Eg registrerer at kommunane har mange spørsmål om reforma, som trer i kraft 1. januar 2012. Mitt svar til kommunane er at dette er ei stor reform som skal tre i kraft over fleire år. Mykje avklaring skal skje på statleg hald. Kommunane skal starte planlegginga, men alt må ikkje vere på plass 1. januar. Samstundes merkar eg ei stor semje om intensjonane i reforma. Det vert fleire eldre, sjukdomsbiletet vert endra, og det er behov for meir førebygging og folkehelsearbeid. Det er behov for ei reform for desentralisering og førebygging. Mitt inntrykk er at Kommune-Noreg sjølv meiner det er rett å leggje denne oppgåva til kommunalt nivå. Me etablerer ei følgjeevaluering, slik at me kan korrigere kursen undervegs dersom det er behov for det. Og det er mange av dei små distriktskommunane som har gått saman og laga distriktsmedisinske senter, som er modellen for mykje av innhaldet og intensjonen i Regjeringa prioriterer kommunane. Vi har auka inntektene deira med 48 mrd. kr. Det svarar til ein årleg realvekst på 2,7 pst. i perioden 2005–2011. Dette er faktiske rekneskapstal frå Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Høgre og Kristeleg Folkeparti hevdar i innstillinga at kommunane under den borgarlege regjeringa vart høgare prioritert, ved at dei fekk ein årleg realvekst på 4,2 pst. i gjennomsnitt. Dette er feil.

Og eg er glad for at årsverka i all hovudsak går til tenester og ikkje meir byråkrati. Talet på tilsette i kommunane auka frå 2005 til 2010 med 14 pst., medan tilsette i administrasjonen berre auka med 2,2 pst. Høgre og Framstegspartiet føreslår å auke skattedelen av inntektene til 50 pst. Kva for konsekvensar vil det ha? Til dømes vil framstegspartiordføraren i Stranda få 1,4 mill. kr mindre å rutte med. Framstegspartiordføraren i Os vil få 3,4 mill. kr mindre, og Høgre-ordføraren i Sørreisa vil få 1,1 mill. kr mindre. Framstegspartiordføraren i Fredrikstad vil få 23 mill. kr mindre. Og slik kunne ein fortsetje med mange mindre og mellomstore kommunar, der både Framstegspartiet, Høgre og dei andre partia har ordførarar og mange folkevalde som ville få ein stor skuffelse. Derimot vil Bærum få Eg er imot ei slik omfordeling til kommunar med høgt inntektsnivå. Det vil gi meir ulikskap i tenestetilbodet i landet, og det er ikkje påvist nokon samanheng mellom tilbakeføringa av skatteinntekter og ei sterkare satsing på næringsarbeid. Det vil alltid vere trong for meir pengar. Mitt inntrykk – etter å ha reist land og strand rundt og vore på mange kommunekonferansar – er at Kommune-Noreg er rimeleg nøgd med inntektsramma for 2012. Så er eg klar over at det er variasjonar i den økonomiske situasjonen mellom kommunar. Nokre kommunar slit med å balansere budsjetta. Eg har stor tillit til at dei folkevalde greier og evnar å prioritere oppgåvene. Det blir replikkordskifte. Bodskapen til kommunalministeren er i dag den same som han har vore mange gonger tidlegare, og det er

Spørsmålet mitt er då: Viss kommuneøkonomien er så god som kommunalministeren meiner, korfor aukar då eigedomsskatten? For det fyrste sa eg vel ikkje i innlegget mitt nokon plass at kommuneøkonomien var strålande. I mine innlegg i landsstyret i KS har eg kvart år i dei to åra eg har vore der, sagt at det er nøkterne budsjett, men dei legg til rette for å oppretthalde eit høgt aktivitetsnivå, eit aktivitetsnivå som denne regjeringa, og me, har bygt opp – ikkje minst i dei fyrste åra etter at me tok over, då me dei fire fyrste åra tilførte 13,2 mrd. kr i frie midlar til fri prioritering lokalt. I dei fire føregåande åra var det til samanlikning 5,3 mrd. kr. Når me ser på talet på årsverk, talet på menneske som skal løyse oppgåvene, seier det alt om aktiviteten. Det er forskjell på 8 000 og 72 000 tilsette. Jeg hørte til min glede at statsråden refererte til de som rapporterer om kommuneøkonomien til departementet, nemlig Det rapporterer om kommuneøkonomien til departementet, nemlig Det tekniske beregningsutvalg. Det må jo bety at statsråden legger vekt på det som kommer derfra. Da har jeg gleden av å sitere følgende fra det samme utvalget: «Gjeldsnivået i kommunesektoren har økt kraftig de senere årene, fra vel 20 pst. av inntektene ved utgangen av 2007 til over 40 pst. ved utgangen av 2010. Gjeldsoppbyggingen bidrar til at blir mer sårbar for framtidige renteøkninger.» En lignende utvikling de fire neste årene ville altså gjøre at norsk kommunesektor, hvis den var et land, kom på linje et eller annet sted mellom Hellas og Portugal. Mitt spørsmål til statsråden er: Mener hun at man nå har funnet den riktige, forsvarlige gjeldsgraden, eller er den for høy?

vore klart – og klart kommunisert – at om renta går opp, skal kommunesektoren òg ta høgd for å evne å betene ho innanfor dei rammene dei har. Og da får ein i Kommune-Noreg vere glad for at ein har ei regjering som tek høgd for å dekkje både pris- og lønsvekst, demografi og pensjonskostnad, og som legg inn midlar til dei nye oppgåvene som me tildeler kommunane – utover det som skal dekkje demografi og pris- og

et nytt forvaltningsnivå, nemlig samkommuner, et fjerde forvaltningsnivå som nå skal lovfestes og innføres. Jeg har et spørsmål: Er Samhandlingsreformen den eneste årsaken til at vi får dette fjerde forvaltningsnivået? Hva er kostnadene for byråkrati knyttet til dette, er det gjort noen utregninger her? Eller er dette Senterpartiets grep for å forhindre tvangssammenslåing av

folkevalde skal sitje og styre. Eg er òg veldig tydeleg på at eg ynskjer folkevalde nemnder dersom ein nyttar vertskommunemodellen. Det er viktig at det er kommunestyret som har direkte innverknad på korleis avgjerder vert tekne, til forskjell frå annan type interkommunalt samarbeid som handlar om drift. Så får no veljarane i den enkelte kommunen avgjere kven som skal sitje og styre. Som regel er det administrasjonen som gjer det, uavhengig av om det ligg til den enkelte kommunen eller til eit samarbeidsorgan. Somme har vore imot samkommunemodellen fordi ein trur han vil hindre kommunesamanslåing. Somme har vore imot fordi ein trur han vil bidrage til samanslåing. Eg trur ingen har rett. Eg trur det vil vere eit organ for samarbeid. Så får tida vise om ein lokalt vel frivillig å slå seg saman eller ikkje. Replikkordskiftet er omme. På de elleve fylkesreisene kommunal- og forvaltningskomiteen har vært på siden høsten 2009, har vi møtt mange, mange lokalpolitikere. De har hatt ulike ståsteder og

Ikke en eneste av dem vi har møtt, ikke en eneste lokalpolitiker, har uttrykt noe ønske om å få tilbake det inntektsregimet som rådet da Erna Solberg var kommunalminister. Det er lett å forstå, for mange kommuner opplevde at de i perioden 2001–2005 måtte gjøre kutt i kommunale tjenester – som resultat av knappe rammer og fordi det hvert år ble lagt inn krav til effektivisering. Representanten Michael Tetzschner fra Høyre antydet tidligere i dag at antall ROBEK-kommuner kan være et mål på helsetilstanden i Kommune-Norge – ja, kanskje det. I 2004, etter at Høyre hadde sittet i regjering i tre år, var antall ROBEK-kommuner 118, en økning på 61 fra 2001. Likevel kaller Tetzschner i dag en økning fra 42 til 49, en økning på 7 kommuner, dramatisk. Faktum er at vi har hatt mellom 40 og 50 ROBEK-kommuner siden 2007, og at dette nivået er det laveste siden ROBEK-registeret ble Siden 2005 har det blitt 72 000 ansatte, 48 000 nye årsverk, i norske kommuner. Det er mange lærere, barnehageansatte og andre – og det gir mye velferd. For eksempel er det hver eneste dag med rød-grønn regjering blitt elleve nye ansatte i pleie- og omsorgstjenestene. Det har stor betydning for eldre og pleietrengende i hele landet. Da Stortinget debatterte kommuneproposisjonen for 2010 – 17. juni 2009 – gikk representantene fra opposisjonen én etter én opp på talerstolen for å advare mot redusert aktivitet i kommunesektoren. Representanten Bent Høie fra Høyre brukte begrepet «markant svekkelse». Kristelig Folkepartis Bjørg Tørresdal snakket om «en kommuneøkonomi i sterk ubalanse». Nå som vi har fått fasiten, kan vi slå fast at de tok feil. Nå er angrepsvinkelen en annen, nå hevder Høyre at «byråkratiet» vokser i kommunene. I et intervju i Dagsavisen 8. juni kunne vi lese at Høyres Jan Tore Sanner mener: «Det første de rødgrønne gjorde da de kom i regjeringskontorene var å tillyse fest i Kommune-Norge.» Like feil som opposisjonen tok da de mente det ville bli nedgang i kommunenes aktivitet i 2010, tar de nå, når de advarer mot vekst i kommunenes administrasjon. Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunesektoren skal drives godt og effektivt, slik at innbyggerne får flest mulig og best mulig velferdstjenester. Og det er faktisk akkurat det som skjer: Korrigert for pris- og lønnsvekst var andelen som ble brukt til sentraladministrasjon i kommunesektoren i 2010 den laveste på ti år. Med andre ord: Norske kommuner bruker pengene på velferd, ikke på administrasjon. I perioden 2005–2009 økte norske kommuners inntekter med nesten 90 mrd. kr. Av denne veksten gikk 6 pst. til administrasjon. 94 pst. gikk til skole, barnehager, barnevern, eldreomsorg og annen velferd. Det må være et tankekors for Høyre – som har varslet kamp mot byråkratiet – at kommunesektoren i dag drives med mindre administrasjon enn i 2005, da Høyre hadde Representanten Trond Helleland svarte ikke på spørsmålet om hvordan Høyre kan mene det er fest, og samtidig mene at det må kuttes i Kommune-Norge. Uansett er jeg overbevist om at landets lokalpolitikere verken kjenner seg igjen i skremmebildet fra debatten i dag Kommunene bruker de økte inntektene godt. Samtidig blir det flere eldre, det må bygges barnehager og skoler – andre gode formål står i kø. Hver dag må norske kommunestyrer utvise nøkternhet og ta vanskelige valg. Det er grunn til å gi kommunene honnør for at de prioriterer omsorg og utdanning, og for at de driver kostnadseffektivt og ubyråkratisk. Høyres utspill om det voldsomme byråkratiet i kommunene gir et galt bilde. Det er likevel verdt å merke seg, for som signal om hva kommunene har i vente og ikke minst hva mottakerne av kommunale tjenester har i vente – om Høyre skulle komme i regjeringsposisjon, er det viktig.

senker de rød-grønne fartsgrensen fra 80 km/t til 70 km/t veldig mange steder. Regjeringens passive politikk betyr forsinkelser, kø, kork og kaos for folk flest. Bortkastet tidsbruk som følge av dette kan faktisk føre til at folk får feriefølelser og ferieopplevelser ødelagt denne sommeren som kommer. Jeg tror vi alle kan være enige om at det er stor avstand i norsk politikk i samferdselsspørsmål – fra Fremskrittspartiet, som vil ha et nasjonalt bompengefritt motorveinett 2 500 km mellom de største byene, til den rød-grønne regjeringen, som foreslår å bygge 240 km motorvei i perioden 2010–2019. Og det er sannelig ikke mange flere kilometer ny vei som vil la seg realisere med Kristelig Folkepartis og Høyres politikk heller. Dessverre er gapet mellom Fremskrittspartiets offensive samferdselspolitikk og de rød-grønnes ansvarsfraskrivelse bare blitt større de siste årene. En av grunnene til det er at det i løpet av de siste årene har blitt

og bare fra fjerde kvartal 2010 til første kvartal 2011 har indeksen økt med hele 7,5 pst. Dette bidrar til store utfordringer for fylkeskommunene, som i 2010 som sagt overtok over 17 000 km vei som i stor grad var dårlig vedlikeholdt, og mange steder har et akutt behov for oppgradering. I innstillingen til kommuneproposisjonen for 2012 fremmer derfor Fremskrittspartiet forslag om 2 mrd. kr ekstra, øremerket til vedlikehold og oppgradering av fylkesveinettet. Dette er midler som vil sette fylkeskommunene i stand til å starte reduksjonen av det enorme etterslepet fylkesveiene har. Etterslepet er på et sted mellom 23 mrd. kr og 25 mrd. kr, noe som sannsynligvis er et lavt anslag. Når transportkomiteen har reist rundt og besøkt fylkene i hele landet, har vi gjort det til en fast øvelse å spørre hvordan man har tenkt å stoppe opp og ta igjen forfallet på fylkesveinettet. Da innrømmer de fleste at med de pengene man nå får til

Det verste er at denne unnfallenheten fra flertallets side bidrar til at visjonen om null hardt skadde og drepte i trafikken ikke kan nås, fordi dårlige veier svært ofte enten er hovedgrunnen eller er en vesentlig medvirkende årsak til at ulykkene skjer. Jeg håper derfor at regjeringen tar til fornuft og støtter Fremskrittspartiets forslag om 2 mrd. kr ekstra til fylkesveinettet i budsjettet for 2012. Det er ikke veldig lenge siden man hadde store utfordringer i Hedmark og Oppland, med flom og problemer, noe som vil gjøre at det er et stort behov for ekstra penger. Da kunne regjeringen kommet i forkjøpet – og ikke i etterkant – og bevilget midler for å rydde opp. Her er muligheten: 2 mrd. kr mer til fylkeskommunene i 2012 vil gjøre at mange fylkeskommuner – i hvert fall de fylkeskommunene som er i en akuttsituasjon – kan gjøre noe med fylkesveinettet som er ødelagt på grunn av flom og andre naturutfordringer. Det kunne man tatt høyde for og gjort noe med allerede, fordi man visste at i 2012 kommer det enda mer penger for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og forfallet. Kommunesektoren har siden finanskrisen vokst mer enn andre samfunnsområder i vår økonomi. Kommunesektoren gir viktigere vekstimpulser i norsk økonomi enn aktiviteten i husholdningene, i bedriftene og i staten for øvrig. Finanskrisen rammet norsk næringsliv hardt, og produksjon og sysselsetting falt umiddelbart ganske kraftig. Kommunene fikk mer enn sin naturlige andel av den finanspolitiske tiltakspakken – og langt større enn kommunesektoren i andre sammenlignbare land. Mye av denne veksten har av kommunene vært finansiert ved økt låneopptak. De siste årene har, som vi har vært inne på, nettogjelden økt som andel av inntekt; den har økt fra 20 til ca. 40 pst., ifølge Det tekniske beregningsutvalg. Jeg har i løpet av debatten merket meg at de rød-grønne partier er særdeles fornøyd med sysselsettingsvekst og som sådan. Man er ikke så opptatt av å se hen til hvilke virkninger, hvilke goder, hvilke tjenester som produseres for befolkningen. Så det ser ut som om man bruker kommunesektoren som et alternativt arbeidsmarked, at man anlegger arbeidskraftperspektivet på det. Det kan man selvfølgelig til en viss grad gjøre, men jeg tror vi i denne sal må minne hverandre om i denne sal må minne hverandre om at det ikke er bærekraftig å ansette befolkningen i det offentlige når man møter bortfall av økonomisk aktivitet i vareproduserende sektor og i næringslivet for øvrig. Så er det dette at de rød-grønne partiene har en tendens til å si at pengebruken i kommunesektoren er investeringer. For det første er det jo ikke riktig, for mye av den økte pengebruken er at man blåser opp utgiftssiden hva gjelder drift. Men der kommunene investerer i faste anlegg, i bygninger osv., kan man konstatere at det ofte er lite rentable investeringer, fordi mange av de kommunale investeringene fører med seg økte driftsutgifter senere. Dette er interessant ut fra en samlet vurdering av samfunnsøkonomien, fordi velstanden i samfunnet er jo avhengig av at vi bruker ressursene på en slik måte at kapitalen kanaliseres til områder som gir avkastning og dermed grunnlag for ny og senere vekst.

Den er også en trussel mot fremtidig handlefrihet og kan faktisk gi negative vekstimpulser senere når man må stramme inn fra det forbruksnivået man har lagt seg til som en vane. En konsolidering av økonomien i kommunesektoren vil senere kunne kreve større tilpasninger og mer smertefulle omstillinger hvis man ikke kommer i gang i tide. Derfor burde man bruke de gode tidene til i større grad å omstille kommunene mens de har ressurser og kan finansiere denne omstillingen, uten at det på noen måte behøver å gå ut over velferdsytelsene til befolkningen. Jeg har lyst til å minne om at Høyres alternative opplegg for kommunene ikke tilsier mindre penger, men smartere bruk av penger. Vi ønsker også at kommunene skal ha sitt handlingsrom, som i større grad er finansiert ved et lokalt næringsliv, gjennom egne skatteinntekter, og ikke i samme grad være avhengige av offentlige overføringer. Det er selvsagt slik – også for kommuner – at de inntekter man har selv, og som skriver seg fra produktivt næringsliv, inntekter man er avhengig av blir overført fra andre, i første rekke fra staten. Så Høyres opplegg gir altså jevnere og sikrere vekst. Vi ser også at kommunene i sitt omstillingsarbeid stadig møter på standardkrav og forskrifter og lover som gjør at man og nyskapende måte. Her kunne de ha hatt behov for en helt annen håndsrekning fra nasjonalforsamlingen, som mer kritisk hadde gått gjennom de statlige påleggene, nettopp for å utløse lokal kreativitet og nye løsninger. Et annet område er at nye frie midler, som i kommuneproposisjonen fremstår som frie, virkeligheten går med til å fylle gamle hull i form av underfinansierte reformer. Nye frie inntekter går altså med til å dekke undervurderte utgifter som følge av gamle pålegg og gammel politikk. Jeg vil i denne sammenheng peke på at landets nasjonalforsamling også må interessere seg for kommunestrukturen, der man ser at de frivillige kommunesammenslåingene uteblir. Selv der man lokalt vil kunne gripe umiddelbare rasjonaliseringsgevinster, har vi også lagt det opp slik at mange av tilskuddsordningene faktisk favoriserer den kommunestrukturen vi har i dag, og dermed ikke blir noe bidrag til naturlig omstilling og det å få ut ressurser fra f.eks. byråkrati, som kunne ha vært brukt bedre ved å produsere velferdstjenester for lokalbefolkningen. Jeg er enig med representanten Skei Grande i at det er to aspekter ved kommunesammenslåingen. Det er å ha faglig kritisk masse – vi lever i et mer spesialisert samfunn, og det er mange fagmiljøer som blir for spinkle i den enkelte kommune – men jeg tør også legge til at hvis man har større enheter, er det mulig – hvis man har vilje – å få den administrative delen ned på et lavere nivå, for med den strukturen vi har i dag, blir det en del i dag, blir det en del dublering av grunnadministrasjonen som vil følge med enhver kommune som skal drives. Avslutningsvis vil jeg oppholde meg litt ved Samhandlingsreformen, som er nevnt på sidene 75 til 83 i proposisjonen. Det er en meget mørk skygge over Kommune-Norge. Fra tilhengerne av Samhandlingsreformen

Man burde ha skaffet seg kunnskap om disse teoretiske forestillingene om at kommunene virkelig kan drive forebyggingsarbeid, slik at det kan avleses på forbruket av spesialisthelsetjenester, før man setter denne teorien ut i livet under meget uforutsette og uforutsigbare betingelser. Jeg vil peke på at det som er grunnleggende for å gi folk – i vårt tilfelle kommunene – ansvar for å husholdere med egne budsjetter, er at de i størst mulig grad skal kunne påvirke sine inntekter og ikke minst sine utgifter. Men selve ideen om medfinansiering, hvor man altså skal bli belastet for en viss andel av hva spesialisthelsetjenesten koster på statlig nivå, er jo nettopp et eksempel på at kommunene ikke vil kunne påvirke på noen som helst måte hva denne reformen vil koste for dem, fordi det heller er styrt av statens behov for utgiftsmedvirkning – altså finansiering av spesialisthelsetjenesten – enn av hvilke behov man egentlig konkret har i den enkelte kommune. Vi får bare konstatere at man har valgt ikke å lytte til råd fra fagfolk og fra opposisjonen om å ta reformen skrittvis og skaffe seg kunnskap om hvordan den faktisk virker. Og man får bare registrere at flertallet ønsker at reformen da skal bli til mens den innføres. I tillegg til gjeldsoppbygging vil selve virkningene av en reformen da skal bli til mens den innføres. I tillegg til gjeldsoppbygging vil selve virkningene av en reform man ikke vet hvordan fungerer – om man har truffet riktig med finansieringsprinsippene – være av de største usikkerhetsmomentene for kommunesektoren i de kommende år. Vi vil gi folk en

Folk flytter fra de mindre kommunene og inn til regionale sentre, eller til de store byene. Dette er ikke en utvikling som er spesiell for Norge. Vi ser det samme i Europa, og kanskje spesielt i Øst-Europa. For å motvirke denne sentraliseringstendensen fører regjeringen en aktiv distrikts- og regionalpolitikk. å øke verdiskapingen og sysselsettingen gjennom å styrke lokale og regionale næringsmiljøer, legge til rette for entreprenørskap, sikre den fysiske infrastrukturen og redusere avstandsulempene er alt sammen viktige mål for å videreutvikle levedyktige lokalsamfunn og regioner. Opposisjonen har i dag vært opptatt av at det kommer mange nye jobber i offentlig sektor. Ja, vi har i dette landet de siste årene 70 000 i offentlig sektor, men det store flertallet er kommet i privat sektor. Lokale ressurser og utnyttelse av dem må være grunnlaget for utvikling av funksjonelle arbeidsmarkedsområder, hvor arbeidsplasser, bosted og tjenestetilbud ses i sammenheng. Utnytting av ressurser må gi lokale ringvirkninger. For å bidra til reduksjon av sentraliseringen vil også utvikling av småbyer og mindre regionale sentre – med utgangspunkt i de lokale fortrinnene – være viktig. Større arbeidsmarked, med flere muligheter, vil bidra til at færre må flytte, og at flere kan komme tilbake til en attraktiv arbeidsplass. Storbyområdene og større regionale sentre må ivareta funksjonen med å balansere befolkningsutviklingen mellom landsdelene. Det viktigste for at noen skal bosette seg et sted, er kanskje at det finnes en meningsfylt arbeidsplass å gå til – en arbeidsplass som passer med de kvalifikasjonene og den utdanningen man har. Når en stadig større del av befolkningen har høyere utdanning, skaper det større utfordringer i de mindre folketette områdene av landet, hvor det tradisjonelt har vært drevet næringer med lavere krav til formell utdanning. Det bidrar til sentraliseringstendensen, og det bidrar til å opprettholde skjevfordelingen av inntekter i en sentrum–periferi-dimensjon. Det er en av grunnene til at omfordeling er en viktig mekanisme, som vi også har styrket gjennom å redusere skatteandelen i kommunenes inntekter.

Det går på bekostning av stabiliteten og kvaliteten i tjenestene for noen av de menneskene som aller mest trenger et godt tjenestetilbud. Norsk Sykepleierforbund pekte under høringen i komiteen på at små fagmiljøer er en helt sentral begrunnelse for at få sykepleiere ønsker å jobbe på sykehjem og i hjemmetjenestene i kommunene. Under samme høring uttrykte Norsk Vann bekymring for mangel på ingeniører i kommunene.

Når kommunalkomiteen reiser rundt i mange av landets kommuner, registrerer vi at diskusjoner om kommunestrukturen foregår. Flere steder der dette diskuteres, etterspørres det økonomiske incentiver for å sikre reell frivillighet ved sammenslåing. Arbeiderpartiet mener det er grunnlag for å lytte til og drøfte de forslagene som kommer med hensyn til hvordan dette kan gjøres. Det tidligere nevnte utvalget peker jo også på at det i dag ikke foreligger noen slike incentiver for frivillige kommunesammenslåinger. For Arbeiderpartiet er det avgjørende å sikre robuste, funksjonelle og bærekraftige kommuner – ikke fordi vi skal spare penger, men fordi både vi på Stortinget og innbyggerne ute i kommunene stiller stadig større krav til hva kommunene skal gjøre i barnevernet, i skolen, i barnehagene, og når det gjelder arealplanlegging, beredskap og mye annet. Kort sagt: Arbeiderpartiet vil ha funksjonelle og bærekraftige kommuner, fordi vi skal forsterke, forbedre og fornye velferdstilbudet, ikke bygge

De barna som trenger ekstra oppfølging på en eller annen måte, må bli sett og få den hjelpen de trenger. Barn som er i en sårbar situasjon, skal være trygge på at samfunnet stiller opp for dem. Vi klarer dessverre ikke alltid det. Jeg blir bekymret når det fortsatt er 70 av landets 430 kommuner som har én eller færre fagstillinger i barnevernet. I noen kommuner har barnevernet en 20-prosentstilling, og de har heller ikke noe samarbeid med andre kommuner. Er det nok, kan vi spørre oss. Med så små stillingsbrøker eller få ansatte vil det kunne gå på bekostning av stabiliteten og kvaliteten i tjenestene for noen av de menneskene som aller mest trenger et godt tjenestetilbud. I mange kommuner har de slått seg sammen i et interkommunalt samarbeid for å få større stillingsbrøker innen barnevernet. Det er fornuftig for å lage fagmiljøer som blir attraktive å jobbe i. Barnevernssaker kan til tider være krevende, og det å sitte alene med de sakene i et lite lokalsamfunn er ikke lett. Ved å ha større fagmiljøer vil kommunene få bedre kompetanse, noe som vil komme alle parter i en barnevernssak til gode. Interkommunalt samarbeid har noen steder resultert i et økende antall saker. Det er ikke nødvendigvis fordi det er blitt flere barnevernssaker over natten, men det kan ha noe å gjøre med at det er lettere å ta kontakt med barnevernet når det er lokalisert i en nabokommune eller det er en ansatt fra en annen kommune man kan henvende seg til, og ikke i en kommune med 1 000 innbyggere hvor ting er veldig gjennomsiktig. Men når det gjelder å få fram saker til barnevernet, har vi fremdeles mye å gå på. De som jobber med barn, har en meldeplikt som går utenfor taushetsplikten. Det er derfor bekymringsfullt at av bekymringsmeldinger som kommer til barnevernet, kommer bare rundt 3 pst. fra barnehagene. Det er viktig at kommunene legger til rette for at det føles trygt å melde fra, og at sakene som blir meldt, blir tatt på alvor og fulgt opp. Rapporten Kostnadsutvikling i det kommunale barnevernet utgitt av Telemarksforskning på oppdrag av KS i 2010 viser at det har vært en realøkning i kommunenes totale nettoutgifter til barnevernet på 24 pst. fra 2002 til 2009. I samme periode har antall barn med tiltak fra barnevernet økt med For å bidra til at barnevernet over hele landet skal kunne gi rett hjelp tidlig til utsatte barn og unge, foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2011 å øremerke 240 mill. kr til en styrking av det kommunale barnevernet. Komiteen viser i sine merknader til den kraftige økningen i antall barn med barnevernstiltak. Komiteen mener denne økningen er foruroligende sett i lys av at gruppen barn i alderen 0–17 år langt fra har vokst like raskt. Komiteen mener derfor det er grunn til å ha en gjennomgang av oppgave- og ansvarsforholdet mellom kommunene og staten på barnevernsområdet, for å få et helhetlig barnevern som ivaretar barnas interesser på en god måte. Komiteen trekker også fram innspillene KS har gitt til det regjeringsoppnevnte panelet som skal se på organisering, innhold og ressursbehov i barnevernet. Regjeringen har styrket overføringene til det kommunale barnevernet, og vil fortsette med det i årene framover. Regjeringen har de siste årene økt bevilgningene og lagt til rette for økt antall ansatte i barnevernet. Vi skal ha full gjennomgang av barnevernet, og regjeringen skal legge fram en stortingsmelding som skal drøfte utfordringene og foreslå nye løsninger. Omorganiseringen av barnevernet ble gjort av den siste borgerlige regjeringen. Av hensyn til barna vil vi selvsagt vurdere dagens organisering, for å finne den organiseringen som vil gi flere barn den hjelpen de trenger. Så langt i debatten har det vært mye fokus på veksten i kommunesektoren under den rød-grønne regjeringen. Det er Så langt i debatten har det vært mye fokus på veksten i kommunesektoren under den rød-grønne regjeringen. Det er fullt fortjent. 47 000 nye årsverk til viktige oppgaver innen velferd og skole er en betydelig vekst. Den vil fortsette, men det er bare en del av bildet. Det er rundt 300 000 flere sysselsatte i dag sammenlignet med 2005, og de aller, aller fleste nye jobbene har kommet i privat sektor. Det er positivt. Det bidrar til verdiskaping og gode skatteinntekter til kommunene. Sammen med økte overføringer legger det grunnlaget for ny og bedre velferd. Det viktigste er imidlertid ikke hva som er gjort, men hva som fortsatt må gjøres. I Aftenposten i går sto det en interessant «stillingsannonse» basert på nye tall fra SSB:

Vi har internasjonale forpliktelser til å ta imot mennesker i nød. Den fanen skal vi holde høyt, men ikke så høyt at vi sitter igjen med et falskt bilde av virkeligheten. Da kunne vi lett komme til å tro at innvandring er en belastning, noe vi gjør av veldedighet, og glemme at vi faktisk er avhengig av fortsatt innvandring for økt verdiskaping og fortsatt velferd. Det krever imidlertid at vi greier å kvalifisere så mange som mulig til aktiv deltakelse på arbeidsmarkedet. arbeidsmarkedet. Mange av dem vil trenges i kommunene. Kommuneproposisjonen nevner tre viktige innsatsområder for en bedre integrering – raskere bosetting av flyktninger, bedre språkopplæring og tiltak for å sikre at kvalifiserte innvandrere faktisk kommer til intervju. Når Fremskrittspartiet i sine merknader kaller dette diskriminering satt i system, er det å snu saken fullstendig på hodet. Diskrimineringen er der i fullt monn allerede og må bekjempes, av åpenbare grunner. 10. mai kom Brochmann-utvalgets utredning om velferd og migrasjon. Et hovedpoeng i utvalgets utredning er nødvendigheten av å vri velferdsordningene våre enda mer fra passive stønader til aktivisering og kvalifisering. Vi har allerede startet den jobben på noen områder. Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, kvalifiseringsprogrammet for Ny sjanse-programmet med vekt på en del innvandrerkvinners omfattende kvalifiseringsbehov er eksisterende eksempler på denne måten å tenke på. Det arbeidet må forsterkes. For to dager siden presenterte Kaldheim-utvalget en omfattende utredning med 230 forslag til en bedre integrering. Et hovedpoeng er at tross høyt sysselsettingsnivå blant innvandrere i Norge er det behov for enda sterkere fokus på kvalifisering av innvandrere og flyktninger, og med langt sterkere vekt på å måle faktiske resultater. Integreringspolitikkens mål må ikke bare være å gi muligheter, men også å sørge for at mulighetene blir brukt. Dagbladet hadde i går en interessant Side 3-artikkel som viste til forskjeller i tilnærmingsmåte mellom de to utvalgene, men likhet i svar – yrkesdeltakelsen blant innvandrere må opp. 6. juni fikk justisministeren utredningen fra Berge-utvalget om mottakstilbudet for asylsøkere «I velferdsstatens venterom», som de kalte den. De anbefaler å fylle tiden på venterommet med kvalifiserende tiltak, herunder arbeidsmarkedstiltak. I sum peker de tre utvalgenes anbefalinger i samme retning: systematisk og mer målrettet kvalifisering. Det er den samme retningen som Arbeiderpartiets landsmøte pekte ut i april i år. Vi vet nok. Nå må vi handle, og kommunene får en nøkkelrolle. Dermed blir en god kommuneøkonomi viktig av flere grunner – sikre gode velferdstjenester, skaffe kvalifiserte folk til å levere dem, og sist, men ikke minst, kvalifisere nødvendig arbeidskraft som næringslivet allerede nå etterspør, men ikke fullt ut får tak i. Dermed blir rød-grønn kommunepolitikk den beste politikken, også for næringslivet. I likhet med forrige taler, fra Arbeiderpartiet, er også Fremskrittspartiet selvfølgelig opptatt av å lykkes med integreringspolitikken. Men det er ikke sånn at det er en ensidig størrelse som ikke er avhengig av andre faktorer. Det fundamentale, som er grunnlaget for å drive integreringspolitikk, er innvandringspolitikk. Når man ikke evner å se de to tingene i sammenheng – den rekordartede innvandringen vi opplever til kongeriket og integreringspolitikken – vil man heller aldri komme videre. Vi må gjøre noen fundamentale endringer med innvandringen til landet hvis vi skal lykkes med å integrere dem som allerede er her. Men det var ikke derfor jeg tok ordet. Jeg hadde faktisk tenkt å si litt om lokaldemokratiet. Vi behandler kommuneproposisjonen i dag, og der er det ofte festtalene kommer, med representanter fra regjeringen og regjeringspartiene som overgår hverandre i å skryte av og understreke viktigheten lokaldemokratiet. Det skal Fremskrittspartiet være den første til å si seg enig i, men da må man også vise det gjennom praktisk handling. Og det er der denne regjeringen ikke står til troende. Det er altså sånn at her i landet kan du ikke bygge en veranda med byggehøyde over 2,5 meter uten å ha tillatelse fra kommunen. Du kan ikke oppføre et stabbur uten å ha tillatelse fra kommunen. Du kan ikke oppføre et stabbur uten å ha tillatelse fra kommunen. Men hvis du har lyst til å opprette et asylmottak, gjerne midt i et boområde, trenger du ingen tillatelse. Da er det fritt frem for UDI å gjøre som de vil. Det har vi fått ganske godt illustrert. Jeg refererer til Drammens Tidende og

opplever tyveri og hærverk, og for å komme med et lite eksempel så er det en jente på åtte år som forteller at hun føler seg utrygg i sitt eget bomiljø. Det er helt vanvittig. Det er kanskje ikke parlamentarisk å si det. Men i et land hvor man er hvor man er opptatt av lokaldemokrati, i hvert fall sier det i flotte taler, gjerne her fra denne stol, så er man det når det gjelder stabbur, man er det når det gjelder byggehøyde på veranda, men ikke når det gjelder at folk skal føle trygghet i sitt eget nærområde. For da overkjører man dem og oppretter mottak uten å snakke med beboerne i nærområdet. Jeg synes det er trist, og det understreker at denne regjeringen overhodet ikke har noe å fare med når det kommer til å ta lokaldemokratiet på alvor. Derfor må man få på plass en ordning. Man må involvere kommunene og de berørte partene på en helt annen måte, sånn som Fremskrittspartiet har foreslått, hvis man skal kunne ta folk på alvor. Det eneste UDI her i denne situasjonen tilbød befolkningen i Lier

at statsråden tar det på alvor. Derfor skulle jeg gjerne ha ønsket at statsråden kommenterte dette – at kommunalministeren kom med noen tanker rundt det paradoksale at lokaldemokratiet bestemmer veranda og stabbur, men lokaldemokratiet har ingen kontroll over asylmottak. Kommunene er

Vi vil ha spredt bosetting i dette landet sånn at kulturlandskap, matproduksjon, muligheter for jakt og fiske og andre goder vi har, kan ivaretas. De fleste oppgavene løser kommunene alene, selv om det etter hvert er mer og mer vanlig å finne sammen i interkommunale løsninger. De aller fleste foretrekker det framfor å slå seg sammen, med alle de ulempene de aller fleste da ser for seg.

Min kjennskap til kommuner i eget fylke er at de nå har budd seg godt på den reformen nettopp gjennom interkommunalt samarbeid. Det som er viktig for meg i denne sammenhengen, er at samarbeidet er forpliktende og forutsigbart, gir god politisk styring og, ikke minst, at samarbeidet er åpent og gjennomsiktig, for kommunestyret, innbyggere og offentligheten for øvrig. Min skepsis til de interkommunale selskapene, de såkalt IKS-ene, er nettopp at en mangler tilstrekkelig åpenhet og innsikt i det som foregår der. Det kan en også si er en utfordring for vertskommunemodellen. Innimellom har jeg hørt den modellen noe respektløst omtalt som det rådmannsstyrte interkommunale samarbeidet. Selv om det er feil, gir det noen om at vi skal være opptatt av å sikre god politisk styring av de interkommunale samarbeidene. Tjenestene som utføres der, er de enkelte kommunestyrenes klare ansvar. Det skal vi også huske. Jeg var med og etablerte den første samkommunen i Norge. For oss som var med i den prosessen, svarte nettopp den modellen på mye av det som jeg er kritisk til når det gjelder de andre modellene. modellene. Jeg kjenner ikke meg ikke igjen i bl.a. Høyres beskrivelse, at denne modellen for interkommunalt samarbeid betyr mer byråkrati. Evalueringen som er gjort av samkommunemodellen, viser at den har bidratt til både bedre og billigere tjenester til innbyggerne i de samarbeidende kommunene. Jeg er svært glad for at regjeringen nå sier at den vil fremme en lovproposisjon om Det vil gi bedre forutsigbarhet for de kommunene som har valgt å prøve ut denne modellen, og som ønsker å videreutvikle den. Det er også gledelig at regjeringen vil gi ut en veileder om interkommunalt samarbeid. Jeg registrerer at den veilederen vil legge mest vekt på vertskommunemodellen. Det hadde vært bra om den også tok for seg interkommunale selskap og samkommuner, synes både for å synliggjøre ulike alternativer kommunene har, og for å understreke viktigheten av åpenhet ved valg av interkommunalt samarbeid. Uten åpenhet rundt samarbeid undergraves lokaldemokratiet og setter det interkommunale samarbeidet i vanry. Demokratiet er avhengig av at all offentlig virksomhet foregår åpent, og at det praktiseres meroffentlighet omkring virksomhetene. Det er jo noe av utfordringene ved privatisering av fellesskapsløsningene. En rekke oppslag i media omkring arbeidsforholdene i eldreinstitusjoner drevet av private aktører, viser tydelig det. Interkommunalt samarbeid kan være en god måte å løse kommunale oppgaver på, men det utfordrer generalistkommunen, og det utfordrer det lokale demokratiet. Et godt lovverk og rammeverk omkring den slags type samarbeid er derfor helt nødvendig. nødvendig. Jeg vil derfor enda en gang understreke viktigheten av og gleden over den varslede lovendringen og den kommende veilederen. Begge deler vil bidra til å styrke det interkommunale samarbeidets

kommunesjefar og lokalpolitikarar frå alle politiske kulørar og riv seg i det håret dei måtte ha, fordi dei ikkje er i stand til å yte dei gode tenestene til innbyggjarane sine som dei svært gjerne ville. Regjeringspartia generelt og Arbeidarpartiet spesielt verkar meir opptekne av å framskaffe byråkratar personar som kan utføre dei tenestefunksjonane som det er bruk for ute i kommunane, som t.d. omsorgspersonar, lærarar og andre som skal utføre lovpålagde oppgåver. Sjølv om vi i Framstegspartiet ikkje er samde i den måten lovpålagde oppgåver vert finansierte på, ser vi behovet for å styrkje kommunal sektor ut over det som noverande regime legg opp til. Framstegspartiet har derfor auka løyvingane til offentleg sektor med 5 mrd. kr. For å sikre at midlane vert brukte på ein slik måte at sjuke og gamle, elevar på skulane, kommunalt barnevern, personar med rusproblem og dei med psykiske vanskar får den hjelp og støtte dei har krav på, foreslår Framstegspartiet å øyremerkje desse midlane. Dette gjer vi ikkje fordi vi har mistillit til våre lokalpolitikarar, men vi ser at har mistillit til våre lokalpolitikarar, men vi ser at dei raud-grøne lokalpolitikarane rundt om i landet ikkje nyttar midlane til berre lovpålagde oppgåver, men strør rundt seg med løyvingar til kulturprosjekt og sentrumsfornying. Eg har lyst å trekkje fram eit eksempel i Sogn og Fjordane, der ein av våre gruppeleiarar i ein kommune var kritisk til eit stort og dyrt kulturprosjekt. Då gjekk Arbeidarpartiet sin gruppeleiar på talarstolen og sa at ein behøvde ikkje å bekymre seg for økonomien, for no har vi fått ei regjering som leverer. Grunnen til at eg trekkjer fram dette eksempelet, er at raud-grøne politikarar ute i distrikta trur på skrytelista til sine sentrale kameratar. Resultatet er at midlane som regjeringa skryter av at dei har løyvt til helse og omsorg, til skular og vegar, vert brukte til heilt andre oppgåver. Når så den økonomiske krisa går opp for raud-grøne lokalpolitikarar, er dei raske til å foreslå innføring av eigedomsskatt for å redde

Vi vil vise til at barneombodet har avdekt grove manglar innan den kommunale barnevernstenesta. Det er avslørt tilfelle der kommunar i periodar har vore fullstendig utan barnevernsdekning. Framstegspartiet meiner at dette ikkje kan lastast små kommunar med ein allereie pressa økonomi, men vi vil like fullt få fram at slike brot er heilt uhaldbare, og at dette er noko verken vi eller kommunane kan leve med lenger. Kommunene er ikke hva de en gang var. Og

Arbeiderpartiet vil legge til rette for gode lokale løsninger. Ja, for å kunne satse på fellesskapet må vi organisere velferdstjenestene slik at de er tilgjengelige der folk bor og jobber. Å skape verdier i kommunene og fordele velferd krever engasjerte og dyktige lokalpolitikere og sunn nasjonal økonomi – barnehagetilbud til alle barn, styrket barnevern, forbedret skole, økt kompetanse og bedre omsorg. Dette har regjeringen og kommunene levert. Derfor er Norge verdens beste land å bo i. Arbeiderpartiet vil videre – forbedre, forsterke og fornye. Det er et viktig kommunalpolitisk valgløfte for alle som snart skal ut i valgkamp for Arbeiderpartiet. Kommunepolitikere er arbeidsgivere. Det betyr at de har ansvar for å få ned andelen deltidsstillinger. Etter landsmøtevedtak i Arbeiderpartiet og andre partier er det få som ikke har fått med seg den meldingen. Prosjektet Saman om ein betre kommune tar kommunenes arbeidsgiveransvar på alvor. Kvalitet, heltid, redusert sykefravær og økt kompetanse er hovedpilarer i satsingen. Høyrepartiene ønsker mindre regulering i arbeidslivet, at ansatte skal jobbe lenger, og at tillitsvalgte lokalt skal få mindre innflytelse. Blå-blå kommuner har dette som sine fremste valgløfter foran kommunevalget. Strammere arbeidsgiverpolitikk skal realiseres, også lokalt. Framtidens velferd er avhengig av at det tas politiske grep for å utvikle god velferdsteknologi i kommunene. Hagen-utvalget la i dag fram sin rapport – på ipad. ipad. Velferden kan bli bedre under forutsetning av at lokalpolitikere setter seg inn i hva denne teknologien kan brukes til, og hva den ikke kan eller ikke skal brukes til. Teknologi er ikke bare støttesystemer, det er gode forebyggings-, behandlings- og oppfølgingssystemer også. Regjeringen vil utjevne sosiale ulikheter innen helse. Velferdsteknologi kan bidra til dette. Ny teknologi må utvikles i sosialtjenesten, rusfeltet, i psykisk helsevern og overfor personer med kroniske og sammensatte sykdommer. Teknologi redder liv, men gir også folk bedre liv. Regjeringen gir tydelige styringssignaler som skal følges opp av helsedirektoratet. Det er bra! Barn og unge er spesielt omtalt i helselovene, sosialtjenesteloven i Nav, og justisministeren har lovet, etter en interpellasjon jeg hadde i mai, at barn og unge av straffedømte skal få eget fokus i lovverket. Det er bra. Alle disse barna bor i kommunene. Arbeiderpartiet satser på barn – de er framtida – og arbeidet med å utjevne varige helseforskjeller starter med dem. Satsing på barnevern og fokus på barn og unge i lovverket må kommunene følge opp. Samhandlingsreformen er et godt virkemiddel når lovbestemmelsene skal omdannes til praktisk handling, og tett samarbeid med Nav er nødvendig. Arbeiderpartiet er en garantist for at kommunene skal kunne skape verdier, til forskjell fra Høyre som kutter i regional næringslivsstøtte og midler til landbruk. Mange lokalsamfunn i Vest-Agder og i resten av landet ville ha fått store utfordringer hadde dette vært posisjonens politikk. Arbeiderpartiet vil kommune, fellesskap, og vi vil forvalte fellesskapets verdier effektivt og klokt, til beste for innbyggerne – nå og i framtida. Så vil jeg bare knytte noen små refleksjoner til det som er sagt her i dag. Representanten Trond Helleland prøver å framstille Høyre som et frihetsparti og snakker om at det er behov for en frihetsreform. Jeg må si at for meg virker det mer som en handelsreisendes forsøk på selge hullene i Jarlsbergosten. Fremskrittspartiets Amundsen snakker om festtaler. Det motsatte av festtaler er Fremskrittspartiets Amundsen snakker om festtaler. Det motsatte av festtaler er begravelsestaler. Det bruker opposisjonen ganske mye tid på. Men begravelsestalene er mer alvorlige. De vil faktisk begrave velferdsstaten Norge slik den er i dag. Alle barn i Norge bor i en kommune, og

arbeidslivet. Forrige taler snakket om å begrave velferdsstaten. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at hvis vi ikke lykkes i skolen, vil det også bidra til å gi velferdsstaten et skudd for baugen. Vi er helt avhengige av å lykkes med skolen. Da må kommunene også gis ressurser. 95 pst. av norske elever går på skole i kommunene. Disse kommunene må gis ressurser som setter dem i stand til å drive en god skole. Vi vet f.eks. at det som er det aller, aller viktigste om skolen skal lykkes med å nå alle barn og gi dem en best mulig utdannelse, er kompetente lærere. kompetente lærere. Kompetente lærere er det aller, aller viktigste kriteriet i skolen. Da må man ha offensive etter- og videreutdanningsprogrammer. Man må gi lærerne påfyll i pedagogikk, i fag, i didaktikk. Derfor er det svært gledelig at 4 000 lærere – 4 000 lærere – søkte om plass i etter- og videreutdanningsprogrammer som regjeringen har etablert. Det er kanskje for lite, kanskje tallet burde ha vært 6 000–7 000 hvis vi skulle ha klart å nå alle lærerne innen rimelig tid. Men da er det jo trist at kommunene bare gis ressurser til å finne plass til 1 500. De aller fleste lærerne som har vært villig til å bruke sin arbeidstid til å ta etter- og videreutdanning, får altså ikke tilbud om etter- og videreutdanning fordi kommunene ikke gis ressurser til dette. Det kan løses på to måter. Det kan løses ved å gi kommunene flere midler, men det kan, og bør, også løses ved at staten tar en større del av regningen over Kunnskapsdepartementets budsjetter. Men så er vi i denne sal enige, tror jeg, om at vi må ha en skole som ser alle barna. Jeg har også inntrykk av at vi er enige om at en av måtene å gjøre det på, er praksisretting av undervisningen i større grad enn i dag – noe kirke-, utdannings- og forskningskomiteen for tiden bruker Men det blir bare festtaler og fine ord å snakke om praksisretting dersom ikke kommunene gis økonomiske muskler til faktisk å bygge den infrastrukturen som skal til for å drive med praksisrettet undervisning. Det er nesten sånn at det er de barna som er så heldige at de går på en gammel skole, som i dag har tilgang til fysikk- og kjemirom, sløydsaler og skolekjøkken. På

gjennom et styrket kommunebudsjett. Jeg trakk fram noen tall i sted, at over 4 000 lærere ønsker å bruke sin arbeidstid på etter- og videreutdanning, men at man bare klarer å finne midler til 1 500. Da snakker vi om at vi kommer til å nå alle lærerne i løpet av noe sånt som 200 år. Vi må ha større ambisjoner enn det for skolen, som er så viktig for landets framtid.

Den rød-grønne regjeringen fortsetter sin satsing på kommunesektoren, for det er først og fremst i kommuner og fylkeskommuner at velferden skapes. Når veksten i kommunesektorens inntekter fra 2005 til 2011 har vært på 48 mrd. kr, er det klart at dette vises i Kommune-Norge. Vi ser det gjennom de Det er de årsverkene som produserer velferden i kommunene. Det er det som er førskolelærerne i barnehagene, lærerne i skolene, sykepleierne i helse- og omsorgstjenesten, ansatte i barnevernet og ansatte i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Bare i 2009 og 2010 har det blitt 5 000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten. Dette viser at vi er godt i rute med å nå målet om 12 000 nye årsverk i perioden 2008–2015. Denne satsingen i kommunene gir innbyggerne bedre tjenester mer velferd. Dette bidrar til at Norge er verdens beste land å bo i. De av oss som har en nær fortid som kommunepolitikere eller fylkespolitikere, og har vært med på reiser før og etter 2005, vet også at hverdagen i Kommune-Norge er totalt forandret. Dette har også innbyggerne merket. Det var ikke behagelig å være ordfører i Overhalla i 2003 og være nødt til å si opp sykepleiere og si opp aktivitøren på sykehjemmet. Det var heller ikke behagelig å være medlem av fylkesrådet i Nord-Trøndelag før 2005 er fokuset, når det gjelder fylkesveiene i Nord-Trøndelag, hvordan vi skal få asfaltert dem fortest mulig. Det å lese merknadene fra komiteen har vært både interessant og opplysende. Særlig har jeg lagt merke til at det i merknadene fra Høyre og Fremskrittspartiet går igjen ord som konkurranse, frihet for kommunene, økt lokaldemokrati og mer øremerking. Hvordan man skal få til mer frihet og lokaldemokrati ved å øremerke mer av pengene, forstår ikke jeg. Hvordan det skal bli mer lokaldemokrati i distriktskommunene hvis utjevningen mellom kommunene skal reduseres eller fjernes, forstår jeg heller ikke. Hvordan det skal bli mer lokaldemokrati ved å legge ned fylkeskommunen, forstår jeg heller ikke. Hvis man legger ned fylkeskommunen, blir det mindre, ikke mer, lokaldemokrati. Realiteten vil være at regionalt statlig byråkrati får mer makt og flere oppgaver, og det kan vel knapt kalles styrking av lokaldemokratiet selv om mange fylkesmenn har en fortid i politikken. Fylkeskommunene gjør en viktig jobb, og de er viktige regionale motorer for regional utvikling. Fylkeskommunene er ikke overkommuner, men de fyller en viktig rolle i å dyrke fram regional samhandling og styrke regionale fortrinn og derigjennom bidra til økt verdiskaping og sysselsetting regionalt. Det er viktig med et politisk valgt regionalt nivå som tar denne rollen, for bare politikere vil ha den legitimiteten som kreves for å kunne gå inn og ta på seg ledertrøyen i sånne regionale prosesser. Gjennom forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene overført nye oppgaver. 17 000 km vei ble overført til fylkeskommunene, halvparten av eierskapet til Innovasjon Norge, viktige oppgaver innenfor marin sektor, noe på landbruk, noe på miljøvern, kultur og viktige oppgaver innenfor forskning og utdanning. Jeg synes det er viktig fra denne talerstolen å skryte av fylkeskommunene og måten de har løst sine nye oppgaver på. De aller fleste fylkeskommunene har vært offensive som ny eier av 17 000 km veier. De bruker mer penger enn det staten gjorde på disse veiene, og det skjer mye over hele landet når det gjelder Som viktig eier av Innovasjon Norge har fylkeskommunene aktivt tatt i bruk eierskapet. Gjennom å ha et eierforhold til Innovasjon Norge har samhandlingen mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norges fylkeskontor styrket seg. Innovasjon Norge blir i større grad betraktet som fylkeskommunenes næringsavdeling. De regionale forskningsfondene er på plass, og regionale forskningsstrategier er utarbeidet og iverksettes fortløpende. Styrkingen av kommuneøkonomien ser vi også resultatet av i fylkeskommunene. Det satses stort innenfor videregående opplæring. Nå er det fokus på kvalitet og det å få flere igjennom et utdanningsløp i videregående skole. Det bygges nye skolebygg tilpasset dagens krav. Det var noe annet enn å diskutere nedleggelse av videregående skoler, slik vi gjorde før 2005. Det er betryggende for kommuner og fylkeskommuner at vi fortsetter satsingen på Kommune-Norge, for vi vet at det er i kommunene og fylkeskommunene at velferden skapes.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Neste taler er
Kommunene står nærmest våre innbyggere og leverer de viktigste velferdstjenestene til innbyggerne – 365 døgn i året, dag og natt. Jeg vil ved denne anledningen berømme alle de tusener av kvinner og menn som arbeider i kommunal tjeneste, og som gjør en fantastisk jobb. Rekrutteringen av dyktige kommunale medarbeidere vil fortsatt være avgjørende viktig for våre kommuner. Jeg hører i denne debatten at det blir kritisert at kommunene også driver med tiltak som ikke er lovpålagte. Min erfaring som gammel kommunepolitiker er at kommunene ofte må utføre ikke lovpålagte oppgaver for i det hele tatt å kunne utføre de lovpålagte oppgavene på en god måte, og for å kunne gi innbyggerne gode, helhetlige tilbud. Jeg har i den forbindelse lyst til å nevne

er av den største viktighet for at kommunene skal kunne gjøre en god jobb i denne sammenheng. Det må ikke bare være snakk om store, gigantiske etableringer, men tilrettelegging for at også de små bedriftene på mindre steder skal ha livets rett. Det er dette som skaper mangfold og attraksjon, og det er viktig at dette fortsatt blir prioritert. La meg til slutt si noen ord om kommunestruktur. Jeg er av dem som er godt fornøyd med formuleringen i Soria Moria-erklæringen som sier at endringer i kommunestrukturen skal være basert på frivillighet. Selvfølgelig skal vi diskutere hvilken kommunestruktur som er best for innbyggerne, og selvfølgelig skal nødvendige justeringer foretas når det er det beste for innbyggerne, men vi kan ikke sitte her i Oslo og tegne kart over hvilken kommunestruktur som er best for innbyggerne våre. Ingen må heller leve i den villfarelsen at bare kommunene blir store nok, er alle økonomiske problemer i kommunene løst. La meg også tilføye at vi ikke må glemme avstandene og den spredte bosettingen når vi diskuterer kommuneøkonomi eller kommunestruktur.
Neste taler er representanten

et viktig grunnlag for videre utvikling av det velferdssamfunnet og de velferdsordningene vi har. Men kommunene har også andre inntekter, og derfor er det å holde orden i økonomien for å legge til rette for god skatteinngang gjennom god aktivitet i næringslivet også en viktig faktor for kommunenes evne til å løse sine oppgaver.

Ikke desto mindre er det en særlig forpliktelse for oss som politikere både nasjonalt og lokalt å se hvem som trenger det mest, og hvilke stemmer som har størst behov for å bli hørt. Kampen for å styrke barnevernet har Kristelig Folkeparti ført over lang tid, og vi kommer til å fortsette den kampen til vi har på plass en opptrappingsplan for full barnevernsdekning – og at den er gjennomført. Vi er glad for at regjeringen for 2011 la inn øremerkede midler. Men vi ser at behovene er større, og vi ønsker at midlene skal økes. Vi savner en tydelig plan fra regjeringen som viser at man skal trappe opp disse midlene, at dette ikke bare skal behandles fra budsjett til budsjett, men slik regjeringen varslet planer for opptrapping av sykehjemsdekning, barnehagedekning og andre områder, fortjener nå barnevernsungene en nasjonal plan for opptrapping – til full dekning.

befolkningsveksten og det økende behovet for kommunale velferdstjenester. Vi ser at ute i kommunene er det et stort behov for ressurskrevende tjenester. Dette gjelder innen helse og omsorg for pasienter både under og over 67 år, det gjelder innenfor barnevernet, og det gjelder for spesialundervisning, for å nevne noen områder. Det ble i kommuneproposisjonen for 2011 gjort viktige grep da det kommunale inntektssystemet ble revidert, og man fikk kostnadsnøkler basert på rent faglige og oppdaterte tall, samtidig som skatteandelen av kommunenes samlede inntekter ble redusert. Og endringen i skatteandelen sett i forhold til Høyres forslag om å øke den til 50 pst., i stedet for å redusere den, ville innebære et inntektstap for en kommune som Horten på Det nye inntektssystemet var, og er, et viktig skritt i riktig retning for å sikre befolkningsrike kommuner på begge sider av Oslofjorden et inntektsgrunnlag og en rammeoverføring som gjør at de nærmer seg resten av Kommune-Norge. Men selv med det løftet som er gjort, er det fortsatt slik at kommuner i Vestfold gis de laveste overføringene i Kommune-Norge. Vestfold har stor og har over tid gjennomgått store omstillinger innenfor industri og skipsfart. Så når man ser at f.eks. Horten skårer lavt på levekårsindeksen og har en høy andel av sine innbyggere på trygd, er det vel ikke lenger noen i denne sal som tror at Vestfold er «gullkysten». Jeg ser optimistisk fram til en fortsatt utvikling av det kommunale inntektssystemet, som gjør at alle kommuner skal ha en reell mulighet til å gi likeverdige tjenestetilbud, inkludert kommunene i Vestfold. Vi er vant med at Fremskrittspartiet har penger ingen andre har. Så også

hva det betyr for de minste kommunene at de skal stykkprisfinansiere overføringer til skole, barnehage og sykehjemsplasser. Det er flere enn min distriktskommune som kan skjelve hvis stykkprisfinansiering skulle bli gjennomført. Bosettingsmønsteret i Norge ville blitt rasert. Ikke engang Fremskrittspartiordførere som driver sine kommuner med tildelte rød-grønne penger, har klart å fjerne eiendomsskatten. Ingen fra Fremskrittspartiet har forklart sitt mantra om differensiert stykkpris, og hvordan det skal fungere – kanskje fordi det vil ramme distriktene og de tynt befolkende kommunene, kanskje fordi det vil flytte makt og beslutninger fra de lokalt folkevalgte til statlig byråkrati, kanskje fordi det er et sterkt angrep på lokaldemokratiet. I tillegg vil Fremskrittspartiet fjerne kommunenes mulighet til å ta inn eiendomsskatt.

eller fremskrittspartistyrte kommuner, som rasjonerer ut eldreomsorg. Men det føyer seg inn i svartmalingen fra Fremskrittspartiet og deres noe spesielle virkelighetsoppfatning. Jeg sier ikke at eldreomsorgen er perfekt eller uten utfordringer, men begrepet «rasjonalisering» er meget spesielt og gir assosiasjoner til noe vi ikke ønsker å høre. Representanten Starheim var ikke likere. Han ville øremerke fordi de ikke stoler på rød-grønne politikere som sløser bort midler på kultur- og stedsutvikling, samt at alt er elendig og kutt i Kommune-Norge. Også her er det systematisk virkelighetsforvrengning og tro på sentralisert styring. Det er ingen tiltro til det lokalpolitiske skjønn. Og det er interessant å merke seg foran en kommunevalgkamp.

måte. Kommunesektoren har fått et betydelig løft under denne regjeringen. Fra 2005 til og med 2011 var realveksten i kommunesektorens inntekter 48,2 mrd. 2011-kroner, noe som tilsvarer en inntektsvekst i perioden på 17 pst. Halvparten av veksten er frie inntekter. Inntektsveksten har bidratt til å bedre kommunenes økonomiske situasjon og satt dem i stand til å bygge ut det kommunale tjenestetilbudet og ansette flere. Regjeringen fortsetter styrkingen av kommuneøkonomien også i 2012, og legger opp til en vekst i samlede inntekter på mellom 5 og 6 mrd. kr. Og det er bra, for Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for velferdstjenestene som ytes. Vi vil bygge ut sykehjemsplasser og omsorgsboliger til alle som har behov, slik vi har gjort det med barnehageplasser. Det gir trygghet og forutsigbarhet for de eldre og for de ansatte i Vi vil ha flere lærere og lektorer og flere yrkesgrupper inn i grunnskolen. Vi skal gjennomføre Samhandlingsreformen som gir kommunene utfordringer i forhold til samarbeid om forebyggende helsearbeid og pleie. Og vi skal gjennomføre Kulturløftet, for å nevne noe. Det er derfor mye å bruke de økte rammene til. På tross av forbedringene som er oppnådd de siste årene, er det fortsatt utfordringer. med 2012 utvides kommunenes ansvar i og med at Samhandlingsreformen trer i kraft. Samtidig øker tallet på de yngste eldre kraftig, og veksten i antallet eldre vil fortsette i årene som kommer. I sum betyr dette at kravene til kommunene som velferdsleverandør øker. Gjennom å styrke kommuneøkonomien også i 2012 legger regjeringen forholdene til rette for en fortsatt utbygging av tjenestetilbudet. Men økte ressurser er ikke nok. Kommunene må bidra gjennom å finne effektive og gjennomtenkte løsninger lokalt. Arbeiderpartiet mener det er behov for en ny kommunestruktur for å få funksjonelle og bærekraftige kommuner, og vil positivt stimulere til kommunesammenslåinger. Men slike strukturendringer bør fortrinnsvis skje frivillig. Som følge av den sterke veksten i kommunale investeringer de siste årene må det også være stor oppmerksomhet om gjeldsøkningen i kommunesektoren. Hovedinntrykket er at kommunesektoren har håndtert den økte gjeldsbyrden på en god måte. Antallet kommuner i økonomisk ubalanse ligger på et historisk sett lavt nivå.

Norge. Jeg regner med at den formuleringen er valgt med omhu, for å tegne et feil bilde. For Per-Willy Amundsen vet like godt som alle andre at den rekordartede innvandringen til Norge nå er arbeidsinnvandring, som næringslivet etterspør, mens antallet asylsøkere går ned. Jeg har også lyst til å kommentere den andre påstanden hans, om at plan- og bygningsloven gjelder for stabbur, men ikke for asylmottak. Det er også selvfølgelig helt feil. Plan- og bygningsloven gjelder for begge typer tiltak. Det var en referanse til det som har skjedd i Lier. Da kan jeg opplyse om at det nå pågår prosesser rundt et eventuelt fortsatt asylmottak i Lier som kjøres etter plan- og bygningsloven – bl.a. kravet om adkomstvei og en eventuell omlegging av den. Samtidig skal jeg være den første til å understreke at situasjonen rundt mottaket i Lier ikke er god. Det henger delvis sammen med en dårlig forhistorie. Vi har også tatt det opp med justisministeren, som sa seg enig. Informasjonen til kommune og befolkning har ikke vært god nok. Det har nå vært gjennomført et møte med kommunen, og en skal fortsette med å følge opp saken – også fra politisk ledelse i

være i Lier i framtiden. Det er også viktig informasjon, som det er viktig å få ut til dem som blir berørt. Vi skal på vår side, som representanter fra Buskerud, sørge for å holde godt tak i den saken, og sørge for å holde den på et godt spor. Når det gjelder forholdet mellom mottak og omgivelser, avhenger veldig mye av

av kor nøgde folk er med tenestene i kommunane. For då seier faktisk dei aller fleste at dei er veldig godt fornøgde. Kanskje vil ein då seie at dei har ikkje betre vett, men eg trur folk rundt omkring i landet har veldig godt vett. Det har ikkje minst si årsak i alle dei tusenvis av tilsette, i byråkrati, og ikkje minst i tenester direkte mot innbyggjarane som kvar einaste dag gjer ein fantastisk jobb. Eg ser det sjølv, heime hos oss. Eg ser heimesjukepleia, som besøkjer mi svigermor og gjer hennar dag god, eg ser det rundt meg i mitt nabolag, eg ser det i min kommune, eg ser det i nabokommunar, og eg høyrer og ser eksempel når eg er rundt i alle andre kommunar rundt om i landet. Lat det ikkje stå igjen etter denne debatten at det står så ille til i gamlelandet, for det gjer det ikkje. Det er mykje som òg kan verte betre. betre. Derfor jobbar regjeringa kvar einaste dag med det, på ulike sektorar. Men utgangspunktet vårt trur eg nesten parlamentarikarar i alle andre land vil misunne oss. Det må me ta med oss. Eg tykkjer Lise Christoffersen svara greitt på Per-Willy Amundsen si utfordring, men han utfordra òg statsråden på forholdet mellom demokrati og det å drive integrering og har, og skal ha, styring over denne aktiviteten, som dei skal ha det over andre aktivitetar. Så har det vore eit høyringsforslag ute, som Framstegspartiet har merknad til i innstillinga, og det har vore stort engasjement i høyringa

skal ikkje kommentere det meir enn å seie at det er eit stort arbeid som no går føre seg i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i den saka. Så når det gjeld både asylmottak og busetjing, er sjølvsagt kommunane den viktigaste instansen for å lukkast. Statsråden har rett i éin ting, og det er

som igjen medfører at vi opererer med eit anslått overskot på statsbudsjettet i år på 313 mrd. kr. Vi har også pengar på bok: Vi har eit oljefond som no er på ca. 3 100 mrd. kr. Det er heilt riktig noko som dei fleste land misunner oss. Men det som er paradoksalt oppe i dette, er at samtidig som vi aldri, aldri har hatt så mykje pengar på bok som vi har i dag, så mykje pengar på bok som vi har i dag, har kommunane heller aldri, aldri hatt så mykje kommunegjeld som dei har i dag. Vi har ein nasjonal rikdom, ei statleg overflod. Samtidig har ein i mange kommunar ein kommunal fattigdom som dessverre også går ut over innbyggjarane. Representanten Ingalill Olsen eg hadde brukt, eller setninga som eg hadde brukt, om at regjeringa rasjonerer ut eldreomsorg. Eg forstår godt at representanten Olsen ikkje synest at det er noko spesielt fint omgrep, men det er altså det som er sanninga. Vi har i dag eit rammeløyvingssystem, og dersom ikkje rammene er store nok i den enkelte kommunen til å oppfylle og utføre dei tenestene som det er behov for innanfor eldreomsorga, er det altså ikkje alle som får dei tenestene. Derfor går Framstegspartiet inn for at vi skal ei behovsstyrt statleg finansiering av grunnleggjande velferdstenester i Det betyr altså at vi skal ha ein differensiert stykkpris, som betyr at tenestene, som regel, i Finnmark då vil koste meir og få ei betre finansiering enn tenestene i sentrale område av landet. Men det som er poenget med dette, er at dersom ein har eit behov, utløyser det også automatisk ei finansiering, slik at alle får dei tenestene dei har behov for, uavhengig av om ein bur i ein rik eller i ein fattig kommune. Representanten Ingalill Olsen sa også at vi ikkje hadde innarbeidd fjerninga av eigedomsskatteloven og fjerning av eigedomsskatt i vårt alternative opplegg i kommuneproposisjonen for 2012.

Flere har vært inne på at den rød-grønne regjeringen skal være mer opptatt av å øke byråkratiet enn av å øke antallet stillinger blant dem som faktisk utfører tjenestene i kommunene. Det har blitt skapt et bilde i media av at det har vært en voldsom økning i oppbyggingen av byråkrati, og at administrasjonsandelen i kommunene har økt. Det er fullstendig feil. Tvert imot har antall administrativt ansatte prosentvis gått ned fra 14,5 pst. i 2005 til 13,6 pst. i dag. Hver dag i denne perioden har vi økt antall ansatte i Kommune-Norge med 26 – 25 som driver tjenesteyting enten i hjemmesykepleie eller i sykehjem, som er lærere, som er ansatt i barnehage, osv., og én administrativt ansatt per 25 ute i tjenesten. administrasjonsansatte har økt med 2,2 pst. i denne perioden, mens vi har fått en 14 pst. økning når det gjelder dem som faktisk er ute i tjenesteyting. Det synes jeg er en veldig god andel. Representanten Tetzschner var veldig skeptisk til at Samhandlingsreformen skulle innføres i full skala fra 2012. Ja, hvis det hadde vært tilfellet, hadde jeg også vært veldig bekymret. Det er altså ikke tilfellet. 2012 er starten på en gradvis innføring av Samhandlingsreformen. Kommunene får ansvaret for utskrivingsklare pasienter. Kommunene får bruke tid på å bygge opp andre tilbud, f.eks. oppfølging av kronikere, respiratorbehandling i og fristen for å skaffe døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp er satt til 2016. Det vil si at kommunene har fire år på seg til å bygge opp et døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp-tilbud, enten på egen hånd eller gjennom interkommunalt samarbeid. Det er altså ikke noe som skal skje over natten, de får bruke tid på å bygge opp dette tilbudet, og jeg tror Kommune-Norge er i stand til å få dette på plass lenge før 2016. Det var til statsråd Navarsetes formaning om at vi ikke måtte svartmale. Det er i og for seg en god huskeregel, det, og mye er veldig bra i Norge. Annerledes kan det vel ikke være når 15 pst. av statens inntekter kommer fra en ikke-fornybar ressurs – så en skulle nesten aktivt måtte gå inn for å sette økonomien over styr. Men de folkevalgte har jo også en plikt til å se om det kan være andre selv om vi er ubekymret i dag. Da er jeg litt bekymret over at statsråden er så ubekymret at hun viker unna f.eks. et spørsmål om oppbygging av gjeldsgraden. Vi har altså hatt kommunalt selvstyre siden 1837. I løpet av de fire siste årene har gjeldsgraden i kommunene, målt som gjeld i forhold til inntekter, blitt fordoblet – i løpet av de fire siste årene. Så er spørsmålet: Er dette en uinteressant observasjon, eller er det bare «sortseere» som oppholder seg ved slike bekymrede tanker? Og så er neste spørsmål: Er det uinteressant om denne utviklingen fortsetter? Hva kan vi vente oss de fire neste årene – en ny fordobling? Når vi stiller disse spørsmålene i all vennskapelighet til statsråden, blir det ikke svart. Da gir det til å stille et spørsmål, som jeg ikke fikk svar på. Jeg skal prøve å stille det så greit som jeg stilte det i sted, da det ikke ble besvart, og håper på bedre lykke nå – og det var følgende: Er statsråden fornøyd med gjeldsgraden i kommunene, eller er den for høy?
Neste taler er representanten

I sin iver etter å selge unna statlig eiendom tok Carl I. Hagen på 1970-tallet til orde for å selge alle Norges olje- og gassressurser for den latterlig lave sum av 10 mrd. kr til utenlandske selskaper. Det ville vært dramatisk, og det går en klar linje fra det til det vi ser i kommunene i dag, når f.eks. Fremskrittspartiets næringsbyråd i Oslo ønsker å selge kommunens kraftverk, Hafslund og E-CO. Det er like lite klokt. Om ikke de politiske forskjellene har vært tydelige her i salen i dag, er de det i alle fall i Kommune-Norge. Den førre talaren tok mitt poeng, men det er eit viktig poeng å nemne at mange land har store naturressursar, òg oljeressursar. Men det er veldig få land som har forvalta dei på ein slik måte som me har gjort i Noreg. Trass i Framstegspartiets forslag har me hatt ei klok forvalting, som gjer at alle innbyggjarar i dette landet nyt godt av dei ressursane. Så til representanten Tetzschner. Høgre gjeld speglar det høge investeringsnivået som kommunane har hatt dei siste åra – nye sjukeheimar, fleire omsorgsbustader, fleire skuleplassar og ikkje minst ei storstila utbygging innan barnehagesektoren. Me må tole høgre lån for å kunne betre tenestetilbodet og byggje nye eller utbetre eksisterande skuletilbod, sjukeheimar og barnehagar. Kommunane ser ut til å greie å betene renter og avdrag på dei låna dei har. Det er det me må måle det i. Talet på kommunar i økonomisk ubalanse ligg på eit veldig lågt nivå sett i forhold til tidlegare år. Sjølv om 50 kommunar sjølvsagt kan seiast å vere for mykje, er det iallfall berre ca. ein tredel av det som var for ein del år tilbake. Så er det ikkje all gjeld som belastar kommunebudsjetta. Noko vert vidareformidla til privatpersonar og selskap. Noko knyter seg til rentekompensasjonsordningar for skuler og kyrkjer, der staten dekkjer renteutgiftene. Noko knyter seg til tenester som vert finansierte gjennom gebyr, fyrst og fremst dei såkalla VAR-tenestene. Samtidig er det, som eg sa i replikkvekslinga, viktig at kommunane tenkjer nøye gjennom korleis dei brukar pengane sine – om dei kan tole høgre gjeld og høgre rente, på same måten som private bedrifter og private hushald må tenkje gjennom det. Dei må ta høgd for det i sine budsjett og sine økonomiplanar. Investeringar og lån skal bidra til å gi dei som treng det, eit betre tilbod. Det er òg eit uttrykk for optimisme, framtidstru og tru på at ein har ei regjering som speler på lag, når ein tør å investere. Investeringsnivået har gått betydeleg opp. Aktivitetsnivået har gått betydeleg opp. tilsette har gått betydeleg opp. Til saman gir det eit betre tilbod til innbyggjarane, i tillegg til at dei har ei regjering dei kan spele på lag med. Det var sagt tidlegare i debatten at ein høyrer få eller ingen rop – det var vel ingen rop – om at Erna Solberg skal vende tilbake til Kommunaldepartementet. Det høyrer heller ikkje me. Eg møter ofte Høgre-ordførarar, Framstegsparti-ordførarar, Kristeleg Folkeparti-ordførarar og som uttrykkjer stor tilfredsheit med at vi har ei raud-grøn regjering og ikkje ei blå-gul regjering, som me hadde. Spørsmålet er ikkje om kommunalministeren er nøgd med gjeldsgraden, spørsmålet er om kommunane kan betene gjelda si, om dei gir innbyggjarane dei tenestene innbyggjarane skal ha, og om dei i sine langsiktige planar tek høgd for det. Som ein kommunalminister som har sterk tru på lokaldemokratiet og på at vettet, og rekneferdigheitene, er lokalt fordelt, tek eg det for gitt at kommunane gjer det dei skal gjere, nemleg å investere i takt med dei rammene som kommunane har. Avslutningsvis ein liten visitt innom ein påstand som kom tidleg i debatten, om at veksten har vore så mykje større i Statens pensjonsfond no i den seinare tida enn det var under Høgre-regjeringa, og at me difor kan bruke mykje meir pengar: Eg må berre seie at volumveksten i BNP var 2,3 pst. i perioden 2002–2005 og 0,9 pst. i perioden 2006–2010. Om me ser på BNP Fastlands-Noreg, var han 2,9 pst. i den fyrste perioden, og 2,5 i den andre. Det har noko å gjere med korleis ein prioriterer innan dei rammene ein har. Denne regjeringa prioriterer velferd og næringsutvikling i heile landet. Salen vil kanskje ha registrert at statsråden fikk tilnærmet dobbel taletid. Det skyldtes at klokken her ikke ble satt på før det var gått mellom to og tre minutter. Neste taler er representanten Gjermund Hagesæter, som har hatt ordet to ganger, og dermed får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Grunnen til Grunnen til at eg tok ordet no, var ein påstand som kom frå representanten Haugli om at Carl I. Hagen på eit eller anna tidspunkt skal ha foreslått å selje all oljeaktivitet i Nordsjøen til private. Eg kjenner ikkje til dette forslaget. Det kunne vore greitt å få vite kva dato dette var. Eg tviler på at dette er eit forslag som er fremja i Stortinget. Mitt poeng er uansett at det ikkje ville vere nokon dramatikk i dette som representanten Haugli hevda. Det har lita betyding for inntektene til staten om det er staten som driv oljeutvinning, eller om det er private som gjer det. Det kjem sjølvsagt av at vi har særskatt på oljeutvinning. Oljeselskapa betalar 78 pst. skatt.

oljeutvinninga. Presidenten tillater seg å minne om at vi har en lang, lang, lang kveld foran oss, som slutter med sak nr. 21, der vi skal diskutere jagerfly. Jeg tok ordet for å påpeke et par ting i den debatten som har vært, men jeg kan ikke la være å begynne mitt innlegg med å svare Det ene er: Det som var forslaget fra Carl I. Hagen den gangen, var å gjøre det samme som det man gjorde i Danmark, nemlig å selge oljen på rot. Slik gjør man i Danmark, der Mærsk Møller er den som strør om seg med milde gaver og bygger opera i København, istedenfor å sørge for at pengene kommer folket til gode. Det er en måte man kunne gjøre det på – som Fremskrittspartiet ville elsket, siden det var snakk om privat kapital – men det hadde altså vært dårlig for det norske folk.

men i min verden er dette betydelige beløp. Men Fremskrittspartiet får nå ta ansvar for sine egne avgjørelser, så får vi ta ansvar for våre. Til Bård Hoksrud: Man fikk nesten inntrykk av at det ikke ble bygget veier, og at det med Fremskrittspartiet skulle bygges motorveier over hele landet. Jeg vet ikke om det var en drømmesituasjon eller et mareritt, men for mange av oss som ikke ønsker motorvei over Hardangervidda, høres dette temmelig forferdelig ut. Dyrt er det også. Det fremstilles som om det ikke bygges noe særlig veier. Jeg kan forsikre representanten Hoksrud om at med all den kjøringen min rundt omkring på norske veier, så legger jeg merke til at det bygges overalt. Det bygges svært mange steder. Jeg må innrømme at når Bård Hoksrud sier at det er dumt å overføre dette til fylkeskommunene og la folk få bestemme lokalt hvor veiene skal gå, og når Bård Hoksrud sier at det er dumt å overføre dette til fylkeskommunene og la folk få bestemme lokalt hvor veiene skal gå, og at vi i stedet skal overlate det til Bård Hoksrud, så vil jeg si at jeg har vesentlig større tillit til at Terje Søviknes i Os vet hvor veien bør gå mellom Os og Bergen, enn det jeg har til Bård Hoksrud. En siste ting der, i forhold til denne ideen om at ingenting skal finansieres med Det er ganske mange lokale veiprosjekter som blir til på grunn av at man lokalt velger å ta den dugnaden det er å betale bompenger for å få en tunnel som aldri ville blitt prioritert på Stortinget. Jeg er temmelig sikker på at tunnelen mellom Finnøy og Rennesøy i Rogaland ikke ville blitt fullfinansiert av Stortinget. Men lokalbefolkningen der sier at de vil heller ha en tunnel som de betaler 175 kr for hver gang de passerer, i noen år, fremfor å vente på at Bård Hoksrud en eller annen gang skal finne ut at han har noen milliarder som han ikke har kastet ut av vinduet, men som han i stedet vil gi. Befolkningen stoler heller på seg selv, og det er bra. Michael Tetzschner har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg la merke til at statsråd Navarsete tillot seg litt ironi på slutten. Hun hadde ikke registrert noe rop etter Erna Solberg som gikk ut på at hun skulle vende tilbake til Kommunaldepartementet. Det er jeg i grunnen enig i. Men det må jo være fordi de ropene i så fall overskygges av dem som vil ha henne inn i statsministerens kontor – hvis man skal legge folkemeningen til grunn. Men kanskje det viktigste i denne saken er å registrere bekymringsdybden – om den finnes – hos statsråden for en utvikling som hennes eget tekniske beregningsutvalg sier er bekymringsfull. Da er det ikke et spørsmål om hvorvidt kommunene akkurat i dag klarer å betjene renter og avdrag, men de er sårbare for en renteoppgang. Da må det jo være betimelig å spørre om man ikke er bekymret for fremtiden, for hvis man er ubekymret, er man selvfølgelig heller ikke i stand til å formulere en politikk som løser problemet når det oppstår. Håkon Haugli har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg vil sitere Carl I. Hagen, som fra Stortinget i 1975 sa følgende: «Vi foreslår derfor å selge rettigheter som Statoil har bl.a. i Statfjord-feltet til andre. Så vidt vi har undersøkt er det i dag ikke noe problem å selge rettigheter for 10 milliarder kr.» Han kalte også Statoil for «gambling» og gikk imot statlige investeringer i Nordsjøen. Etter hva jeg forstår, er dette også omtalt i Hagens biografi som én av få feilvurderinger. Jeg synes for øvrig det også er verdt å merke seg at representanten Hagesæter lidenskapelig forsvarer petroleumsskatten på 78 pst. Det tar vi med oss til andre debatter. Det er nesten litt vittig å registrere hvor interessert enkelte representanter er i ord som falt i stortingsdebatter nesten 40 år tilbake i tid. Hvis en skal ta på alvor den type sammenligninger, så mener jeg å huske at det var en del av de stortingspartiene som befinner seg her i dag, som i sin tid – det var vel på 70-tallet – var det er mye rart man kan diskutere hvis man går langt nok tilbake i tid. Jeg konstaterer at Fremskrittspartiet aldri har fremmet et slikt forslag i Stortinget, og da faller hele sammenligningen på sin egen urimelighet. Jeg tegnet meg fordi jeg synes representanten Lise Christoffersen, og for så vidt også statsråden, tok litt lett på min utfordring, som handler om at norske kommuner opplever at det opprettes asylmottak midt i uten at de i realiteten har noen som helst mulighet til å nedlegge veto. Dette handler ikke om plan- og bygningsloven; dette handler om at kommunene er maktesløse når UDI finner ut at de skal plassere asylmottak her eller der. For å vise til min egen hjemkommune, Harstad: Der ble ordføreren informert via NRK Kveldsnytt at det skulle opprettes et asylmottak midt i byen, for øvrig også i et boligfelt, og dét er vel ikke et spesielt godt eksempel på at denne regjeringen har tillit til lokaldemokratiet når man aksepterer den type overstyring fra UDI. På samme måte går denne regjeringen nå svært langt. Når det gjelder bosetting, skal man ikke overlate det til det lokale skjønn lenger, her skal man også overstyre. På viktige felt, i viktige saker som berører innbyggerne i mange norske kommuner, overkjører man dem totalt og opptrer nærmest arrogant. Det eneste UDI kan tilby, er alarm – boligalarm – når berørte naboer ikke synes noe særlig om at det opprettes asylmottak. Da får Maria på 8 år forteller om: Jeg vil ikke ha mottaket tilbake, for da tør jeg ikke sykle på veien eller leke i skolen lenger. Det er en realitet, og så snakker denne regjeringen om lokaldemokrati. Det står ikke til troende. Så prøver man å si at velferdstjenester ikke er noe som er avhengig av kommunenes økonomi, at man nærmest har fri tilgang til dem. Her er som er avhengig av kommunenes økonomi, at man nærmest har fri tilgang til dem. Her er det store utfordringer. Sannheten er at en sykehjemsplass i Kommune-Norge er avhengig av at kommunen har høye inntekter, og at de gjerne har et fossefall i nærheten. Lise Christoffersen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det ser ut som om det er min lodd her i dag å korrigere representanten Per-Willy Amundsen. Jeg er litt i tvil om representanten lar seg korrigere, men et siste forsøk: Når det gjelder forslaget som har vært på høring, om ny ordning for bosetting av flyktninger, bunner det i at vi i dag har en ordning som ikke fungerer godt nok. Folk blir sittende passive på mottak lenge etter at de har fått vedtak om at de får opphold i Norge. Det er dårlig integreringspolitikk. Det forslaget som har vært på høring, har som siktemål at på bosetting enn det de har i dag, ved at i stedet for å forholde seg til IMDi en for en skal kommunene i en region kunne diskutere seg imellom og fordele oppgavene seg imellom, på en helt annen måte. Det vil styrke kommunenes forhandlingsposisjon overfor staten i forhold til det som er i dag. Så det vil representere en styrking og ikke en overstyring. Per-Willy Amundsen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg forstår at representanten Christoffersen ønsker å pakke inn det som er overstyring av kommunene. Sannheten er at norske kommuner ikke er i stand til å håndtere innvandringspolitikken denne regjeringen er ansvarlig for. Det er det vi ser resultatet av når kommuner opplever å få asylmottak i sin midte, og opplever problemstillinger når mennesker skal ut i kommunene og integreres der. Grunnen til at det blir slik, er at denne regjeringen ikke har kontroll på innvandringspolitikken. Det er ikke riktig som representanten Christoffersen sier, at asyltallene er på vei ned. Nei, asyltallene for mai i år er de nest høyeste vi noensinne har registrert i kongeriket. Regjeringen har selv økt sine anslag. Vi er langt unna å være på et normalnivå i ankomster av asylsøkere til Norge. Dette må snart denne regjeringen ta ansvar for og slutte å skyve det over på norske kommuner. Heikki Holmås har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Vi kan ikke la feilaktige inntrykk stå igjen. Når det gjelder antallet mennesker som søker asyl i Norge, er det slik at vi i løpet av de første fem månedene foreløpig ligger på omtrent samme nivå som i fjor. I fjor var det en nedgang fra året før på Når det gjelder spørsmålet om vi har kontroll på innvandringspolitikken – ja, det har vi. Det er slik at flesteparten av menneskene som innvandrer til Norge, kommer fra andre europeiske land. sammen med studieinnvandring, kommer asylinnvandring. Bare for å sette ting litt i perspektiv, for Per-Willy Amundsen framstiller dette på en feilaktig måte. Jeg synes det er interessant at mens Per-Willy Amundsen i alle andre sammenhenger ser til Danmark, gjør han det ikke i bosettingspolitikken, slik regjeringen har gjort. Vi ser at det funker godt i